detaljstyring vil kunne begrense kommunal variasjon og svekke det kommunale selvstyret. Å ivareta sikkerheten til brukerne av krisesentertilbudet anser jeg som så grunnleggende at jeg har gitt Bufdir i oppdrag å utarbeide en forskrift om fysisk sikring av lokalene. Direktoratet er i gang med å gjennomgå tilbudet til barn på krisesentrene, inkludert barns rett til hjelp fra andre tjenester.

Større og mer robuste sentre kan bidra til bedre kvalitet i tilbudet. Det påhviler kommunene et stort ansvar for å samordne tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. Lovverket er på plass, men vi vet at god samordning er vanskelig å få til i praksis. Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner kan være et nyttig verktøy for å sikre et samordnet hjelpetilbud til voldsutsatte. Jeg vil oppfordre flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner, men det bør likevel være opp til den enkelte kommune å vurdere behovet for en handlingsplan. Staten bør ikke detaljstyre hvilke verktøy kommunene skal benytte i sitt arbeid. Når det gjelder den fysiske standarden ved en del krisesentre, er det behov for forbedringer. Etter å ha besøkt en rekke krisesentre de siste årene er jeg imidlertid optimistisk. Mange kommuner har gjennom godt samarbeid lyktes med å etablere gode tilbud innenfor gjeldende budsjettrammer. Jeg er bekymret for at krisesentertilbudet for ekstra sårbare grupper ikke er godt nok. Kommunene har et ansvar for å gi alle personer utsatt for vold i nære relasjoner et tilbud om vern mot vold, uavhengig av tilleggsproblematikk. Det er behov for å vurdere nærmere hvordan staten kan bistå kommunene i arbeidet med å møte disse utfordringene.

Dette bekymrar meg òg i debatten om krisesenter, for dette heng ikkje saman med det me veit om skadeverknadene som desse ungane har vore utsette for. Derfor vil eg spørje barneministeren om ho er einig med Arbeidarpartiet i at ein må leggje forsking og høgsterettsdommen som representanten Tønder viste til i innlegget sitt, til grunn, og at ein ikkje skil mellom barn som er vitne til vald, Eller er barneministeren einig med justisministeren i at det går eit skilje her?

og den hjelpen barna får på krisesentrene, har blitt bedre de siste årene. Jeg har også møtt barn som sier: Hvorfor er det jeg som må flytte? Det har vært en kjepphest for meg å jobbe inn mot konfliktfylte familier. Derfor har vi også styrket familievernet. Det er viktig å styrke krisesentertilbudet, det er noe vi skal se ekstra nøye på. Det er også viktig at krisesentrene ser på det med å varsle politi og barnevern hvis det

om, gjeld dei lokale handlingsplanane. Eg trur me er einige om at det er positivt at kommunane har lokale handlingsplanar. Eg skulle berre ynskje at me kunne seie at kommunane skulle utarbeide dei, og då høyrer eg statsråden seie i innlegget sitt at det kan vere positivt med slike lokale handlingsplanar. Kan statsråden gje meg eit eksempel på når det ikkje vil vere lurt for ein kommune å ha ein lokal handlingsplan mot vald i

Eg meiner at det er enkelte ting i samfunnet som er viktigare enn andre, og er det éi oppgåve som eg meiner at ein burde påleggje kommunane, er det å utarbeide akkurat desse planane. Me ser dessverre at oppfordringar er det mange kommunar som tek, men ikkje alle. Det siste spørsmålet eg har, går på forslaget vårt om behovet for barnefagleg kompetanse. Her vil eg fylgje opp innlegget til representanten Sonja for eg lurer på korleis ei forskrift som seier at det bør vere ein hovudregel at me har barnefagleg kompetanse i krisesentera, kan vere rigid så lenge ein har eit unntak frå det. Kan statsråden forklare kva som eventuelt vil vere rigid med at det er ein hovudregel som seier at det bør vere tilsette med barnefagleg kompetanse på

– at det blir ivaretatt. Jeg vet at det også er viktig å sørge for at ansatte på krisesentrene har barnefaglig kompetanse, og har sagt i mitt svar til komiteen at jeg vil vurdere nærmere forslaget om å utarbeide en forskrift om det kompetansekravet. Statsråden la i sitt innlegg stor vekt på kommunal frihet. I dette spørsmålet kan kommunenes frihet stilles opp mot den

sikre at kommunene faktisk jobber mot vold i nære relasjoner, når det gjelder både kompetanseheving, forebygging og ivaretakelse av voldsutsatte?

et bedre tilbud enn de hadde før, men samtidig viser evalueringen at det er utfordringer. Det er også viktig at Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunene følger opp krisesenterloven, og jeg har sagt i mitt innlegg at vi må se på hvordan vi kan styrke det tilsynet. I loven er det ikke noe krav krav at en skal ha en handlingsplan, men jeg ønsker å oppfordre kommunene til å lage handlingsplaner. De kan også lære av hverandre, for det er mange kommuner som har laget gode handlingsplaner. Dette er noe som vi er nødt til å jobbe videre med – vi må se på hvordan vi kan styrke dette. Men jeg har til nå ikke vurdert å gå inn og lovpålegge kommunene å lage handlingsplaner. Det må også være opp til den enkelte kommune å se at dette er et viktig arbeid, og at politikerne som sitter ute i kommunene, får på plass en handlingsplan. Jeg takker for svaret. Da Da Amnesty International for noen år siden jobbet med en kampanje mot vold i nære relasjoner, var det oppsiktsvekkende hvor mange kommuner som ikke svarte på om de hadde et tilbud til sin befolkning. Det var faktisk også kommuner som påsto at dette ikke var et problem i deres lokalsamfunn. Da blir jeg urolig når statsråden peker tilbake på tiltak som er iverksatt, og lover vi har fått innført, og ikke framover på nye tiltak eller ny aktivitet som skal komme. Derfor lurer jeg på: Hvordan skal statsråden konkret sørge for at kommunene erkjenner problematikken og griper fatt i den i sine lokalsamfunn, slik at de som er voldsutsatt, kan få et tryggere liv?

ha et tilbud til alle som er utsatt for vold og overgrep. Det har de fleste kommuner i dag. Så har vi fått en evaluering som peker på at kommunene har fått et bedre tilbud enn de hadde før, men det pekes også på flere utfordringer, og jeg må komme tilbake til hvordan vi skal følge opp den evalueringen som viser at vi har komme tilbake til hvordan vi skal følge opp den evalueringen som viser at vi har utfordringer i kommunene. Det er kommunevalg til høsten, og jeg vil oppfordre alle kommunepolitikerne til å sette vold i nære relasjoner på dagsordenen og se til at de får på plass handlingsplaner ute i kommunene

for vold, men samtidig kan vi også jobbe mer forebyggende. Det er et viktig arbeid for å sikre at foreldrene kan være gode foreldre, og at det ikke er vold. Samtidig må vi også ha tiltak og hjelpetilbud for de kvinner, barn og menn som blir utsatt for vold, slik at de får den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Replikkordskiftet er over.

når det gjeld korleis me ser på barn som er utsette for vald. Her meiner eg at barneministeren må ta ein alvorsprat med justisministeren, for dei statsrådane må snakke det same språket. Eg er veldig glad for at representanten Mette Tønder understreka det same i sitt innlegg, at barn som er utsette for vald, blir likestilte med barn som er vitne til vald. Så har me slått det fast. Styrking av krisesentertilbodet er veldig viktig. viktig. Eg er veldig oppteken av å framsnakke krisesenteret i Telemark litt. Me har eit veldig godt krisesenter i Telemark. Dei har eit nytt, flott bygg og har ein god vertskommunemodell, der kommunane i Telemark er med og bidreg. For det som er viktig å hugse på, er at det er ikkje berre den kommunen som har krisesenteret, som har ansvaret for krisesentertilbodet, det har alle kommunane. No ser me at krisesenteret i Telemark går med overskot, som gjer at dei kanskje sjølve ynskjer å setje i verk ein eller to overgangsbustader. Det var dagens reklame for krisesenteret i Telemark! Til dei lokale handlingsplanane: Det er vel ingen tvil om at det er noko Arbeidarpartiet er veldig oppteke av. av. Eg meiner at det å ha slike lokale handlingsplanar er noko av det beste ein kan gjere førebyggjande. Det er viktig med familievern, men mykje skulle kanskje ha skjedd før ein måtte oppsøkje familievernkontoret.

planar. Så veit me alle at det hjelper ikkje med planar dersom dei ikkje blir følgde opp. Men eg skulle berre så inderleg ynskje at om det var ein ting me kunne bli einige om i dag, var det at alle politiske parti gjekk inn i kommunevalkampen og sa: Dersom me får ordføraren, skal iallfall me sørgje for at det blir ein lokal handlingsplan i denne kommunen – så lenge ikkje statsråden er villig til å seie at det skal vere eit krav til alle kommunar.

at barn som er vitne til vold, blir minst like hardt rammet som barn som blir utsatt direkte for fysisk vold. Det som da henger igjen i løse lufta, er hvor godt dette arbeidet egentlig er koordinert i regjeringen, all den tid det kommer sprikende signaler fra statsråder i så viktige spørsmål, som burde vært enkelt å få ryddet av veien. Så til den uttalelsen som Horne gjentatte ganger har kommet med i denne debatten, om at det

å avgjøre? Jeg har hørt konkrete eksempler på kommuner som i nyere tid har iverksatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner, som har fanget opp barn som har vært utsatt for kanskje overgrep, eller iallfall omsorgssvikt, takket være at man har bevisstgjort dem som jobber opp mot barn, og at man ikke minst har fått bedre øvelse i hvordan man kan håndtere sånne situasjoner. Kommuner som ikke gjør dette, risikerer å miste denne muligheten til å fange opp barn som har det vondt. Så vet vi alle sammen at statsrådens eget parti ikke nøler med å bruke statlig pekefinger overfor kommunene i saker som er viktige for dem, bl.a. eldreomsorgen.

for lokalradiosektoren i DAB og rammevilkår for lokalradioer som fortsetter på FM-nettet. En digitalisering av radiomediet vil etter planen skje regionvis i 2017 og gradvis, noe som har fungert innenfor andre medier, som tv.

ivareta. Digitalradiomeldingens forslag til konsesjonstildeling innebærer i praksis en ren registreringsordning. Ordningen har vært benyttet ved tildeling av innholdskonsesjonen i Riksblokken siden 2011. Komiteen ønsker ikke at digitaliseringen skal ha negativ effekt

Nordlys har funnet eksempler på dem som faller utenfor DAB-dekningen – i Altevatn-området og i Finnmark. Der er det en del hvite områder, noe de er bekymret over. Dette begrunner de med at det er uforsvarlig å avskjære folks mulighet til – ikke minst i Finnmark – å kunne høre på værmeldingen. Det parerer NRK ganske greit: Her må man kanskje vurdere spesielle tiltak. Etter det jeg har forstått ut fra avisen, beroliger ikke det dem som ikke får DAB-dekning. Men de er positive og sier: Vi skrur over på finsk radio, da får vi i hvert fall oppfrisket våre finskkunnskaper. Sånn har de det i Finnmark. Mange av oss som bor i oss som bor i Oslo, synes det er leit at vi mister vår lokalradio her, på FM-nettet. Komiteen viser også til at regjeringen er innstilt på å øremerke omtrent halvparten av bevilgningen til dagens støtteordning for lokalkringkasting til slike formål fram til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå. Komiteen støtter også forslaget i meldingen om å forlenge konsesjonene for lokalradioaktørene som fortsetter på FM-nettet, med fem år, slik at lokalradioene kan bruke sine ressurser på digitalisering framfor på en ny søknadsrunde for analog kringkasting. Jeg har ment – og jeg ønsker – at som har dekning i de nevnte områdene, som eier og drifter sine FM-nett uten kostnad for det offentlige, burde få fortsette på FM-nettet. Fremskrittspartiet har en stolt fortid når det gjelder norsk lokalradio og oppløsningen av NRK-monopolet. Det var den tidligere Høyre-regjeringen, med statsråd Lars Roar Langslet, som sto for dette. dette. Over 30 år senere skal det ikke være slik at jeg som ordfører for denne saken ikke skal være med på å nevne at dette kan virke som et rått parti for små lokalradioer i konkurransen mot de store, når vi slukker FM-nettet, og der flertallet Taletiden er ute. Da er det representanten Arild Grande.

å digitalisere det riksdekkende radionettet i 2017 eller 2019. Det var et bredt flertall på Stortinget som sluttet seg til de kriteriene i 2011. Nå har regjeringen gått gjennom disse kriteriene og konkludert med at kriteriene for å digitalisere det riksdekkende radionettet fra 2017 er oppfylt. Vi registrerer at det har kommet påstander om at vilkårene ikke er oppfylt, men vi forutsetter at regjeringen har gjort de nødvendige vurderingene og kvalitetssikret dette før de fremmet denne stortingsmeldingen. Dette innebærer at FM-sendingene fra de riksdekkende radioaktørene – Radio Norge, P4 og NRK – kan slutte etter en regionvis plan i løpet av

hvor vi ber regjeringen ta initiativ til å sikre en slik koordinering, og til at konsesjonene kan forlenges i tråd med dette, der det er nødvendig. Dermed fremmer jeg det forslaget. Så merker komiteen seg at det foreslås et forbud for ikke-kommersielle nisjeradioer med dekning i disse områdene, mot å videresende innhold fra andre aktører, eller samsende innhold med andre aktører. Her ber komiteen om at det vurderes å åpne for at Medietilsynet i særskilte tilfeller kan gi tillatelse til unntak fra dette forbudet – dette for å ivareta særlig de små Så viser komiteen til at digitalradiomeldingen gjaldt digitalisering av det riksdekkende radionettet, og at de minste lokalradioaktørene i utgangspunktet skulle få mulighet til å fortsette å sende på FM-nettet etter vedtatt slukkedato – dette fordi en overgang vil være økonomisk krevende for en rekke mindre ressurssterke lokalradioer som vil trenge noe tid til å tilpasse seg teknologiskifte. Det mener komiteen er et hensyn som det er viktig å ivareta. Derfor er vi glad for at det foreslås at konsesjonen forlenges med fem år for disse, men også for at regjeringen ønsker å øremerke en andel av Medietilsynets midler til lokalkringkasting, nettopp for å hjelpe de minste lokalradioene inn i Så har Kristelig Folkeparti fremmet et forslag i innstillingen der vi mener intensjonene kan være gode. Vi mener det er et godt grunnlag for at man bør vurdere hvorvidt den støtteordningen som foreslås, er stor nok. Men vi viser til at vi mener dette er et budsjettspørsmål, og at det er et spørsmål man må komme tilbake til i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet. Vi mener i alle fall at vi har et ansvar for å bidra til at de minste lokalradioene får muligheten – en reell mulighet – til å komme seg inn i den digitale tidsalderen. På samme måte mener vi at det er viktig å sørge for at det er garantert plass i DAB-nettet for små, ikke-kommersielle stasjoner. Derfor er vi tydelig på fra komiteens side at de ikke-kommersielle lokalradioene må sikres plass i Lokalradioblokka, og vi mener – som vi skriver i innstillingen – at Lokalradioblokka først og fremst bør forbeholdes dem som primært driver med lokalradio. Derfor støtter vi regjeringens holdning om at dette kan vurderes regulert i forbindelse med utlysning av anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka. For øvrig viser jeg til innstillingen. Jeg er glad for at

Denne saken er således litt annerledes, siden den er en konsekvens av valg som er gjort av storting før oss. Når regjeringen har fulgt opp det tidligere vedtaket om overgang fra FM til DAB gjennom å avklare tidspunktet for stenging av det nasjonale FM-nettet, gir det behov for andre avklaringer – derfor rammevilkår for lokalradio i samband med digitalisering av For regjeringen har det vært viktig å ta hensyn til flere forutsetninger når nye rammebetingelser skulle utarbeides. For det første må de mange små nærradioene rundt om i landet gis mulighet til å tilpasse seg den endringen som nå skjer. Det er heller ikke for dem noen stor nyhet at dette skjer, det var bare spørsmål om hvilket årstall det skulle skje. Det er likevel naturlig at disse radioene trenger noe mer tid, og vil ha god hjelp av noe overgangsstøtte for å få gjort de nødvendige endringer. Det er ivaretatt i saken. For det andre må det også være en kombinasjon av gulrot og et lite press for å få alle til å være med på den endringen som nå skjer. Det er også ivaretatt i saken. Noen av de aktørene som holder til i de store byene, og som dermed må slukke sine FM-nett samtidig med de nasjonale, har reagert på at de ikke lenger får drive de Det er imidlertid ikke noe nytt at det vedtas veivalg i den nasjonale politikken som berører eksisterende løsninger hos aktører. Slik vil det være innenfor de fleste politikkområder. Igjen må jeg minne om at dette ikke er en nyhet som dukker opp nå, men et vedtak som man har kunnet forholde seg til fra 2011, og med tidshorisont fram til 2017 eller 2019. Det er vel også derfor de aller fleste av de stasjonene dette gjelder, allerede er på DAB og/eller nett med sine sendinger. Ønsket om å gi mest mulig like vilkår for aktørene som konkurrerer om både lyttere og støttespillere i samme område, er bakgrunnen for at også de lokale må følge overgangen til DAB. Det er en god løsning. At de store byene gjennomført går over til digital formidling, vil også være en god pådriver for de andre nærradioene rundt om i landet. DAB-nettet både nasjonalt og regionalt vil gi lytterne lydmessig kvalitativt gode sendinger over hele landet. Dekningen på det nasjonale nettet er allerede bedre enn FM-nettet, og det bygges videre ut. Komiteen har i sin behandling påpekt viktigheten av at det er god framdrift i utbyggingen av DAB i tunneler, slik at ikke sendinger brytes under bilkjøring. I tillegg til at dette vil gi et godt tilbud til publikum, vil det også ha et trafikksikkerhetsmessig aspekt. Det er viktig å beholde et mangfold av aktører i radiotilbudet. Overgangen til DAB vil gi langt større mulighet for lokalradioer til å nå ut i hele sin region. Det er plass til mange aktører, og de vil nå et større publikum gjennom større regional dekning. Når vi nå gir disse radioene konsesjon for FM-sendinger i fem år, håper jeg at mange bruker tiden godt for å legge om og så tidlig som mulig bli en del av det nye og gode DAB-nettet. Oppsummert må jeg si at de rammebetingelsene som vi nå vedtar, gir nærradioaktørene i de store byene en rettferdig og god løsning og de andre radioene rundt om i landet en romslig og raus overgang, med både god tid og økonomiske incentiver. I salen er det fremmet et forslag som presiserer et premiss for overgangen i de store byene. Lokalradioene der må få holde sine FM-sendinger i gang fram til de nasjonale i samme regionen skal stenges. Konsesjoner må tilpasses dette. Jeg har forstått det slik at dette har vært departementets mening hele tiden, men siden det ikke kommer klart nok fram i saken, er det selvsagt helt kurant å understreke dette. Høyre støtter dette forslaget. Nordmenn er raske og flinke til å ta i bruk nye digitale løsninger og duppeditter. Det er spennende. I dag legger vi til rette for at alle radioaktører skal kunne nå alle disse moderne brukerne. Dette er også et viktig skritt ut fra beredskapshensyn. Det gir nye muligheter til kommunikasjon med hele befolkningen når det trengs. Så er det bare å vente på hvilken ny og mye bedre løsning for radiolytting som kommer i framtiden. Uansett er den nok i vår tid digital og krever mye kapasitet. Mens vi venter, er DAB en god løsning.

før man kunne gå til avstenging av FM-båndet, og at departementet har kvalitetssikret disse før meldingen ble lagt fram. Det er også grunnen til at Kristelig Folkeparti ikke kommer til å støtte de to forslagene fra SV som er fremmet i saken i dag. Denne vurderingen forutsetter vi at Kristelig Folkeparti har lenge prioritert digitalisering av radio. Det har vi gjort fordi digital radio gir lytterne adgang til langt flere kanaler. I dag mangler store deler av Distrikts-Norge tilgang, og det betyr at folk i distriktene har et dårligere tilbud enn folk i sentrale strøk. Dermed vil utviklingen mot en digital radio gi oss et mer likeverdig tilbud over hele landet. Så er denne meldingen ment å skulle sikre de mindre aktørene, nemlig lokalradioene, fortsatt gode levevilkår i årene framover. Det er et tilbud som vi er opptatt av å ivareta. I det store og hele mener jeg meldingen gir gode løsninger på nettopp dette. Også høringen viste en rimelig stor grad av enighet om de tiltakene som foreslås, selv om det er enkeltpunkter det er uenighet om. Vi mener det er positivt at regjeringen foreslår å forlenge konsesjonene for lokalradioaktørene som fortsetter på FM-nettet med fem år, slik at lokalradioene kan bruke sine ressurser på digitalisering framfor på en ny søknadsrunde for analog kringkasting. Vi støtter også det å oppheve regelverket for ikke-kommersielle lokalradioaktører i områder hvor lokalradioaktørene får fortsette på slik at disse får en mulighet til å forbedre sin økonomi og får mulighet til å gjennomføre et teknologiskifte. Fra vår side har vi valgt å understreke viktigheten av gode økonomiske rammer for den digitaliseringen som lokalradiostasjoner nå skal Vi har merket oss at regjeringen vil øremerke omtrent halvparten av bevilgningene på dagens støtteordning for lokalkringkasting til å støtte lokalradioene i overgangen til DAB fram til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå. Vi er opptatt av at digitaliseringen ikke skal ha en negativ effekt på de mindre lokalradioene. Dagens tilskudd går bl.a. til tilskudd til forbundene, programvirksomhet, kompetansehevende prosjekter og utviklingsprosjekter. Midlene er derfor viktig for å muliggjøre det gode og allsidige tilbudet som gis rundt om i landet. Så dette handler ikke bare om bekymring for om det er nok midler, men når halvparten av denne potten skal brukes til en overgangsstønad, betyr det at halvparten av det som var ment å skulle gå til bl.a. kompetansehevende tiltak, nå blir borte. Det er vår bekymring. Vi er bekymret for om disse viktige oppgavene kan opprettholdes dersom halvparten øremerkes, slik regjeringen foreslår. Derfor har vi fremmet et forslag om å be regjeringen vurdere både om beløpet er tilstrekkelig, og om støtteordningen kan finansieres på en annen måte enn å bruke støtteordningen for lokalkringkasting, støtteordningen for lokalkringkasting, og ber regjeringen om å fremme sak for Stortinget på en egnet måte. En av høringsinstansene syntes jeg oppsummerte denne saken på en veldig god måte: Det er små lokalradioer i dette landet som trenger et håndslag fra myndighetene. For de lokalradioene som ønsker å være med på en framtidsrettet industri, men som ikke kan løfte et teknologiskifte på bistå med støtteordninger i en overgang. Dette vil hjelpe den enkelte lokalradio, men også hele radioindustrien. Jeg tar opp det forslaget som Kristelig Folkeparti har fremmet i innstillingen, og jeg vil også signalisere at vi støtter det omtalte løse forslaget fra Arbeiderpartiet som er fremmet i

må få mulighet til å håndtere denne utfordringen og denne omstillingen på en fornuftig måte. Det trengs rett og slett tid for noen av de minste til å kunne tilpasse seg det teknologiskiftet som vi står overfor. Derfor er det viktig at de minste radioaktørene også får mulighet til å fortsette å sende på FM-nettet etter vedtatt slukkedato. At regjeringen foreslår å forlenge konsesjonene på FM-nettet for lokalradioaktører med fem år, positivt og et ledd i den tilpasningen og den omstillingen som de minste trenger. Senterpartiet har også merket seg at halvparten av bevilgningen på dagens støtteordning for lokalkringkasting skal kunne øremerkes til utbygging av DAB-nett for mindre aktører, men Senterpartiet er nok, i likhet med Kristelig Folkeparti, bekymret for om de oppgavene som dagens tilskudd går til, kan bli skadelidende dersom halvparten av midlene skal øremerkes til DAB. Senterpartiet kommer derfor til å støtte Kristelig Folkepartis forslag om også å se på andre finansieringsmåter. Senterpartiet deler også flertallets syn på at DAB må bygges ut i tunneler så raskt som mulig, og prinsipielt at radiostasjoner som er tilgjengelig utenfor tunneler, også skal være tilgjengelig i tunnelene. Det kan være viktig av beredskapsmessige hensyn og også når det gjelder prinsippet om lik behandling.

Senterpartiet kommer også til å støtte Arbeiderpartiets løse forslag, som jeg nå forstår støttes av en samlet komité, men vi kommer ikke til å støtte SVs forslag i saken. Eg er DAB-brukar, og eg kjenner historia i denne saka godt, for å seie det

ikkje var flytta over. Det var ikkje over halvparten som var på digitale plattformer. No er talet 51 pst., så vi bikkar akkurat over – 51 pst. på digitale plattformer, ikkje på DAB-radio, men på DAB eller på appen på mobilen, via Get-boksen, iPad-en eller jobbmaskina si. Det er ein av grunnane til å vere usikker på om det verkeleg er ein god idé å stengje FM-nettet når det etter er den mest vanlege måten å lytte på radio på i Noreg. Kvar politisk avgjerd må halde vatn fire år seinare, og spesielt når det gjeld ein marknad med ein teknologi som utviklar seg så raskt som radio. Er premissane og kriteria vi sette for stenging av FM-nettet i 2011, like riktige i dag? Det er grunn til å stille spørsmål om det. Det vi veit, er Det vi veit, er at sterke og uavhengige aktørar som IKT-Norge, med digitalisering av Noreg som sitt mandat, er klokkeklare i sin tale om ikkje å gjere det. Vi veit at ei rekkje land rundt oss vel å snu. Seinast denne veka kom ei pressemelding der det framgjekk at Sverige justerer kursen, i Danmark er situasjonen uklar, og i Storbritannia har allmennkringkastaren BBC fått pålegg om å sende på FM-nettet. Vi har ikkje eit klart bilete av kva dette har av kva dette har å seie for forbrukarane. Kva kostar det ein gjennomsnittleg familie med to klokkeradioar på nattbordet, ein på kjøkenet, ein på badet, ein i bilen og kanskje ein på hytta å byte dei ut? Vi veit at FM-nettet har ei landsdekning på over 90 pst., og at kravet vi stilte for DAB, ikkje var landsdekning, men 90 pst. befolkningsdekning. Kva vil det ha å seie for bilstrekningar, hyttefelt at det bør sitje langt inne for politikarar å ta teknologiske val på vegner av forbrukarar og aktørar. Dei fleste av dei store spranga for forbrukarane kjem ved at ein ny teknologi vert introdusert, og at forbrukarane raskt vel å omfamne han fordi han er overlegen og økonomisk tilgjengeleg. I dette tilfellet har vi å gjere med ein tilgjengelig og billeg type radio som vi vil forsøke å presse på resten av forbrukarane fordi det har gått veldig langsamt med overgangen. Samtidig: DAB er i stor grad utbygd, det tilbyr ein meirverdi, fleire kanalar og god lyd når ein har lyd. Eg er den siste som vil stå i spissen for eit politikkskifte som vil påleggje vår allmennkringkastar NRK uventa ekstrautgifter i ei tid der mediebransjen står overfor si kanskje mest utfordrande tid. Men vi veit òg at det finst mindre lokalradiokanalar som har investert, har lagt sjela si i å drifte sine eigne FM-nett i mange av dei aktørane ropar og ber oss bremse, og at dei fryktar at dei vil kome til å bukke under for store, mektige medieaktørar. Vi veit òg at det ikkje manglar på ekspertar både her i Noreg og internasjonalt som åtvarar oss, som seier at politikarar ikkje må styre teknologiplattformer med tvang i ei verd som rasar av garde, der vi diskuterer 5G før 4G er ferdig utbygd utan at vi heilt har ein definisjon på kva det er enno. Vi har ein mediekvardag der vi kan klikke oss inn på favorittradioprogrammet vårt

Norge er dermed det første landet i verden til å gjennomføre teknologiskiftet. Det er flere grunner til at Norge er først: For det første er FM-nettet svært kostbart å drifte i et langstrakt fjelland med spredt bosettingsmønster, for det andre har vi i Norge et radiomarked preget av god konkurranse, høy Radiomediet er i vekst, og tall fra Norsk mediebarometer viser at det norske folk ikke har hørt så mye på radio siden 1994. En av de viktigste forutsetningene har likevel vært at vi har fått til et unikt samarbeid om digitaliseringen mellom alle aktørene i markedet for riksdekkende radio. Her har P4, Radio Norge og NRK dratt sammen. At digitaliseringen har vært mulig, skyldes også tillitsforholdet mellom markedsaktørene og politiske myndigheter. Ved digitalradiomeldingen ble det fastsatt klare kriterier og en klar plan for å gjennomføre teknologiskiftet. Det har gjort det mulig for aktørene å foreta store investeringer i tillit til at norske politikere holder ord. I en medievirkelighet hvor radiomediet utfordres fra musikkstreaming, podkasting og andre digitale tjenester, innebærer digitaliseringen en stor satsing på radiomediet, og det viser at markedet har tro på at radio også i framtiden vil være et svært viktig medium. I digitalradiomeldingen ble det forutsatt at de fleste og minste lokalradioaktørene skulle få lengre tid til å foreta teknologiskiftet, men at større kommersielle lokalradioer gjør teknologiskiftet samtidig med Radio Norge og P4. Istedenfor å konkretisere hvilke kategorier lokalradioer som skal få fortsette på FM, la digitalradiomeldingen opp til at departementet i 2015 skulle komme tilbake til Stortinget med saken.

22 av disse 23 storbyradioene sender allerede i dag på DAB, til tilsvarende priser som i FM-nettet. Også den siste radioen vil få mulighet til å sende i DAB-nettet. Storbyradioene slipper derfor utgifter til dobbeltdistribusjon etter at teknologiskiftet er gjennomført. Det er flere fordeler med skiftet. I FM-nettet er det plass til en håndfull lokalradioer i hvert område, mens på DAB vil det være plass til mellom 15 og 20 lokalradioer som sender 24 timer i døgnet i hver region. Det økte mangfoldet i nettet åpner for en betydelig liberalisering av rammevilkårene for lokalradiosektoren. Jevnlige søknadsrunder med såkalte skjønnhetskonkurranser erstattes Myndighetspålagte innholdskrav er opphevet. Dette innebærer fjerning av etableringshindre, mindre byråkrati, lavere driftskostnader for radioene og at aktørene i radiobransjen kan ha fullt fokus på å gjøre det de er best på, å lage godt radioinnhold.

Formålet med dette er at det ikke skal gjelde strengere regler for lokalradioene i FM-nettet enn for lokalradioer i DAB-nettet. Regjeringen legger videre opp til å øremerke omtrent halvparten av midlene fra denne støtteordningen som skal kunne gå til digitalisering av lokalradiosektoren. Det blir replikkordskifte. Det

enn å stole på at regjeringen og Medietilsynet, som har foretatt denne evalueringen, både har gjort de nødvendige vurderingene og har kvalitetssikret dem. Jeg hører hva statsråden sier fra talerstolen, men like fullt rettes det spørsmål knyttet til andelen som lytter på DAB. Derfor vil jeg gjerne høre statsråden en gang til forsikre Stortinget om at alle de vilkårene som ble stilt i 2011, nå er oppfylt, og at Stortinget på den måten kan føle seg trygg på at man fatter det riktige vedtaket om slukking i 2017. Det var veldig klare kriterier som ble satt da denne meldingen ble vedtatt i Stortinget sist, vi har altså fått mulighet til å gå igjennom de kriteriene for å se om de faktisk er nådd, og det er de. Det var fem klare kriterier som var satt. Det var fem klare kriterier som var satt. Det var et absolutt kriterium, nr. 1 og nr. 2, om befolkningsdekning. Det er innfridd. Kriteriet om befolkningsdekningen innebærer at NRK må nå like mange på DAB som P1 i dag gjør på FM. Så må DAB-nettet for kommersiell riksradio nå minst 90 pst. av befolkningen. Dette tilsvarer dekningskravet i Radio Norges FM-konsesjon. Befolkningsdekningen er basert på

Men det er jo ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet var imot denne meldingen da den ble behandlet i Stortinget i sin tid, og de har også i innstillingen gitt uttrykk for at de er imot. Men det er ikke noe å legge skjul på at regjeringen står helhjertet bak – det skulle bare mangle! Men jeg registrerer at det er andre som også var for dette da det var oppe til behandling i 2011, bl.a. som sagt SV, som satt i regjering den gangen, som nå altså har betenkninger. Så det kan skje at folk endrer synspunkt. Jeg har også registrert at Arbeiderpartiet i ulike politiske spørsmål har endret synspunkt når de kommer i opposisjon, Takk for svaret. Men det er altså grunn til å få en forsikring – at statsråden forsikrer oss om at regjeringen står bak. Det er heller ikke fremmet noe avvikende forslag fra Fremskrittspartiet i denne salen, og det må vi jo tolke som at Fremskrittspartiet i Stortinget er enig med Fremskrittspartiet i regjering. Så oppfatter jeg – og håper statsråden kan bekrefte det – at det ikke er

at den innovasjonskraften, ikke minst innenfor programskaping og programutvikling, vil bli skadelidende når denne potten faktisk halveres i forhold til hva den var ment å skulle brukes til? Nei, jeg er ikke bekymret for det. Jeg mener dette er en god

Bård Vegar Solhjell

enn DAB-radio og inkluderer ei rekkje andre måtar ein kan lytte på radio på. Nokre av dei trur eg er ganske vanlege blant folk. Så lat meg stille spørsmål til statsråden: Har departementet ei kvalifisert oppfatning av kor stor del av befolkninga som lyttar på DAB-radio heilt spesifikt?

Det har jo vært en nøytral instans som har vurdert dette, og ikke det politiske Kulturdepartementet. Og så har jo det positive vært at trenden har snudd – i Norge er det faktisk flere og flere som lytter på radio. Trenden har snudd i løpet av de siste 20 årene. Det skyldes antageligvis at tilbudet er blitt mye bedre, det er blitt mange flere som produserer … Eg er klar over det, for det står i meldinga, og eg er klar over kriteriet, for det var eg med på å setje. Men det var ikkje det eg spurde om. Det eg problematiserte, som ein kan seie at det òg opphavleg var grunn til å problematisere, var at det kravet vi sette, Men det var ikkje det eg spurde om. Det eg problematiserte, som ein kan seie at det òg opphavleg var grunn til å problematisere, var at det kravet vi sette, var digitale plattformer generelt, og DAB-radio er ei spesifikk digital plattform, ei veldig vanleg ei, men eg har inntrykk av at å lytte på iPad-en og telefonen òg er veldig vanlig. Eg meiner det er litt interessant å vite meir spesifikt kor vanleg det er, og derfor spurde eg – eg veit ikkje om eg veit ikkje om statsråden skjønte spørsmålet – om ein har ei kvalifisert oppfatning, om ein har tal som viser det. For eit av forslaga vi har fremja, er rett og slett å finne ut dette – det vil vere nyttig informasjon, vil eg seie, for alle aktørar og for samfunnet å få fram. Så igjen spør eg: Har Kulturdepartementet den typen informasjon i dag, og viss ikkje, kunne ein ikkje gjere ein jobb for å få det fram, rett og slett? Det er sikkert mange ting man kunne ha funnet ytterligere svar på, men Stortinget vedtok altså i

De kriteriene har man fått innfridd, og det er det som er bakgrunnen for at vi har foreslått at det kunne foretas slukking allerede i 2017, og at vi ikke skulle vente til 2019. Det minner meg om at da en i vedtaket i Stortinget sa vilkårene måtte være innfridd, var dette en forutsetning for at slukkingsvedtaket skulle foretas i 2017 – eller om en skulle vente til 2019. Og så minner jeg igjen om at det er en positiv trend i Norge – enda flere av oss lytter på radio. Det er positivt. I dag er det altså 200 000 flere som lytter på P1+ enn det det var tidligere. Det er et positivt signal om at det er flere og flere som også er interessert i å lytte på radio. Men kriteriene er innfridd, og det er det som ligger til grunn for vårt vedtak.
som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Jeg er glad for forslaget fra Arbeiderpartiet. Det hadde blitt merkelig hvis vi skulle stenge lokalradioene i byene før vi stenger de store stasjonene, så det støtter vi også. SV har snudd i denne saken, eller de ønsker i hvert fall flere opplysninger, som de hadde hatt muligheten til å skaffe seg fram til i dag. Det er ikke noen tvil om at et av kravene – som også kulturministeren sier – er ikke DAB-lytting, men det er digital lytting. NRK sa på høringen i denne saken at skal vi lykkes, så må vi stenge FM-nettet, og vi må få flere over på digital lytting. Det var klare ord fra NRK. Fremskrittspartiet ønsker seg også digitalisering. Vi har tro på dette internettet som mange har vært skeptiske til før. Jeg er en digital lytter, jeg er en DAB-lytter, jeg er en FM-lytter, og disse lyttingene er avhengig av hvor jeg er, og når jeg gjør det. Det Fremskrittspartiet har kjempet for i fem-seks år, år, er at vi ikke skal stenge FM-nettet, en sak som vi nå har forstått at vi har tapt. Men vi skuler med glede over til Sverige, vi skuler med glede over til Danmark, og vi ser at de velger ikke å gjøre det samme. Vi får håpe noen svensker og noen dansker kjøper seg biler med DAB så de, når de kommer og besøker landet, har mulighet til å lytte på disse gode radiokanalene vi har i Norge. Det er stilt en del spørsmål i denne saken, og vi har fått en del henvendelser om svar som ikke har vært helt klare, og som heller ikke har blitt besvart i salen her i dag. Hvorfor skal lokalradioer i storbyene stenges før lokalradioene i resten av landet? Det betyr jo at vi som bor i storbyene, får et dårligere Så er det også andre spørsmål som er stilt: Hvorfor skal Stortinget kunne beskytte de store mot konkurranse? De store er antageligvis NRK og P4. Og: Hvorfor mener Stortinget at alle konsesjonærer som eier og drifter sine FM-anlegg uten kostnader for det offentlige, ikke må få lov til å kunne fortsette på FM-nettet? Ja, disse spørsmålene er stilt. SV hadde mange nye spørsmål – ikke noe nytt. For oss som har vært med i debatten i fire-fem år nå, er det ikke noe nytt som kommer fra SV i denne saken. Når denne saken ble debattert i forrige periode, var alle de temaene som SV har tatt opp nå, en del av temaene i

det flyttes. Det er veldig godt å høre at de som rammes av dette umiddelbare FM-forbudet i 2017, er på plass på nye plattformer, slik at de også er tilgjengelige der. Når det gjelder forslag nr. 3, fra SV, er det slik at statsråden har presisert en så grundig og systematisk gjennomgang og ser at det er reelle tall, og at det er riktige opplysninger. Det har vi tillit til, derfor støtter vi ikke det forslaget. Når det gjelder forslag nr. 4, fra SV; så skjønner jeg interessen for å se hvordan utviklingen er, om det er DAB eller andre digitale løsninger. Det har derimot ingenting med stengingen av FM å gjøre, og derfor synes ikke vi det er relevant her, men det er et veldig relevant spørsmål for de nærradioene som nå skal gjøre endringer. Jeg har sagt det før og sier det gjerne igjen: Jeg vil tro at for mange av dem er det naturlig å tenke på om de skal gå til nettløsninger istedenfor til DAB. Men vi har altså både med offentlig og andre aktører brukt store penger på å bygge ut DAB-nettet på bakgrunn av et vedtak i Stortinget. Det må vi også respektere. DAB-nettet er etablert, det er brukt store penger på å få det på plass, og nå er det det som blir plattformen inntil vi ser hvordan det utvikler seg framover. Da er spørsmålet fra SV relevant. Akkurat i denne saken synes vi ikke det hører hjemme, men det blir spennende å følge det i tiden framover.
Bård Vegar Solhjell

Men vi har kome i den situasjonen at i motsetning til mange andre teknologisprang, så har det ikkje vore den heilt store interessa for det, verken der ute i andre land eller her, og no skal vi då kanskje vedta å stenge ned FM-nettet for å få det til å skje, fordi det vil vere veldig bra for nokon aktørar. Det finst det gode argument for, og så finst det – kva skal eg seie – gode argument mot òg, som eg synest er verdt å ha med seg. For min del har eg ikkje snudd, men eg er sterkt i tvil om det er ei klok avgjerd «in the end». Det er derfor vi har fremja to forslag. Det eine er eit forslag om at vi grundig går gjennom det ein gong til. Det kan eg forstå, med dei standpunkta dei fleste partia har, at ein stemmer imot. Når det gjeld det andre, om DAB, så oppfattar eg at Når det gjeld det andre, om DAB, så oppfattar eg at representanten Harberg skjønte poenget heilt. Eg er litt usikker på om statsråden skjønte det, for eg har skjønt at det ikkje er det som ligg i kriteria. Kriteria er digitale plattformar, ingen er i tvil om det, men å vite kor mange som faktisk høyrer på DAB, må jo ha relevans for absolutt alle aktørar i den marknaden her. Om ein no vel å stemme imot det, får eg respektere det. Men det må jo vere av offentleg interesse og interesse for departementet å ha kunnskapen, så viss ein ikkje i det materialet ein har, eingong har den bakgrunnskunnskapen, så vil eg iallfall sterkt oppmode om å skaffe seg den, ikkje minst fordi det for mange vil vere viktig å vite på både kort og lang sikt kor ein skal utvikle dei store, tunge satsingane på radiotilbod framover.
Da er det representanten Arild Grande.

fordi dette også kan være med og hjelpe radiokanalene til å forstå bildet når det gjelder hvordan man skal sikre at folk blir med over, og ikke minst at de små lokalradioene blir med over på en forsvarlig og god måte. En oppfordring til statsråden – jeg ser hun har tegnet seg som neste person på talerlisten – kan være eventuelt å komme tilbake til Stortinget, f.eks. i statsbudsjettsammenheng, med noen opplysninger knyttet til det, uten at det skal være noe som er en del av denne diskusjonen. Men det kan være nyttig informasjon å ha med seg. Så vil jeg minne om at det fortsatt er en stund igjen fram til 2017, og den utviklingen vi har sett på området så langt, koblet sammen med at vi ser at kriteriene som ble stilt i digitalradiomeldingen, nå er oppfylt, gjør oss trygge på at vi kommer til å være på riktig plass når man begynner å slukke FM-nettet fra 1. januar

Samtidig pågår det utbygging av DAB-nettet den dag i dag, og det skal det gjøre helt fram til slukkingen av FM-nettet setter i gang i 2017. Blant annet er det planlagt to nye store, sterke sendere i Oslo- og Akershus-området, som skal bidra ytterligere til bedre dekning, sånn at er det huller i dag som bør tettes, føler jeg meg trygg på at aktørene sørger for at det skjer. Så registrerer jeg med glede at også representanten Ib Thomsen erkjenner at Internett har kommet for å bli. Jeg føler meg dog mer usikker på, når jeg hører retorikken fra Fremskrittspartiet, om de har det synet også på regjeringsdeltakelse: at Fremskrittspartiet har kommet i regjering for å bli.

for nettopp å få på plass en støtteordning også for digitalisering av lokalradio i distriktene. Det er vanskelig å spå om framtiden, men nesten alle aktørene i radiomarkedet synes åpenbart det er svært viktig å være til stede på DAB. Så mener jeg at det gir veldig sterke indikasjoner på at satsing på DAB-teknologien har noe for seg. Da er det kanskje bedre å stole på markedsaktørene enn på politikerne og bedre å stole på markedsaktørene enn på politikerne og byråkratene, tenker jeg. Jeg har bare lyst til også å knytte en kommentar til det som har vært oppe med hensyn til TNS Gallup, og de tallene som det vises til. Jeg mener den problemstillingen og det spørsmålet som blir stilt, ikke er så veldig relevant. Nå husker ikke jeg alle de tallene i detalj, men jeg mener at DAB er den klart viktigste plattformen, som flest lytter Så tror jeg også det er viktig at det er satt veldig mange kriterier. Vi har utrolig mange tall som kan dokumentere hvor mange som i dag lytter i bil, og hvor mange som lytter hjemme. Blant annet utgjør lytting i bil 23 pst. av den samlede radiolyttingen, mens 77 pst. av lyttingen foregår hjemme. 20 pst. av bilparken i dag er f.eks. digital – av totalt 2,6 millioner biler. biler. Det betyr jo at det vil være veldig mange biler som må konvertere til dette innen 2017. Så er det også sånn at de 20 mest solgte bilmodellene har DAB som standard- eller tilleggsutstyr, for å nevne noe. Det er masse informasjon som vi kan ta fram og videreformidle, men jeg mener at de hovedkriteriene som Stortinget den gangen satt, og som er klart innfridd, innfridd, er det som må være målet. Det er tross alt veldig mange av de kommersielle aktørene – viktige kommersielle aktører, også NRK – som har investert utrolig mye i dette fordi de trodde på politikerne. De kriteriene som ble satt, er innfridd, og da mener jeg det er grunnlag for at man også konkluderer slik et stort flertall i Stortinget i dag gjør. Svein Harberg har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. I vår digitale verden er det Harberg har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. I vår digitale verden er det hjelp å få, og derfor er jeg veldig glad for at jeg kan gi et svar til Solhjell. 39 pst. av de daglige radiolytterne hører via DAB i dag, 18 pst. via Internett og 11 pst. via en kjapp i hodet, finner en ut at det er 56 pst., men det er nok noen som er på flere plattformer her. Det viser altså at DAB er i god vekst. Bård Vegar Solhjell har også hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

at dei ikkje omfamnar denne nye teknologien i same farten som vi ønskte. Derfor har vi politikarar vedteke ei stenging, lagt rammevilkår som dei store aktørane ønskte, og lagt eit løp som dei har stolt på. Dermed har radioaktørane gått over på det, mens forbrukarane har hengt litt igjen. Så dette er ei politisk styrt avvikling, som har gode argument,

satses det nå på DAB, mens det i Storbritannia, Sverige og Danmark også arbeides med planer for slukking av FM-nettet. Så det er faktisk sånn at det er andre, bl.a. våre naboland, som satser på DAB, og som også jobber med konkrete planer for slukking. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra helse- og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

Målet med fusjonen var jo at de regionale foretakene skulle få en bedret samordning av fagpersonell, riktigere bruk av areal, medisinsk utstyr, teknologi og støttefunksjoner. Riksrevisjonens rapporter, revideringer og kontroll med foretaket og prosessen har stadfestet flere ganger at det ikke var tatt hensyn til økonomiske rammer, at sykehusene var spredt i Oslo, at sykehusene hadde ulike og at enkelte omstillinger var avhengig av at andre var gjennomført. Helse Sør-Øst har igangsatt en rekke prosjekter for å evaluere prosessen. De har også igangsatt et arbeid med å kartlegge kapasitetsbehovet i Oslo og Akershus på kort og lang sikt. Oslo universitetssykehus gjennomfører nå prosjektet Idéfase Oslo universitetssykehus for å få et godt grunnlag for videre utvikling av sykehuset fram mot Arbeidet inkluderer behovet for oppgradering av bygg og planer for nye bygg. Resultatene av begge disse arbeidene skal legges fram for styrene i desember 2015. Flertallet i komiteen mener det er for tidlig å konkludere på konkrete løsninger, og at det ikke er riktig å starte med bevilgninger til prosjekter som ikke er utredet, slik Sosialistisk Venstreparti ønsker. Det skaper presedens og forrykker hele prosessen rundt beslutning om finansiering av sykehus. Flertallet mener også at det ikke er riktig å gripe inn i utredningsprosesser, som Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker. Det er ikke riktig å overstyre det ansvar som er tillagt Oslo universitetssykehus. Prosessene skal kunne gi det faglige beslutningsgrunnlaget for framtidige avgjørelser, og det er galt, etter flertallets mening, å gripe inn og overstyre det ansvaret som sykehuset faktisk har. Dette kan få betydelige faglige og økonomiske konsekvenser som ingen har oversikt over nå. Det registreres at et alternativ med samling av Oslo universitetssykehus på ett areal etter en høringsrunde er lagt vekk, og flertallet i komiteen er tilfreds med det.

av foretaket framover, og det er positivt, mener komiteen, at det også skal utredes organisering av kreftområdet. Det er realistisk å tenke seg at utviklingen vil skje i etapper med flere enkeltprosjekter som må planlegges innenfor en helhetlig ramme og retning. De økonomiske konsekvensene av de ulike alternativene er det viktig å få belyst. De kartlegginger som Oslo universitetssykehus har gjort, viser at videreføring av driften på dagens lokasjoner er det dyreste alternativet. Når det gjelder vurdering av kapasitetsbehovet i Oslo og Akershus, er flertallet i komiteen opptatt av at det skal vurderes tiltak på kort og mellomlang sikt, som sikrer trygghet og forutsigbarhet i sykehustilbudet, og at ledig kapasitet brukes på Aker, Diakonhjemmet og Lovisenberg. Komiteen er kjent med at vurderinger rundt det framtidige lokalsykehustilbudet inngår i idéfasen til Oslo universitetssykehus, og at bruken av Aker sykehus også vil bli vurdert. Statsråden har tidligere sagt i Stortinget at det ikke er gått prestisje i ikke å bruke Aker sykehus. Avslutningsvis vil jeg understreke at det i lang tid framover vil foregå drift på dagens eksisterende sykehus. Det er helt nødvendig å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag med god forankring både internt i organisasjonen og blant eksterne interessenter for den videre utviklingen av Oslo

OUS, har mange funksjoner. Det er både lokal- og områdesykehus for Oslos befolkning og regionsykehus – i tillegg til at man har spesialiserte nasjonale oppgaver. Ledelsen ved OUS har satt i gang en viktig prosess for å utvikle sykehuset fram mot 2030. Prosjektet Idéfase Oslo universitetssykehus, som også saksordføreren nevnte, skal utrede behovet både for nybygg og rehabilitering av gammel bygningsmasse, og de skal se på mulige ulike lokasjoner for OUS og vurdere kapasitetsbehovene på kort og lang sikt. Arbeiderpartiet ønsker ikke å stoppe denne prosessen, og vi slutter oss derfor ikke til det forslaget som foreligger. Det er svært viktig at man ikke stanser utviklingsprosessen for sykehusene i hovedstaden. Vi vet at Oslo er en av de byene i Europa som vokser raskest. Byens befolkning trenger å vite at helsetilbudet i regionen er dimensjonert for dette, og at innbyggerne kan ha et godt tilbud, både på kort og lang sikt. I denne prosessen er det også viktig at man har vedtatt å utrede et nytt lokalsykehus i Oslo, spesielt knytta opp mot den store befolkningsveksten øst og sør i byen, og også en storbylegevakt. I dette arbeidet er det svært viktig at prosessen forankres i og ledes av Oslo kommune. Vi har notert oss at samling av Oslo universitetssykehus på ett areal er lagt vekk av styret ved OUS, etter innspill fra mange av høringsinstansene. Istedenfor ser man på flere andre alternativer, bl.a. delvis samling på Gaustad sør. Dette tar vi i komiteen til orientering og etterretning. Arbeiderpartiet vil understreke at det er behov for en snarlig løsning på kort og mellomlang sikt for å løse kapasitetsutfordringene ved lokalsykehusene i Oslo. Vi har notert oss at helseministeren i brev til helsekomiteen peker på at utredningene av den samla kapasiteten i Oslo og Akershus blir lagt fram i desember. Vi legger til grunn at helseministeren følger dette arbeidet nøye. Vi har notert oss at det er bekymring knytta til kapasiteten ved det tilbudet som gis til pasienter som tidligere sognet til Aker sykehus, men som i dag hører inn under Akershus universitetssykehus, Ahus. Her må man vurdere å sette i gang tiltak for å løse de utfordringene. Det er viktig å se på mulig samarbeid med andre sykehus ut fra behovet for supplerende kapasitet. Her er nevnt både Diakonhjemmet, Lovisenberg og Aker sykehus som mulige samarbeidspartnere. For øvrig er det viktig å understreke at Aker sykehus i dag er i drift som et samhandlingssykehus, med helsetjenester både i regi av OUS og Oslo kommune, herunder poliklinisk behandling for Sunnaas sykehus samt akuttilbud innen rus. Derfor er det vanskelig å se for seg at forslaget om å gjenåpne Aker som lokalsykehus for Oslo øst er realiserbart eller ønskelig. Derimot er vi enig i at man løpende bør vurdere om Aker sykehus, i tillegg til nåværende aktivitet, kan bidra til å avlaste situasjonen på kort sikt med tilbud om lokalsykehusfunksjoner for pasienter i Oslos østlige bydeler. Målet må være å sikre pasientene forutsigbarhet for hvilket lokalsykehus de sogner til, dersom flere sykehus må tas i bruk for å dekke behovet for innbyggerne. Arbeiderpartiet mener at prosessen for OUS er inne i et spor som ser positivt og bra ut. Vi tenker det er viktig å understøtte det arbeidet som pågår, og legger til grunn at statsråden følger arbeidet nøye, og at Oslo kommune er tett på prosessene knytta til lokalsykehus og storbylegevakt. Arbeiderpartiet støtter ikke det foreliggende representantforslaget, men har fremma et eget forslag som flere partier er med på, og som ble referert til av

Fremskrittspartiet registrer at disse partiene nå i sine merknader erkjenner dette. Mangel på planer og konsekvensutredninger gjorde at bl.a. overflytting av en rekke pasienter til Ahus over natten skapte nærmest kaotiske tilstander. Men helseministre som kom og gikk i denne perioden, hadde til enhver tid tillit til at dette skulle gå bra. Når man nå har satt i gang et helhetlig arbeid med å se på behovet i dag og i tiden fram mot ved å se på både nåværende bygg og behovet for nye bygg, vil de samme to partiene stoppe dette. Jeg skal være ærlig på at også jeg er bekymret når man bruker store midler på utredninger og planer, men historien har vist oss at mangel på slik grundighet koster mer. Oppstarten av Idéfase Oslo universitetssykehus med mandat og forutsetninger ble gjort mens Senterpartiet og SV satt i regjering. Man må kunne forutsette at kostbare utredninger som settes i gang, blir fullført for å kunne gi noen svar, framfor å stoppes midtveis og dermed få minimalt ut av det arbeidet som er nedlagt. Det hører også med til historien at arbeidet som pågår, ser på tre forskjellige alternativer. Det er helseforetaket selv som sitter med ansvaret for å skaffe tilveie et beslutningsgrunnlag som gjør at endringer som blir gjort, blir gjort til beste for pasientene og samfunnet for øvrig. Flere av forslagene fra Senterpartiet og SV vil bli svart på gjennom den prosessen som nå foregår, noe som gjør det enda mer underlig at man ønsker den stoppet. Dog er Fremskrittspartiet fornøyd med at man har skrinlagt alternativet som innebar å samle alle sykehusfunksjoner på ett sted. Når det gjelder bruken av Aker sykehus, vil jeg minne om at Senterpartiet og SV har stemt imot Fremskrittspartiets representantforslag om å sikre bruken av Aker. Likevel, og heldigvis, framstår Aker sykehus i dag som en viktig del av den samlede kapasiteten for Oslo universitetssykehus. I 2014 ble det utført 6 400 operasjoner, 170 000 polikliniske konsultasjoner og mer enn 700 000 laboratorieundersøkelser ved Aker. Fremskrittspartiet aksepterer nå å vente på vurderingene rundt det framtidige lokalsykehustilbudet som inngår i idéfasearbeidet som pågår nå, og som skal legges fram i desember. Vi er opptatt av at Oslo kommune blir involvert i arbeidet med lokalsykehusspørsmålet, at helseministeren i sitt brev til komiteen har lagt til grunn at Aker sykehus blir vurdert i dette arbeidet, og at helseministeren også flere ganger har understreket at han ikke har noen prestisje i den sammenheng. På vegne av partiet og Oslos befolkning ser jeg fram til framleggelsen av den nevnte rapport.

Det skulle gi en bedre samordning av fag- og forskningsmiljø og sikre bruk av personell, areal, utstyr, teknologi og ikke minst støttefunksjoner. Denne omstillingen har vært krevende, spesielt for sykehusene. Det har blitt stilt veldig mange kritiske spørsmål – ikke minst spørsmål omkring omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus og de konsekvensene dette har hatt ikke minst for innbyggerne i Oslo. Oslo. Det har også vist at det ikke alltid er store foretak og store sykehus som er det beste. Dette har blitt behandlet mange ganger i denne salen. Riksrevisjonens rapport har vist ulike IKT-systemer i Helse Sør-Øst, utfordrende økonomiske rammer, at det skjer mye ved et sykehus som har konsekvenser for det som skjer ved andre sykehus, at det er en befolkningsvekst som er gedigen, at det ikke er nok kapasitet selv om vi har fått Ahus, og at det er vanskelige skiller mellom det som er nasjonale funksjoner, og det som er regionale funksjoner. Derfor ba Venstre og Kristelig Folkeparti i starten av denne stortingsperioden om en ekstern ekspertvurdering, som ble nedstemt. De fleste partier i denne salen har vært og De fleste partier i denne salen har vært og har uttalt seg kritisk til en ny gigantutbygging på Gaustad og sier at ja, vi trenger en utbygging, men vi trenger ikke å gå i den samme fella en gang til, med en ny gigantutbygging. For at det trengs ny og økt kapasitet i Oslo, er det ingen tvil om. om. Skal en få gjort dette på en best mulig måte, er et nybygg en realitet, og skal en kunne bygge et nybygg som er framtidsrettet, trenger en også å utrede kapasitet og hva slags type utstyr en faktisk skal ha der. Samtidig er det viktig at vi i Oslo nå ser på om det er muligheter for å gjøre noe innenfor dette foretaket på kort og på lang sikt, for å sikre en akutt situasjon akkurat nå. Derfor er Kristelig Folkeparti enig med flertallet om at vi ber regjeringen om å vurdere tiltak på kort og mellomlang sikt for å sikre nødvendig trygghet, kapasitet og forutsigbarhet i sykehustilbudet i Oslo, ikke minst til Oslos befolkning. befolkning. Derfor ønsker Kristelig Folkeparti, sammen med de andre, å se på ledig kapasitet ved Aker sykehus, ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og ved Diakonhjemmet Sykehus, for å se om de kan være med og avhjelpe situasjonen på en annen måte og ikke minst overta lokalsykehusfunksjoner, som er viktig for Oslo. Derfor stiller Kristelig Folkeparti seg bak flertallets forslag

I januar i år gjekk direktøren ved OUS ut på TV 2 og tilsynelatande forkasta planane om eit gigantsjukehus til over 43 mrd. kr på Gaustad. Men gigantsjukehusprosjektet på Gaustad er ikkje skrinlagt. Det vil framleis verta 450 000 kvadratmeter sjukehus på Gaustad, noko som er arealet til St. Olavs Hospital i Trondheim gonga med to. Det var tverrpolitisk einigheit om samorganisering av sjukehusa i Oslo-området i eitt felles helseføretak, Oslo universitetssjukehus. Men det har aldri vore politisk aksept for ei samlokalisering av sjukehus i hovudstadsregionen før i dag. Representantar frå både Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Venstre, Kristeleg Folkeparti og Høgre på Stortinget har i media vore tydelege på at dei ikkje støttar gigantsjukehuset på Gaustad. No er plutseleg dette politisk akseptabelt, fordi forslaget er noko nedskalert. Men å løfta vekk lokalsjukehusfunksjonane – som aldri var inne i prosjektet uansett – og å overføra desse til Diakonhjemmet og Lovisenberg er Det er berre SV som i dag står saman med Senterpartiet om forslaget om å be regjeringa stoppa planane om samlokalisering for dei fleste sjukehusfunksjonane i OUS i eitt nytt storsjukehus på Gaustad. Det er berre Senterpartiet og SV som føreslår at vidare utvikling av sjukehustilbodet i Oslo må skje rundt dagens sjukehuslokalitetar. Stortingsfleirtalet stemmer mot å be regjeringa sikra at det vert utarbeidd ein plan for å løysa kapasitetsproblema og oppgraderingsbehovet på kort og mellomlang sikt. Stortinget stemmer mot å gjenoppretta Aker sjukehus som fullverdig lokalsjukehus, og forslaget frå Senterpartiet om å innføra stadleg leiing ved OUS får heller ikkje fleirtal. Debatten her i dag viser at mange parti gir inntrykk av éin ting i media og ein annan ting i stortingssalen. Den 13. februar i år hadde Yngve Kvistad i VG denne kommentaren om det som skjer ved «Dypest sett problematiserer saken hele helseforetaksmodellen, som Bent Høie en gang ville vrake, for den som husker opposisjonspolitikeren av samme navn. Intensjonen med reformen var den beste, og nokså nødvendig den gang, for å løse opp i bindingene mellom sykehusstyrene og lokale politikere som gjerne hadde et gjenvalg å se frem til. I dette skulle også den faglige innflytelsen bli Resultatet synes å være det motsatte; fagmiljøene er blitt marginalisert samtidig som at enkeltaktører tar snarveier til statsråden. I den andre enden tar ikke politikerne ansvar for de uheldige følgene som på denne måten oppstår – i den grad de i det hele tatt oppdager dem før det er for sent.» Eg la merke til at både Kristeleg Folkeparti, Venstre, Arbeidarpartiet, Høgre og Framstegspartiet i merknader skriv at det ikkje er riktig at Stortinget grip inn i viktige og nødvendige utgreiingsprosessar som nettopp skal kunna gi eit fagleg grunnlag for avgjerder i framtida. Dette er ei misforståing. Vi føreslår ikkje å stoppa eit utgreiingsarbeid; vi vil endra det. Senterpartiet meiner at det er eit politisk ansvar å leggja føringar for kor store sjukehus vi skal ha i Noreg, og om det er politisk oppslutning om ei fysisk samlokalisering av dei fleste sjukehusfunksjonane i hovudstadsområdet i eitt storsjukehus. Det er inga lita avgjerd, som vi meiner bør liggja til Stortinget. Det er beklageleg at Stortinget heller ikkje ser verdien heller ikkje ser verdien av stadleg leiing. I Innst. 134 S for 2013–2014 sa ein samla kontroll- og konstitusjonskomité, minus Arbeidarpartiet, følgjande: «På kort sikt må det lages strakstiltak for å løse kapasitets- og organisasjonsproblemer ved å reorganisere OUS for å få stedlig ledelse på alle nivåer.» No vert det stemt rett Det er òg oppsiktsvekkjande at både Arbeidarpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Høgre og Framstegspartiet stemmer ned eit forslag om at Aker skal verta utvikla til eit fullverdig lokalsjukehus. Tilrådinga, som m.a. Arbeidarpartiet står bak, avklarar ikkje situasjonen i det heile. Aker har jo lokalsjukehusfunksjonar i dag. Her må vi ha vilje til å vera tydelege overfor føretaket. Med dette fremmar eg forslaga frå Senterpartiet og SV i saka.

hvert fall ikke særlig ydmykt å si at man bare skal stoppe hele prosessen via et Dokument 8-forslag. Når det gjelder intensjonen i dette forslaget fra Senterpartiet, er Venstre til dels enig. Vi har pekt på at dette er en prosess som ser ut til å være litt ute av kontroll. Nå har de hentet seg inn litt i det siste halve året, men det men det er vanskelig å dele ambisjonene om hvilke sykehus vi skal bygge i Norge. Det er noen utfordringer knyttet til Oslo universitetssykehus, som ikke bare er regionsykehus for Oslo. Det har også i seg lokalsykehusfunksjoner, men ikke minst har det i seg noen landsfunksjoner som hele befolkningen i Norge skal ha en del av.

løsningen. Lovisenberg er kanskje Norges største lokalsykehus. De sier de har kapasitet og kan vokse. Diakonhjemmet er også et lokalsykehus med høy kvalitet. Det er store muligheter ved de lokalsykehusene som finnes. For Venstre har det vært særlig viktig at det nå kommer på plass en legevakt. Det er Oslo kommunes ansvar, men det har med hele denne prosessen å gjøre.

hvis det står ledig bygningsmasse og ledig kapasitet i omegnen. Hovedårsaken til at Venstre sier nei til å støtte forslaget fra Senterpartiet, er at vi nå er så nær en utredning at vi må få den i mål. Så får vi se om den blir lagt til grunn videre. Venstre ønsker at vi setter et tak for sykehusinvesteringer, og at vi skjeler til Danmark og andre land for å se hvordan de har lagt til rette for å bygge framtidas sykehus. At vi skal bygge ett kjempestort sykehus i Oslo, ser vi ikke at det er rom for i dag, og vi ser heller ikke behovet for det. Men vi har en lang, møysommelig prosess foran oss. Dette kommer til å ta mange år, og det er et investeringsløp som skal gå over flere

gjennomgår nå framtidig kapasitet og muligheter for optimalisering av drift og oppgave- og arbeidsdeling for hele spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus. Resultatene av begge disse arbeidene skal legges fram for styrene i desember 2015. Oslo universitetssykehus har ansvar for å legge opp til en forsvarlig drift for framtiden innenfor de økonomiske rammene som Stortinget legger til grunn. Å gripe inn i utredningsprosesser som nettopp skal kunne gi det faglige beslutningsgrunnlaget for framtidige avgjørelser, vil si at vi også griper inn og overstyrer det ansvaret som sykehuset har, og som kan ha betydelige faglige og økonomiske konsekvenser. Jeg kan ikke tilrå at dette gjøres. Oslo universitetssykehus ble opprettet bl.a. for å sikre en mer effektiv bruk av ressursene i Mye av potensialet er fortsatt ikke hentet ut, bl.a. på grunn av en for lite hensiktsmessig bygningsmasse. Ved å investere i nytt areal for moderne sykehusdrift kan Oslo universitetssykehus klare seg med om lag 30–40 pst. mindre areal enn det de disponerer i dag. Det er altså ikke mangel på sykehusareal som er problemet for Oslo universitetssykehus, men mangel på hensiktsmessige arealer for moderne sykehusdrift. sykehusdrift. Da vil jeg minne om at det var den forrige regjeringen som fredet store deler av Ullevål sykehus. Idéfaseplanen skal gi Oslo universitetssykehus grunnlag for en helhetlig utvikling av foretaket framover. Utviklingen vil skje i etapper med flere enkeltprosjekter som må planlegges innenfor en helhetlig ramme og retning. De kartlegginger som Oslo universitetssykehus har gjort til nå, viser at videreføring av drift på dagens lokasjoner er det dyreste alternativet. Det er viktig å få dette bedre belyst i den videre utredningen. Realiteten er at det kommer til å være drift ved alle dagens hovedlokasjoner i svært mange år framover. Alle lokasjoner har nå en bygningsmasse som er forholdsvis ny eller nyrenovert, og det vil uansett ta flere år før nybygg kommer på plass. Samtidig er det et svært stort behov for oppgradering av byggene ved tre lokasjoner. I forslagene blir det antydet at befolkningen i Oslo ikke får et fullverdig lokalsykehustilbud. Jeg kjenner ikke til at det er tilfellet. Sykehusene i hovedstadsområdet har i dag tilstrekkelig kapasitet samlet sett. Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus deler i dag lokalsykehusansvaret for Oslos befolkning. I framtiden kan det bli aktuelt at Lovisenberg og Diakonhjemmet får en større del av dette ansvaret. Jeg er glad for at komiteen er positiv til dette. Når det gjelder oppgraderingsbehov ved Oslo universitetssykehus på kort sikt, er dette en sak som regjeringen eventuelt vil komme tilbake til i statsbudsjettet for 2016. Når det gjelder planene på litt lengre sikt, er dette en del av det pågående Helse Sør-Øst vil legge fram en plan for håndteringen av kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus på mellomlang sikt i desember i 2015. Vurderinger rundt det framtidige lokalsykehustilbudet inngår i idéfasearbeidet. Bruken av Aker sykehus vil også i den sammenhengen bli vurdert. Jeg har mange ganger sagt fra denne talerstolen at denne regjeringen har ingen prestisje knyttet til å bruke Aker sykehus. Tvert imot, Oslo universitetssykehus har i dag en betydelig aktivitet ved dette sykehuset. Bruken videre må være basert på hva som er hensiktsmessig for sykehuset og Oslos befolkning. Det er helt nødvendig å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag med god forankring både internt i organisasjonen og blant eksterne interessenter for den videre utviklingen av Oslo universitetssykehus. Jeg mener at Oslo universitetssykehus er godt i gang med dette arbeidet nå. Jeg kan også love Stortinget at dette er et arbeid vi følger veldig tett, som veldig tett, som også representanten for Arbeiderpartiet understreket at det var viktig at jeg gjorde – og det gjør jeg. Det blir replikkordskifte. Det er

utdype hvordan han, innenfor rammene av helseforetaksloven, kan følge opp de mange utfordringene og parallelle prosessene i denne saken, knyttet til både behovene for lokalsykehus og behovene i helseregionen og for øvrig knyttet til de landsfunksjonene som dette sykehuset skal ha. Det er viktig at Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst, som nå har ansvaret for å

har. Jeg hadde også det da høringsrunden var avsluttet. Jeg fikk da klare tilbakemeldinger, bl.a. fra Oslo kommune, som hadde betydning for justeringen av den videre planleggingen, der en forlot ideen om å ha en total samling av Oslo universitetssykehus på ett

skal bli en realitet, er det selvfølgelig mulig å gripe inn. Men det er viktig at en har et godt beslutningsgrunnlag, òg som statsråd, før en griper inn i prosesser. Jeg mener det er viktig at en nå går videre og får et godt beslutningsgrunnlag med utgangspunkt i de alternativene som nå
Eg har eit spørsmål om vedtak 108/2008, som òg står referert i innstillinga, som er gjort i Helse Sør-Aust, om at «akuttfunksjoner for kirurgi, ortopedi og andre spesialiserte funksjoner i et sykehusområde som hovedregel skal samles på ett sted, men det åpnes for tilpasninger». Dette vedtaket har eg høyrt har vorte referert i mange helseføretak, i Helse Sør-Aust, i Innlandet, i Vestre Viken, i Sørlandet, og det ligg òg til grunn for samlinga i Oslo universitetssjukehus. Eg har fått mange spørsmål om dette vedtaket frå 2008 faktisk er styrande. Kan statsråden bekrefta eller avkrefta at dette dette vedtaket frå 2008 faktisk er styrande. Kan statsråden bekrefta eller avkrefta at dette 108-vedtaket ligg til grunn og på ein måte skal vera hovudregelen for både OUS og andre helseføretak i Helse Sør-Aust framover? Det utredes jo nå alternativer som ikke innebærer det, derfor er det ikke sånn at en ikke har mulighet til å utrede andre alternativer. Så er det også slik at Stortinget snart får seg forelagt en nasjonal helse- og sykehusplan, der Stortinget nettopp blir invitert til å ha oppfatninger om hvilke typer funksjoner som skal være på hvilke typer sykehus, og spesielt med vektlegging av hva ulike nivåer kan ha av akuttfunksjoner. Takk. Eg har eit siste spørsmål. Statsråden sa i sitt innlegg at det nye sjukehuset planlegg areal, utan å seia kor stor kapasitet som er i forhold til dagens sengetal. Det går ein debatt om beleggsprosent i norske sjukehus, og eg vil spørja om kva beleggsprosent det nye sjukehuset, OUS, planlegg for på Gaustad. Representanten beskrev jo et av alternativene her som et gigantsykehus, med utgangspunkt i antall kvadratmeter. Da er det viktig å få fram at det som en faktisk planlegger her, er en reduksjon i antall kvadratmeter i forhold til det som er dagens situasjon, nettopp fordi kvadratmeter sier lite om kapasitet i sykehus, i alle fall når man har å gjøre med så gamle arealer som en her har, der utnyttelsen av arealene er svært dårlig i enkelte bygg, bygg, f.eks. på Ullevål sykehus, som den forrige regjeringen valgte å frede. Det vil jo være en variasjon med hensyn til hvilken dekningsgrad en skal planlegge for mellom ulike avdelinger. Det som er Helsetilsynets anbefaling, er at en ikke har en beleggsprosent på mer enn 85 pst. på de avdelingene som har et stort antall av øyeblikkelig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

tilbud. En undersøkelse gjort av forskerne Erik Langfeldt og Ivar Johannes Aaraas fra 2000 dokumenterer at sykestuene erstatter sykehusinnleggelse for veldig mange pasienter, og gjør at andre kan skrives ut tidligere. I de fire kommunene i Nord-Troms, Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa, har det regionale helseforetaket Helse Nord finansiert ni sykestueplasser siden 2005. Kommunene har til sammen litt over 11 000 innbyggere og er en stor region geografisk sett. Avstanden fra den nordligste kommunen Kvænangen til nærmeste sykehus i Tromsø er tilsvarende strekninga Oslo–Kristiansand, og regionen har en utfordrende infrastruktur med rasfarlige strekninger og ofte vinterstengte veier. Sykestuene i Nord-Troms har alltid hatt godt belegg på sine senger, og alle kommunene har stabilt og kompetent helsepersonell. Tall fra kommunene viser at en stor del av dem som legges inn ved sykestuene, kan skrives ut til eget hjem etter behandling, uten å måtte behandles på sykehus. Ved innføring av Samhandlingsreformen ble det imidlertid skapt uklarhet rundt finansieringa av sykestuene i Nord-Troms, som i motsetning til sykestuene i Finnmark har hatt et reint regionalt tilskudd. I 2013 varslet helseforetaket at man mente at Samhandlingsreformen etter hvert ville gjøre sykestuene

ha finansiering over helseforetakets budsjett. Den bestillinga er ikke fulgt opp av nåværende regjering. Derfor er det nå et press på finansieringa av sykestuene. Nå i vår har heldigvis helseforetaket meddelt de fire sykestuekommunene at man viderefører nåværende finansieringsordning også i 2016, men setter som premiss at man samlokaliserer samtlige senger i regionen til Distriktsmedisinsk senter i den største kommunen, Nordreisa. En samling av ressurser kan selvfølgelig være riktig Men de fire sykestuekommunene i Nord-Troms er klar på at de ønsker å videreføre den fordelinga av senger man har i dag. Det er kommunene som har det helsefaglige ansvaret for sykestuesengene og for den kompetansen som trengs. Da må det også være slik at kommunene skal ha det siste ordet når det gjelder hva slags organisering man vil ha for Jeg forventer at helseforetaket har en løpende og åpen dialog med de aktuelle kommunene, slik at man kommer fram til løsninger som ivaretar kommunenes syn i saken. Arbeiderpartiet fremmer sammen med SV, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet et forslag som går ut på at helseforetaket må videreføre satsinga på sykestuene, slik de har meddelt, og at det skal kunne skje med utgangspunkt i en modell som kommunene formålstjenlig, og som samtidig gir de beste tjenestene til befolkninga i regionen. Det er et presist svar på den utfordringa dette representantforslaget adresserer. Vi har lenge hatt et håp om å få flertall for vårt forslag – all den tid dette saklig sett ikke strider mot det flertallsforslaget som er gjengitt i I i tilrådinga. Dette forslaget tar jo faktisk til orde for en politikk det er enighet om, som allerede er vedtatt og delvis lovpålagt, f.eks. at man skal ha samarbeid mellom helseforetaket og kommunene – også om halvannenlinjetjenester, som jo sykestuene er. Men flertallsforslaget svarer overhodet ikke på de utfordringene som adresseres i dette representantforslaget. Og når regjeringspartiene pluss Venstre setter sitt forslag opp som et reelt alternativ til vårt forslag, med argumentet om at dette vil løse floken, ja, da har vi bare ett å gjøre. Derfor har Arbeiderpartiet, SV, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet kommet fram til at vi vil stemme imot flertallsforslaget i I i komiteens tilråding – og selvfølgelig for vårt eget forslag. Da tar jeg opp det forslaget som Arbeiderpartiet har fremmet sammen med de tre nevnte partiene. Representanten Tove Karoline Knutsen har tatt opp

Distriktsmedisinske sentre som Hallingdal sjukestugu i Buskerud, Valdres lokalmedisinske senter i Oppland og sykestuer i Nord-Troms er eksempler på dette. Spesialisthelsetjenesten finansierer slike distriktshelsetjenester på ulike måter. Ofte er det slik at kommunene går sammen om å ha en såkalt vertskommune for ett senter.

Jeg er glad for at helseministeren i brev til komiteen informerer om at det ikke er planer om å svekke finansieringstilbudet for sykehusdriften i Nord-Troms i 2016. Fra 1. januar 2016 får alle kommuner i landet en lovpålagt plikt til å ha kommunale øyeblikkelig hjelp-senger. Disse blir finansiert gjennom rammeoverføring til kommunene. Dette er et ledd i videreføringen av Samhandlingsreformen, som også er aktuell i Nord-Troms. Disse sengene er derfor å anse som et kommunalt ansvar. Målene i Samhandlingsreformen er at tjenestene på sykehusene og i kommunene nettopp skal henge sammen. Midler fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. I tillegg er komiteen informert om, via brev fra Helse Nord til kommunene, at man har besluttet å videreføre finanseringen av sykehusdriften ut over denne overføringen. Det betyr at de økonomiske overføringene ikke endres. Vi er opptatt av å sikre videre drift av helsetilbudet, og at innbyggerne i Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen skal ha et godt lokalt helsetilbud. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fremmer derfor forslag i saken, om at regjeringen må sikre at innbyggerne i disse kommunene får likeverdige spesialisthelsetjenester, at det skal legges til rette for videre samarbeid. Vi er kjent med at det er ulike oppfatninger mellom kommunene og Helse Nord om hvordan tilbudet skal organiseres, og at det er et ønske fra foretaket at sengene blir lokalisert på Sonjatun i Nordreisa. Nå er det ikke oppsiktsvekkende at et helseforetak mener noe om bruken av deres penger i kommunene. Vi har vært tydelige på at det må være en reell dialog mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge, som skal samarbeide med kommunene om bruken av sengeplassene, og hvordan tjenestene skal utvikles. Skal det bli en god løsning, må det vurderes ulike alternativer og modeller av lokaliseringen av tilbudet. Nord-Troms er en stor region, som det her er sagt, og det er store avstander og vinterstengte veier. Vi er derfor opptatt av bruken av telemedisin, at det videreutvikles og anvendes i utredningen av modellene. Telemedisin kan gi god oppfølging selv med lange avstander og stengte veier. Det fordrer også utvikling av god kompetanse på telemedisin i de fire aktuelle kommunene. Høsten 2015 legger regjeringen fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen vil bli regjeringens verktøy for hvordan man skal innrette sykehusene og spesialisthelsetjenesten framover. Vi har derfor i vedtaket framhevet viktigheten av at regjeringen i planen beskriver former og utvikling i samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten – nettopp om hvordan spesialisthelsetjenesten skal samhandle. I dette ligger at man må se på nasjonal helse- og sykehusplan i sammenheng med pågående arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som berører kommunene. Dette gjelder f.eks. stortingsmeldingen om folkehelse, primærhelse, den kommende stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet og den varslede opptrappingsplanen for rusfeltet. Det er således ingen stans i finansiering av spesialisthelsetjenestene i

Og fra 1. januar neste år får alle kommuner i landet en lovpålagt plikt til å ha kommunale øyeblikkelig hjelp-senger. Andre steder drives sykestuer i et spleiselag, spesialisthelsetjenesten kjøper plasser av kommunen, eller kommunen kjøper plasser i spesialisthelsetjenesten. På alle nivåer innen spesialisthelsetjenesten finner vi lokale tilpasninger, og det er i de fleste tilfeller veldig bra. Det betyr at vi lettere kan gi flere tjenester nær der folk bor, og man kan finne lokale tilpasninger som hensyntar demografi og geografi. Men det er helt klart at vi under arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan ser at vi har vanvittig mange forskjellige innretninger på dette. Det aller viktigste for Fremskrittspartiet er imidlertid ikke hvor mange innretninger vi har, men at tilbudet er best mulig for flest mulig, og at dette krever at vi hele tiden er opptatt av forbedringer. Enkelte har behov for å protestere mot enhver endring som kommer. Det skal vi passe oss vel for å gjøre. Endringer er i de aller fleste tilfeller både riktige og nødvendige. Vi ser derfor veldig fram til å få en skikkelig gjennomgang og en debatt rundt hvordan vi ønsker at våre innbyggere i hele landet skal møtes – i dag, i morgen og på lang sikt. SV fremmer her et representantforslag der de ber regjeringen sikre at sykestuene i Nord-Troms videreføres fra 1. januar 2016. I brev av 24. april slår helseministeren fast at det ikke er planer om å svekke finansieringsgrunnlaget for sykestuedriften i Nord-Troms i 2016. Siden intensjonen i forslaget allerede er imøtekommet, har flertallet fremmet et forslag som går videre på hvordan dette skal løses også etter Jeg regner med at forslagsstillerne ikke ønsker en stor usikkerhet rundt disse spørsmålene hvert år, og vi ber derfor om at Nasjonal helse- og sykehusplan tar dette opp i seg når den kommer til behandling. Vi støtter derfor ikke representantforslaget, men komitéinnstillingens forslag til vedtak. Å være sikker på at en får hjelp når en trenger det,

med dårlige veier, med vinterstengte veier, med dårlig vær – kanskje med både høy sjø og storm, uten flyvær – gjør noe med denne tryggheten. Dette utfordrer tryggheten om at en får den hjelpen en skal ha, når en har behov for det. Sykestuene i Nord-Troms er et viktig ledd i vår helse- og hjelpetjeneste, fordi der som både får den hjelpen de trenger, og samtidig har en mulighet til å ha sine nærmest mulig. Fra Kvænangen kommune er det 320 kilometer til nærmeste sykehus. Det er langt. Det har foregått en lang diskusjon om den framtidige finansieringen av sykestuene i Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen. Da Samhandlingsreformen ble innført, fikk sykestuene i Finnmark sin viderefinansiering gjennom et spleiselag mellom helseforetaket og Helse- og omsorgsdepartementet, hvor de delte 50/50. Men for sykestuene i Nord-Troms ble det skapt hvorvidt deres finansiering var sikret – om deres framtid og levetid var sikret. Nå er det varslet stans i finansieringen fra helseforetaket om ikke kommunene samler tilbudet på ett sted, og ikke i hver kommune. Når vi vet at avstanden mellom Kvænangen og UNN er 320 kilometer, vet vi at det er passe langt i dårlig vær, og en får kanskje ikke ha noen av sine med seg. Har vi et pasientens helsevesen, henger tilbud og muligheter for både pasient og pårørende sammen. Brevet og kravet fra helseforetaket betyr at sykestuene, med den kompetansen de har, og den betydningen de har hatt som

Senterpartiet er klare på at dagens sjukestuer i Nord-Troms framleis må sikrast finansiering for vidare drift på den måten det er organisert i dag, og vi støttar forslaget frå mindretalet. Det vert lagt vekt på, av representantar frå Høgre og Framstegspartiet, at ein at ein i ein nasjonal helse- og sjukehusplan skal gå vidare og beskrive meir om kva slags samordningsprosjekt og kva slags avtale som kan sikra eit desentralisert sjukehustilbod. Veit ikkje Stortinget om kva som ligg i dagens lovverk? Eg begynner jo å lura. For både helseføretakslova, spesialisthelsetenestelova og helse- og omsorgstenestelova er tydelege på føretaket si plikt til å inngå samarbeidsavtaler, og lova definerer òg kva dei avtalane skal innehalda. Når fleirtalet viser til forslaget frå Høgre, Framstegspartiet osv., er jo det eit forslag utan verdi i denne samanhengen. Det gjentar berre det som er dagens lovverk, og slår inn heilt opne dører, men det sikrar ikkje sjukestuene i Nord-Troms på nokon som helst måte ut ifrå det som er problemstillinga. Dei ber i forslaget om at befolkninga i Nord-Troms får likeverdige spesialisthelsetenester. Men viss ein les formålsføresegna i helseføretakslova og i spesialisthelsetenestelova, står det heilt klart at ein skal sørgja for at tenestetilbodet vert likeverdig og

SV, Arbeidarpartiet, Kystpartiet, Høgre og Senterpartiet og av ulike faggruppe. Dei har vurdert forslaget frå fleirtalet, og dei skriv i ein e-post til oss at dei ikkje kan sjå at situasjonen for sjukestuene i Nord-Troms er meir avklart med dette forslaget. Det er jo dette som er

å skape et innhold i Samhandlingsreformen som kom i 2012. Det ligger altså en historikk bak her hvor en egentlig ikke helt har greid å avklare denne situasjonen for Nord-Troms. Vanligvis likestiller vi jo Finnmark og Nord-Troms når det gjelder virkemiddelapparatet. Dette handler hovedsakelig om en periode hvor det har vært en rød-grønn regjering regjering som ikke har klart å bli enig om hvordan en skal finansiere et sånt tilbud. Det virker vel også litt tilfeldig hvordan det ble til i Finnmark. Fra 2016 skal vi pålegge kommunene å tilby øyeblikkelig hjelp-senger. Med det flytter vi mer penger nærmere kommunene. Det er det vi nå sier med dette flertallsforslaget, at

tilbudet slik de sier at de er enige om, og lar seg diktere av spesialisthelsetjenesten. Det blir litt vanskelig for oss å gå inn i en nasjonal helse- og sykehusplan hvis sånne regionale kamper ligger til grunn. Dette er jo ikke et enestående tilbud. I mitt fylke, Oppland, har seks kommuner gått sammen om å bygge et lokalmedisinsk senter på Fagernes i

ryke ut av Valdres. På bare noen få år har en snudd seg rundt lokalt, og sammen med Sykehuset Innlandet HF planlegges det stadig nye tilbud. Det må være en sånn type dialog vi skal legge til rette for og avklare, også i nasjonal sykehusplan – strukturen for framtida. Derfor synes Venstre det ville være et feil vedtak i dag om vi fryser situasjonen i

Venstre har også tidligere ofte snakket om distriktsmedisin. Dette er en region som har erfaring og kompetanse på dette, og det er en kompetanse vi ønsker inn i den nasjonale sykehusplanen. Vi ser altså fram til at kommunene i Nord-Troms, disse fire i dette tilfellet, skal få bruke sin makt til å være med på å bestemme hvilket tilbud de skal ha i framtida.

Det er naturlig at videre tilskudd fra Helse Nord til driften av sykestuene ses i sammenheng med tilskuddet til etablering av nye døgntilbud i kommunene i forbindelse med Samhandlingsreformen og eventuelt andre tilskudd. Som en del av Samhandlingsreformen vil midler overføres til kommunerammen i forbindelse med etableringen av nye øyeblikkelig hjelp-døgntilbud som kommunene har kunnet tilby fra 2012, og som blir en lovpålagt oppgave fra 2016. Dette medfører at midler som fram til nå har kommet fra sykehusene, overføres til kommunerammen fra 2016. Målet er at det nye tilbudet skal bidra til at pasienter kan behandles nærmere der de bor, istedenfor å måtte legges inn på sykehus, forutsatt at de får et minst like godt tilbud. Helse Nord har i tillegg besluttet å videreføre finansieringen av sykestuedriften utover de midlene som nå overføres kommunerammen, også for 2016. De økonomiske rammene for helsetilbudet til også for 2016. De økonomiske rammene for helsetilbudet til befolkningen i de berørte kommunene vil altså ikke endres som følge av omleggingen fra 2016. Videre utvikling og eventuelle justeringer i sykestuetilbudet må skje lokalt basert på kjennskap til de lokale forholdene. Helse Nord og kommunene vil måtte gå i dialog om hvordan tilbudet skal organiseres i forbindelse med støtten foretaket vil bidra med, utover midlene som nå overføres til kommunerammen. Det er viktig med godt samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste for å utvikle kvalitetsmessig gode tilbud tilpasset befolkningens behov. En hensiktsmessig løsning må basere seg på en reell dialog mellom de berørte kommunene og Helse Nord, og at man i dialogen må kunne vurdere alternativer til samlokalisering av tilbudet. Kommunene i Nord-Troms og Helse Nord må avklare om de ser en felles fordel av å ha tilbud utover det som bidrar til at færre pasienter har behov for å reise helt til Tromsø, og om kommunene sikrer god kvalitet på sine tilbud. Vi må ha en helse- og omsorgstjeneste som sikrer hele befolkningen likeverdig tilgang til forsvarlige tjenester. Et slikt tilbud kan vi bare realisere gjennom et tett samarbeid mellom kommuner og sykehus. Samhandlingsreformen med vektlegging på sammenhengende behandlingsforløp gjelder fortsatt. Et av de viktigste målene i Samhandlingsreformen er at tjenestene på sykehus og i kommuner skal henge sammen. Det er ikke planer om tilskudd over statsbudsjettet til driften av sykestuene i Nord-Troms. Tilskuddet på statsbudsjettet til sykestuene i Finnmark har historiske årsaker og springer ut av en forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark på 2000-tallet. Som en følge av de økonomiske virkemidlene i Samhandlingsreformen ble det ikke lenger vurdert som aktuelt å videreføre en slik forsøksordning, og forsøket er derfor avsluttet. Tilskuddet på statsbudsjettet ble likevel videreført. Høsten 2015 legger regjeringen fram en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen vil bli regjeringens viktigste verktøy for hvordan vi skal innrette sykehusene og spesialisthelsetjenesten framover. Nasjonal helse- og sykehusplan skal bli regjeringens operative redskap for å møte framtidens behovet for spesialisthelsetjenester. Planen utarbeides med utgangspunkt i Planen utarbeides med utgangspunkt i hvordan pasienter og brukere mener helsetjenesten bør se ut. Den skal gi konkret innhold til begrepet «pasientens helsetjeneste». Både prosess og plan skal reflektere brukernes erfaringer, kompetanse og synspunkter. Gjennom å legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan vil regjeringen sørge for at overordnede politiske beslutninger om sykehusene og spesialisthelsetjenesten fattes av Stortinget. Nasjonal helse- og sykehusplan utarbeides og ses i sammenheng med annet pågående arbeid i departementet,

om hvorvidt kommunene skal ha det siste og avgjørende ordet om praktisk organisering av tjenestene som kommunene har det helsefaglige ansvaret for, eller om det er slik at spesialisthelsetjenesten, f.eks. helseforetaket, skal kunne pålegge kommunene en spesiell organisering av tjenestene dersom helseforetaket bidrar med delfinansiering av tiltakene, altså helt uavhengig av om man har kompetanse i kommunene. Hva er statsrådens prinsipielle syn i denne

Jeg oppfatter at det er et viktig prinsipp i Samhandlingsreformen at de tiltakene som spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal samarbeide om, skal en faktisk samarbeide om, og at det er to likeverdige parter som møtes og diskuterer dette. Vedtar Stortinget det som Arbeiderpartiet her foreslår, setter en krokfot på det prinsippet og gir en av partene vetorett i dette samarbeidet. Det vil ikke bygge opp under Samhandlingsreformens prinsipper. Takk for svaret. Jeg må vel si at her er det statsråden som gir helseforetaket vetorett. Vi mener at dialogen må bygge på at helseforetaket har ansvaret for at man har den nødvendige kompetansen. Men vi mener at en praktisk organisering mener at en praktisk organisering ligger innenfor lovverket og avtalene som gjelder i Samhandlingsreformen, det må kommunene ta hånd om. Er statsråden enig i at helseforetaket skal diktere praktisk organisering av f.eks. sykestuesenger? Jeg spør igjen. Nei, det mener jeg ikke. Det er derfor jeg i mitt innlegg var veldig tydelig på at de to partene må samarbeide og samhandle, også om det tilbudet som Helse Nord skal finansiere i kommunene. Det ville vært urimelig overfor Helse Nord, om de – sånn som forslaget fra Arbeiderpartiet legger opp til – skal betale en regning for et tilbud som de ikke skal ha noen som helst innflytelse over, og der kommunene kan ha vetorett med hensyn til hvordan tilbudet skal være. Kommunene får et selvstendig ansvar for tilbud som de får et lovpålagt ansvar for etter 2016. De pengene vil bli overført fra Helse Nord til kommunene. Der kan selvfølgelig kommunene velge å si: Dette vil vi ikke samarbeide om, dette vil vi bare etablere selv. Men det vi snakker om nå, er den delen som Helse Nord fortsatt skal finansiere utover den forpliktelsen som Helse Nord har ifølge Samhandlingsreformen. Da vil det være urimelig, sånn som Arbeiderpartiet legger opp til, at kommunen skal ha vetorett når det gjelder innholdet i tilbudet. Jeg skisserer en løsning for helseministeren. Kan helseministeren se for seg følgende: følgende: Helseforetaket stiller krav når det gjelder kompetanse og kvalitet og stiller krav til samlokalisering der man f.eks. leverer et røntgenapparat. Men når det gjelder den rene pleie- og behandlingskapasiteten – som sykestuesenga representerer, som for øvrig ligger på et litt lavere bemanningsnivå enn øyeblikkelig hjelp-senga – kan helseministeren der se for seg at man fordeler ansvar og beslutningsmyndighet som helseministeren bruker å si, dette feltet? Altså: ansvaret for kompetanse på helseforetaket, og for den praktiske organisering og plassering av senga på kommunene? Jeg kan se for meg mange gode, kloke løsninger på dette området. Men jeg tror at både representanten Tove Karoline Knutsen og jeg bør ha tiltro til at mennesker som jobber i Helse Nord, og de som jobber i kommunene, også har mange kloke tanker om dette. Så jeg vil overlate til dem å finne den gode løsningen. løsningen. Jeg er veldig tydelig overfor Helse Nord, de må samarbeide med kommunene om dette. Ingen av partene har rett til å legge ned veto. De må finne en god praktisk løsning på dette spørsmålet.

og klok måte å gå inn i ein samarbeidsavtale på slik som helseføretaket har gjort, der ein set krav til samarbeidet og finansieringa ved å vera heilt tydeleg på at då må det skje ei sentralisering, og at tiltaket må etablerast på éin spesiell plass. Synest statsråden at det er klokt å agera på på den måten som føretaket har gjort? Jeg har ikke tenkt å stå her og dele ut terningkast på de ulike partenes opptreden i denne saken. Det jeg mener, er at flertallets innstilling og forslag i denne saken gir et veldig godt fundament for de to partene til å sette seg ned igjen og begynne å diskutere – og finne en god løsning. Kvar gong ein kjem på politikarbesøk til dei tre–fire nordlegaste sjukestuene i Troms, får alle politikarar som er

spørsmål. Eg tenkjer eg skal bere fram det spørsmålet for Bent Høie, for alle hans partikameratar som har vore der, har svart ja på det spørsmålet, og det er, rett og slett: Vil ministeren kunne garantere for vidareføring av sjukestuetilbodet i der, har svart ja på det spørsmålet, og det er, rett og slett: Vil ministeren kunne garantere for vidareføring av sjukestuetilbodet i Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen? Ingen som spør meg om å få garantier om at helsetjenesten skal se ut i framtiden slik som den så ut i går, får et ja på det spørsmålet. Da ville de hatt en helseminister som reiser rundt og garanterer at kvaliteten på tilbudet skal gå ned. Helsetjenesten vil alltid ha behov for utvikling og endring. Så jeg håper ikke at en garanterer at helsetjenesten skal se ut i framtiden slik som den ser ut i dag. I denne saken tror jeg det er lurt at vi alle bidrar til at kommunene og Helse Nord setter seg ned på ny, diskuterer dette sammen og finner gode løsninger, med utgangspunkt i det som er det beste for innbyggerne i denne regionen. Representanten hørte i mitt innlegg at jeg var veldig tydelig på at det å ha et sykestuetilbud i Nord-Troms er også en viktig del av oppfølgingen av Samhandlingsreformen – og helt i tråd med regjeringens politikk.

lokalsamfunn, hvor det var et sterkt ønske og påfølgende behov for å sikre trygghet, ivareta en beredskap og gi et godt tilbud, som innbyggerne krevde. I de fleste kystkommunene i nord har i så måte opparbeidelsen av denne høye kompetansen på feltet medført, sammen med at Samhandlingsreformen nå stiller krav til at alle kommuner skal ha slike KAD-senger, at disse kommunene har et særlig fortrinn og viser seg å være særlig dyktige på området. De leverer nemlig tjenester av høy kvalitet og har spart mange en sykehusinnleggelse, som har gitt økt livskvalitet for den enkelte og i tillegg har vært god samfunnsøkonomi. I årenes løp har man også fått tilført ytterligere kompetanse og muligheter i skjæringspunktet mellom denne halvannenlinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Ute i våre lokalsamfunn og utenfor sykehusene har man gjennom telemedisin og framvekst av distriktsmedisinske sentre fått styrket kvalitet i tjenestetilbudet. Videre har også utbygging og oppgradering av veinettet redusert avstander, og i tillegg til profesjonalisering av ambulansetjenesten har dette faktisk medført en endring fra transport til en prehospital tjeneste langs våre veier. I sum gir dette trygghet i hverdagen for de mange som fortsatt har lang avstand til et sykehus, og i et samfunn hvor vi stadig stiller høye krav til vår helse og sikkerhet. Da er dette viktig.

I samarbeid med Helse Nord, som har et sørge-for-ansvar i denne saken, og med Samhandlingsreformen fikk kommunene også sitt ansvar, har vi i dag helt klare forventninger til at den videre prosessen med kommunene blir en reell dialog, hvor det ses på alternativer til en lokasjon, og hvor målet er at det blir en omforent løsning som kan stå seg over tid. Når finansieringen av KAD-sengene overføres til kommunene fra 2016 gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet som en del av rammen, er det nødvendig med en sånn felles dialog, så hver enkelt kommune kan komme til en felles enighet og dermed få på plass en felles avtale med Helse Nord – lokalt forankret og etter Samhandlingsreformens intensjoner.

skal ikke bruke uttrykket «kamp», men det har iallfall vært et sterkt ønske fra Nord-Troms om å beholde det tilbudet man har hatt, og det har man klart etter en del runder med de rød-grønne. Det var ikke like enkelt hver gang, for å si det forsiktig. Et av de temaene som har vært oppe, er hvem som på en måte skal ha vetoretten, jf. det som representanten Tove Karoline Knutsen tok opp i med statsråd Høie. Jeg kan forsikre representanten Knutsen om at statsråd Høie svarer nøyaktig det samme som den forrige statsråden svarte, som da het Jonas Gahr Støre – nøyaktig det samme. Det er kommunene selv og helseforetaket som må finne de gode løsningene. Det tok jeg opp Jonas Gahr Støre da han var helseminister, i februar 2013. Jeg kan godt sitere litt av de svarene jeg har fått. Han skriver at «så mener jeg Helse Nord og kommunene i Nord-Norge er de beste til å fatte avgjørelser om sitt helsetilbud. Å flytte avgjørelser fra landsdelene inn til departementet vil ikke gi flere ressurser». Videre uttalte Støre følgende: «Jeg mener at vi i et langstrakt land som Norge er best tjent med at beslutninger om lokale tilbud tas nærmest mulig de det gjelder. Helse Nord og Skjervøy kommune er i dette tilfelle bedre skikket enn departementet lokalisert i hovedstaden til å avgjøre hvordan helsetjenestene i dette området skal utvikles videre.» Det tror jeg er et svært godt svar, og det er et svar som står seg også i dag. Statsråd

i 2016.» Det romertallsvedtaket som ligger inne i innstillingen, er framtidsrettet. Det mindretallsforslaget som Arbeiderpartiet og noen andre står bak, er egentlig å slå inn åpne dører. Det bringer ikke noe nytt til debatten, dessverre. Jeg er glad for at vi har en helseminister som tar denne debatten atskillig mye lenger fram i tid enn de rød-grønne noen gang klarte. Overfor foregående taler

Flere har nevnt telemedisin, og det gjorde jeg også i mitt forrige innlegg, men i dag er det en umoden sektor. Vi er nødt til å gjøre noe med takstene, og vi er nødt til å gi utdanning til dem som skal bruke dette, slik at de er trygge på det, og der står vi foran en stor utfordring. Når vi skal i gang med arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan, må vi også diskutere transporten, som er en del av helsetilbudet. Transportutgiftene er av helsetilbudet. Transportutgiftene er ikke alltid på linje med det ønsket vi har om å desentralisere. Det er også en gjennomgang vi må ha. Vi har også vært inne på kompetansetilbudet. Dette gir også en åpning og en større mulighet for en desentralisert kompetanseutvikling, som også bør være en del av den dialogen som kommunene, Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge skal i gang med, som vi i dag pålegger dem, og som er det framtidsrettede. Den kompetansen som er der lokalt, må fortsatt brukes, og i disse tilfellene er den svært viktig når det gjelder de lokale forholdene, sammen med den helsefaglige kompetansen som de har. Det skal også rekrutteres nytt helsepersonell der, og de må også være med i en dialog

Eg fryktar at dialog er eit anna ord for diktat i denne samanhengen. Vi veit kven som sit med dei sterke forhandlingskorta når ein skal føre dialog om desse tilboda, og det er også litt av bakgrunnen for dette. Sjukestuenes betydning, viktigheit og nytte er godt dokumentert. Det er i forslaget også referert til ein del forsking som er gjort på området.

og det er denne halvannalinjetenesta i Nord-Troms som står i fare. Det er godt dokumentert at dei tar seg av både dei eldste pasientane og dei med kroniske sjukdommar, som er dei største gruppene, men dei har også ei viktig rolle i ei akuttmedisinsk kjede og når det gjeld psykiske lidingar. Så ville Helse Nord på autopilot utan Stortingets innblanding ture fram og foreta ei sentralisering, og i praksis ei nedlegging av ideen sjukestue som ei nær halvannalinjeteneste i eit gigantisk område i Nord-Troms. Så er spørsmålet: Er det nok at ein skal gå i dialog? Kan ein gi garantiar for at dette tilbodet faktisk vil bli reelt vurdert? Det er det ingen her som har gitt foreløpig, og det trass i den overveldande støtta som sjukestuene har i heile Nord-Troms, trass i at alle kommunane i dette området som det gjeld, og fylkestinget – og alle dei partia som sit her – samrøystes har vore med på å vedta vidareføring av dagens sjukestue, og trass i at alle partia og fleire av dei som har vore på talarstolen her i dag, har vore på sjukestua og garantert ei vidareføring av tilbodet.

aller, aller verste. Forslaget til vedtak I seier ingenting anna enn det som allereie er stadfesta i dagens lov. Jeg føler det er

forsterka medisinsk beredskap enn sykestuesengene. Representanten Kjenseth sier at vi mener at vi skal fryse situasjonen. Nei, vi mener ikke at vi skal fryse noen situasjon. Det er helsefaglig begrunna fra kommunenes side. Jeg har ikke hørt at helseforetaket har gått imot at man har den desentraliserte strukturen. Alt skal ikke se ut som det var i går. Men det er ingen grunn til at man skal endre noe som fungerer bra. Det ser vi på statistikkene for belegg, vi ser det på statistikkene for hvem som blir utskrevet tilbake til hjemmet – en veldig viktig indikasjon – og vi ser det på bruk av sykehuset i Tromsø. Disse tre parametrene skårer disse sykestuesengene veldig godt på. Det betyr at disse tjenestene er bra. Så til representanten Korsberg: Vi er jo helt enig med tidligere helseminister Jonas Gahr Støre statsråden ikke skal sitte og diktere noe, og at Stortinget ikke skal diktere noe. Derfor er det veldig viktig at man lar helseforetaka og kommunene samhandle om ting. Men da det brente et blått lys i 2013, la daværende helseminister Jonas Gahr Støre inn en klar bestilling i budsjettet for samme år hvor det sto: Helseforetaket skal videreføre finansieringen til Nå brenner det et blått lys, fordi helseforetaket har bestemt seg for å si hvor plasseringa av den enkelte seng skal være, på sted A eller sted B. Da forventer jeg at helseministeren tar en prat og rydder opp i disse tingene. Det fins ingen grunn til at helseforetaket skal bestemme om seng A skal stå på plass B, eller seng B skal stå på plass C. Helseforetaket skal stille krav til kompetanse, forsvarlighet og hvis man leverer utstyr, at det plasseres på et bestemt sted. Lokaliseringa av den enkelte seng må da være et kommunalt ansvar.

skje gjennom ein dialog. Bakgrunnen for saka er at det ikkje har gjort det, bakgrunnen er at det har kome eit diktat frå føretaket der kommunane har følt seg hjelpelause. Difor er det fremja ei sak i Stortinget om dette. Det er jo slik at alle kommunar, Dei beskriv det som ein suksessfaktor i dei fire kommunane, og at både befolkninga, fagfolk og politikarar meiner at det er ei slik organisering som gir kommunane best beredskap, sparer pasientane for lange, slitsame reiser og gir befolkninga tryggleik for at dei får hjelp raskt om dei blir sjuke.

og når Høie på talarstolen ikkje kan garantera for vidare drift som i dag fordi det kunne vera ein garanti for dårleg kvalitet, meiner eg det er grunn til å spørja direkte: Om det er slik at statsråden og dei andre som har sagt liknande, meiner at det er dårleg kvalitet på dagens tilbod, må dei seia det i klartekst, for då veit jo ikkje befolkning og fagfolk i Nord-Troms sitt eige beste. Eg synest det er litt pussig å gi slike signal når ein har som høgaste leiestjerne å skapa pasientane si helseteneste. Eg synest faktisk det burde dementerast: Er det slik at ein meiner at dagens tilbod har så dårleg kvalitet at ein er nøydd til å sentralisera tilbodet?

i den forhandlingen. En liten kommune, eller nå fire kommuner med totalt 11 000 innbyggere, vet hvor vanskelig det er å være likeverdig part i en forhandling med et stort helseforetak. Det vi nå snakker om, er at det ikke har vært en reell forhandling, men et påbud om å sette seg ned og legge dette til én plass, som en forutsetning for å få penger i 2016. Når Kristelig Folkeparti er opptatt av tilbudet i disse sykestuene, er det nettopp fordi det handler om innovasjon. Det er ingen hindring for sykestuene når det gjelder å ta i bruk telemedisin, det er ingen hindring for sykestuene når det gjelder å bruke nye teknologi. Faktisk har kanskje sykestuene gått langt foran mange sykehus i bruk av nettopp dette. For

Det vi snakkar om her, er eit tilbod i ein region der alle kommunane det gjeld, og fylkesting – med stor støtte i befolkninga – meiner at dette er ei god organisering. Så eit spørsmål til Korsberg: Kven skal bestemme? Skal vi som er geografisk plasserte i Oslo, sitje her og bestemme, eller skal ein bestemme dette i helseregionane? Er ikkje poenget her Er ikkje poenget her at vi skal begynne å organisere helsetenestene meir retta mot befolkninga, at vi nettopp skal lytte meir til kommunane, meir til pasientane? Når vi da skal organisere tilbodet i denne regionen, skal vi ikkje da lytte til dei folka som bur der, og kva slags erfaringar dei har? Når vi ser korleis forhandlingsforholdet her er, korleis dialogen blir organisert, og kven som sit med det lengste strået, og kven som sit med det korte når alle kommunane kan gå mot ei løysing og Helse Nord likevel seier at sånn skal det bli – da burde det ringje nokre varselklokkar for dei som har ansvar for dialogen som skal skje mellom kommunane og helseføretaka, i det minste. Og når det er snakk om å fryse: Kunne ein ikkje da i så fall ha foreslått ei tidsramme for kor lenge dette skal førast vidare? Kunne ein ikkje da ha foreslått at ein skal sjå dette i samanheng med sjukehusplanen,

Det er fagfolk i Helse Nord ein skal lytte til, det er ikkje befolkninga i Nord-Troms ein legg vekt på i denne avgjerda. Eg ønskjer å stille spørsmålet til helseministeren: Dersom kommunane meiner at dette ikkje gjev eit betre tilbod, kven avgjer? Og så eit spørsmål til dei som har fremja forslag til vedtak I her i komiteen: Kva er det i det forslaget som Kva er det i det forslaget som ikkje er dekt i gjeldande lovverk? Da snakkar eg ikkje om tilvisinga til sjukehusplanen. Kva er det? Er det noko som helst der som ikkje allereie er dekt i vedtak som er gjorde i denne

i Tromsø – heldigvis. Men det vi diskuterer her, er nettopp hvordan man skal utforme dette tilbudet framover, og vi har på en måte landet på å diskutere et brev og hvordan man skal fortolke det. Jeg må si at jeg synes at ministeren, som er eier, har vært særdeles tydelig på at man skal sette seg ned og finne en god modell for hvordan man skal utvikle dette tilbudet videre – også innenfor rammen av det nye som har skjedd med samhandlingsreformen, at vi da får disse øyeblikkelig hjelp-sengene. Jeg synes det er bra at vi har sikret finansieringen i 2016. Det gir også noe tid og rom til å utvikle dette tilbudet videre. Helsetilbud er ikke statisk. Det kan jeg si, som også kommer fra en region med lange avstander. Blant annet med Hallingdal Sjukestugu tok det ganske lang tid før kommunene klarte å samrå seg, også med helseforetaket, på hvordan man best skulle utvikle disse tjenestene. Det er også stadig dialog om hvordan man kan finne den beste og det er kanskje det vi dypest sett diskuterer her: Hvor detaljert skal Stortinget gå inn og styre denne type dialoger? Og det er nettopp derfor vi ikke går inn på mindretallets forslag, fordi det ikke åpner for en dialog; det er en stadfesting av at det er kommunene som skal sette premissene for hvordan pengene til helseforetaket skal brukes. Det mener jeg man må sette seg ned sammen og diskutere og finne gode løsninger for lokalt, og det kan være at de løsningene vi finner i dag, er helt annerledes om fem år. Det må det åpnes for.

Kjenseth har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Til representanten Kjersti Toppe, som utfordrer flertallet på om en synes at det er så dårlig kvalitet at tilbudet må legges ned: Jeg har ikke snakket om kvalitet, det presiserer jeg. Dette handler for oss om at det er like uaktuelt å gi kommunene vetorett som det hadde vært å gi Helse Nord eller Universitetssykehuset Nord-Norge vetorett. Det vi legger til rette for her, er nettopp den dialogen, og jeg har faktisk fått med meg at kommunene ønsker at det skal være som det er. Så har jeg også fått med meg at Universitetssykehuset Nord-Norge setter premisser, og det er to parter som prøver å diktere hverandre. Og det er ikke sånt jeg har lyst til å vedta i Stortinget, at den ene eller den andre skal ha rett. Jeg tror ingen av dem kommer til å få rett for framtida, og det er jo det vi skal løse. Så har ingen snakket om kommunestruktur her. Jeg har ingen formening om hva de fire kommunene tenker om framtida rundt det, og jeg ser fram mot at de skal få fatte det vedtaket på samme måte som de her må finne et godt og framtidig tilbud. Det kan nesten virke som om representanten

Så er det også slik at finansieringen videreføres i 2016. Her er det to parter som begge har hatt veldig klare oppfatninger av hva som er rett løsning. Gjennom det som nå ligger som en flertallsmerknad og forslag til vedtak her, vil de få et godt grunnlag for å se at de må sette seg sammen på ny og diskutere og finne fram en løsning. Hadde en gått for mindretallets forslag her, hadde det ikke blitt noen diskusjon, da hadde kommunene sagt: Vi vil ha det som nå. Det hadde blitt resultatet, og det ville vært et urimelig resultat med tanke på at det faktisk er Helse Nord som betaler denne regningen. Så synes jeg også at en del av innleggene gir en urimelig beskrivelse av Helse Nord i denne saken generelt, for Helse Nord er sannsynligvis den av helseregionene våre som bruker mest penger på og samarbeider nærmest med kommunene om å gi desentraliserte tilbud. Det gjør de fordi de mener det er riktig, men også fordi Helse Nord ikke har noen interesse av at pasienter som kunne fått et tilbud i Nord-Troms, blir transportert til Tromsø. Det er både dårlig helsepolitikk og dårlig økonomi. Det er de som må betale reisen for disse pasientene, det er de som må gi et tilbud på sykehuset. De har all interesse av å bidra til at pasienter som kan få et bedre tilbud i kommunen, faktisk får det. Det er sannsynligvis også en av grunnene til at Helse Nord har vært så framoverlent når det gjelder å bidra til å etablere desentraliserte tilbud, og det ser jeg ingen grunn til at vi skal sette spørsmålstegn ved i framtiden. Men jeg tror det er lurt at en med utgangspunkt i det som Stortinget forhåpentligvis vedtar ut fra den innstillingen som nå ligger, oppnår det som jeg oppfatter egentlig alle her er enige om, at Helse Nord og disse kommunene i Nord-Troms bør finne gode, praktiske felles løsninger på dette området. Det opplever jeg at alle har en interesse av. Så har vi litt ulike syn på hva som vil være det beste redskapet for å oppnå det, men jeg tror ikke det vil være klokt som redskap å gi kommunene vetorett i det samarbeidet. Da må jeg bare skynde meg og si at det er ingen som er så

skje ut fra hvordan kommunene finner det formålstjenlig, og med vekt på gode tjenester til befolkninga. Det er et veldig åpent forslag. Så er jeg helt enig i, som statsråden har sagt flere ganger, at man fortrinnsvis må sette seg ned og snakke. Det har man gjort i denne saken. Og så hender det, som det hendte i 2013, at man ikke blir enig. Da tenker jeg at skal det være en meglerfunksjon inn i dette, må statsråden kjenne sin besøkelsestid. Det flertallsvedtaket som ligger her i dag, sier null og niks og er et såkalt tunga-ut-av-vinduet-forslag. Det sier ingenting som kan løse denne situasjonen. Jeg kjenner denne historien til sykestuesengene i Nord-Troms. Det er bare én ting som kan skje, og det er at helseministeren går inn og

kompetanse til å stille krav om. Det blir nesten uholdbart med det samarbeidet som jeg mener er så viktig hvis det er sånn at helseforetaket skal diktere ned på enkeltsenger – om det er i bygd A eller bygd B den senga skal stå. Helseforetaket må stille krav om forsvarlighet, om kompetanse, og så kan helseforetaket stille krav dersom man plasserer ut en eller annen røntgen- eller dialysemaskin eller andre ting. Der er jeg helt enig i at helseforetaket skal kunne stille krav. Helseforetaket burde f.eks. – jeg jeg vet at de har planer om sånt utstyr i Nord-Troms – kunne si: Ok, her tar vi to av de sengene og knytter dem opp mot røntgen eller dialyse. Det hadde vært klokt. Helseforetaket Helse Nord er klokt. I denne sammenheng er man det Da må helseministeren kjenne sin besøkelsestid som eier. Det forventer jeg av en helseminister. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.
i det minste statsråden bør kunne ta kontakt med Helse Nord og seie: Vent, så ser vi dette i samanheng, f.eks. med den store helse- og sjukehusplanen. Det å starte ei nedlegging, ei samlokalisering, no ville jo vere det motsette av det helseministeren her tar til orde for. Det helseministeren i grunnen seier, er at dette skal sjåast i ein stor samanheng, og da synest eg det er spesielt viss ein da seier det er greitt å gjere store endringar for innbyggjarane i Nord-Troms, med så stor støtte som ein har frå kommunane, fylkestinget og befolkninga no. Og det er jo det dette handlar om, det som det kokar ned til: å lytte til befolkninga. Og det er å lytte til befolkninga. Og det er befolkninga som her føler at dei har eit dårleg forhandlingskort. Ein må lytte til befolkninga og sjå kor interessante sjukestuene er i dag og i framtida. Kjersti Toppe har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,
presisering, i og med at statsråden og andre gjentatte gonger har omtalt forslaget frå mindretalet som eit forslag som vil gi kommunane vetorett på dagens ordning: Det er – slik som ikkje tilfellet. Viss ein les teksten, skriv ein at ein skal vidareføra sjukestuene ut ifrå ein modell som kommunane sjølve finn føremålstenleg. Det treng ikkje nødvendigvis vera akkurat sånn, men det må vera det som kommunane Og når ein les helse- og omsorgstenestelova § 6-1, står det at det er kommunestyret som skal inngå samarbeidsavtale med helseføretaket. Meiner ein at ein skal inngå ein avtale som ikkje er føremålstenleg for kommunane? Det er jo dette forslaget som hadde sikra kommunane i denne saka, og forslaget frå fleirtalet nemner ikkje ordet «sjukestue» i det heile. Jeg har ikke

helseforetakets eget budsjett. Så det er i realiteten ikke helt riktig. Jeg tror man skal ha tillit til Helse Nord. Det er mange som har uttrykt at man ikke har den tilliten til Helse Nord i denne saken, men ellers har man det. Men jeg tror man må være så prinsipiell at man også i denne saken må ta utgangspunkt i at Helse Nord ønsker å gi det beste helsetilbudet også til befolkningen i Nord-Troms, at de legger opp til en god dialog, og at man finner en løsning som gagner Nord-Troms. Så er det vel ikke til å legge skjul på, for oss som kjenner forholdene litt i nord og i Nord-Troms, at de fire kommunene det er snakk om, kanskje ikke er helt samkjørte i spørsmålet om lokalisering av sykestuetilbudet, og de fire kommunene det er snakk om, kanskje ikke er helt samkjørte i spørsmålet om lokalisering av sykestuetilbudet, og dermed vil man gjerne ha det i hver sin kommune. Det er på mange måter forståelig, men da må jeg bare vise til at Kvænangen kanskje har den største til Sonjatun helsesenter, rett og slett fordi man har Kvænangsfjellet, som ofte er vinterstengt. Jeg tror det var stengt i mer enn 30 døgn sist vinter. Det kan sikkert representanten Hoksrud mye mer i detalj enn undertegnede kan. Men det er i alle fall en stor utfordring. Jeg tror at Helse Nord, og sikkert også media og kommunene i Nord-Troms, har fått med seg denne debatten og ser den utfordringen som ligger foran dem, men ikke minst – som statsråden peker på – den muligheten som også ligger der til å gi et godt og bedre helsetilbud til hele befolkningen i Nord-Troms. Og da må man se om man kan finne en god løsning for det som er morgendagens utfordringer. Jeg må bare beriktige litt, som representanten Korsberg sa. For det første: At regionrådet i Nord-Troms har

tredjepartsskade. For det synest klart at alkoholmisbruk har svært store kostnader for enkeltmenneske, for samfunn og for arbeidsliv. Kristeleg Folkeparti har i dette representantforslaget fremja 15 konkrete forslag. I innstillinga får ingen av dei fleirtal, sjølv om mange parti i merknadsform deler intensjonen bak fleire av forslaga. For Senterpartiet sin del vil eg presisera at når det gjeld forslaget om maksimaltid for skjenking i kommunane, har vi eit stortingsprogram som tilseier at maksimalstida skal vera kl. 03, som i dag, men at det er mange gode argument for at kommunane bør og kan gjera vedtak om reduserte skjenkjetider lokalt. Når det gjeld forslaget om taxfree-kvotane, som vart auka i fjor, har forslaget frå Kristeleg Folkeparti vorte meir tydeleg i løpet av Senterpartiet, SV og Kristeleg Folkeparti føreslår no at regjeringa i statsbudsjettet for 2016 reverserer endringa i taxfree-ordninga som vart innført i 2014. Her stemmer Arbeidarpartiet, Venstre og regjeringspartia imot. Senterpartiet støttar elles dei fleste andre forslaga frå Kristeleg Folkeparti, utanom forslaget om å gjera det lovleg for kommunane å tena pengar på gebyr for skjenkjeløyve. Vi meiner at dagens ordning, der det er kostpris som skal leggjast til grunn, Vi er heller ikkje med på forslaget om å stilla krav til rusfridom for å få offentleg støtte til idrettsarrangement. Det er eit prisverdig forslag, men i samband med nasjonal støtte til større nasjonale og internasjonale arrangement kan det vera vanskeleg. Vi fremjar eit alternativt forslag, som får støtte frå Arbeidarpartiet og Kristeleg Folkeparti, om å be regjeringa innleia eit samarbeid med idrettsorganisasjonane om å styrkja arbeidet for å gjera idrett til ei alkoholfri sone. Det er skapt ein debatt om at Arbeidarpartiet, SV, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet i merknader gjentar det som regjeringa sa i rusmeldinga i 2012 om at forbruksdrivande produktinformasjon må avgrensast, og at ein må gå igjennom grensesnittet mellom reklame og produktinformasjon. Eg meiner at det er ei like reell problemstilling i 2015 som i 2012. tiltak som kan avgrensa forbruksdrivande produktinformasjon, treng heller ikkje skje ved lovendring. På matområdet har regjeringa prisverdig nok sett ned ei næringslivsgruppe som har bestemt seg for å ta eit felles løft for å redusera saltinnhaldet i industritilverka mat. Eg meiner at vi treng eit liknande felles løft på alkoholfeltet. Det kunne regjeringa tatt initiativ til. Det mest oppsiktsvekkjande i innstillinga er etter mitt syn at Høgre og Framstegspartiet skriv at dei meiner det er greitt og ønskjeleg å bruka lokkeprisar på alkohol for å få ungdom til å oppsøkja uteservering tidlegare på kvelden. Det viser at trass i einighet i komiteen om skadeomfanget og konsekvensane av alkoholbruk

alkoholpolitikk. Med det fremjar eg forslaga våre i saka. Representanten Kjersti Toppe har tatt opp de forslagene hun refererte til. Arbeiderpartiet er glad for at rus- og alkoholpolitikk nå har fått en større plass i helsepolitikken. Det er bred enighet om å prioritere rus, men det har vært mer utfordrende å løfte en debatt knyttet opp mot alkoholpolitikk, og det til tross for at skadelig bruk av alkohol er en av våre største folkehelseutfordringer. Etter hvert som vi får mer kunnskap om rus, vet vi at alkohol er hovedinngangen til over 90 pst. av dem som i dag sliter med tung rusavhengighet. Forskning viser, som også saksordføreren var inne på, at det er en klar sammenheng mellom det totale alkoholkonsumet i samfunnet og antallet rusavhengige. Det handler altså om det store flertallet som har kontroll på eget alkoholforbruk, og solidaritet med det store mindretallet som ikke mestrer den økte tilgangen på alkohol. Vi trenger også en kunnskapsbasert og ikke en moraliserende debatt, skal vi klare å løfte opp dette feltet. Det handler også om politikkforståelse, om en aktiv og villet politikk, i hvilken retning man ønsker at samfunnet skal utvikle seg. Derfor vil Arbeiderpartiet videreutvikle universelle ordninger som gir mulighet for et godt samfunn for alle. Vi har gode resultater. Norge har mindre helseskader som følge av misbruk av alkohol enn andre land. Pris og tilgjengelighet er det som virker best. Vinmonopolet har vært et effektivt alkoholpolitisk virkemiddel gjennom over 90 år. Og vi er glad for at flertallet i Stortinget har bedt regjeringen legge fram en helhetlig utredning om taxfree-ordningen, inkludert en gjennomgang av de sosialpolitiske perspektivene. Derfor har ikke Arbeiderpartiet på nytt støttet forslag knyttet opp mot det i denne saken. Arbeiderpartiet mener også at det er et politisk ansvar å drive aktivt forebyggende arbeid. Når alkohol har så store konsekvenser for så mange barns oppvekst, for så mye vold og overgrep, tap av arbeid og helse, forundrer det oss at regjeringspartiene og Venstre ikke er mer opptatt av å gi kommunene bedre kunnskap om lokale rus- og alkoholutfordringer. En slik oversikt bør være et godt verktøy, både for å vite hva man skal prioritere og for å spisse tiltakene, men ikke minst for å måle om tiltakene treffer, om de har ønsket effekt. er underlig, når det nettopp er rus og psykisk helse som skal prioriteres, og at det først og fremst skal skje i kommunene. Da trenger vi kunnskapsbasert politikk på dette området. Det er spesielt viktig på alkoholfeltet, som fortsatt – det må vi innrømme – er preget av mye fordommer, skam og stigma. Det forundrer Arbeiderpartiet at regjeringspartiene og Venstre ikke støtter forslaget om å styrke AKAN og det forebyggende arbeidet rettet mot gravide generelt og mer spesifikt mot gravide med rusavhengighet, og det samme med hensyn til å inngå et tettere samarbeid med idrettsbevegelsen for å gjøre større deler av idretten til alkoholfrie soner. Senere i kveld skal vi behandle folkehelsemeldingen. Fagre ord og visjoner har ingen verdi hvis ikke vi som politikere å ta tak i de områdene som har direkte innvirkning på alkoholskade, eller arenaer som arbeid og idrett, der vi vet at økt aksept for alkohol gjør det utfordrende for mange arbeidstakere, og koblingen idrett og alkohol gir en uheldig signaleffekt, spesielt overfor barn og unge. Arbeiderpartiet mener at reklameforbudet skal opprettholdes, og at vi på dette området – som på så mange andre områder – må ha en åpen debatt for å drøfte grenseoppgangen mellom reklame og produktinformasjon, på samme måte som vi har en debatt om reklame og uheldig eksponering rettet mot barn og unge. Høyre har tydeligvis problemer med at Arbeiderpartiet er for en åpen drøfting om denne grenseoppgangen uten at vi støtter forslag om tiltak for å begrense forbruksdrivende produktinformasjon. Arbeiderpartiet støtter gårdssalg av lokalproduserte produkter for å støtte opp under gründervirksomhet, småskalaproduksjon, produktmangfold og det å ta vare på vår kulturarv. Vi mener at gårdssalg ikke representerer noen trussel mot Vinmonopolet. Når det gjelder behandlingstilbud, mener Arbeiderpartiet at vi bør satse mer på tilbud rettet inn mot hele familier som har alkoholproblemer, eller Komiteen har bl.a. vært på Modum Bad og fått direkte tilbakemelding fra deltakere der om hvor viktig det er å involvere hele familien, men også hvor vanskelig det er å få på plass. Heller ikke til dette forslaget får vi støtte fra regjeringspartiene. Høyre er enig i at en må forebygge for å redusere alkoholrelaterte skader. Forslagsstillerne viser selv til det gledelige faktum at omfanget av rusmiddelbruk blant ungdom de

Norge. Dette kan virke motstridende, men det kan se ut til at en har fått et mer kontinentalt drikkemønster. En nasjonal målsetting om reduksjon i alkoholforbruket har lenge preget alkoholpolitikken. Vi stiller oss bak dette. For å oppnå en slik reduksjon mener forslagsstillerne at de eksisterende virkemidlene må videreføres, men at en i tillegg skal innføre en rekke nye virkemidler. Det kan virke som om noen forsøker å lage en historie om at vår regjering står for en liberalisering av alkoholloven. I denne saken fremmes en rekke tiltak for å stramme inn politikken. Vi mener at en går for langt – i sum – med disse forslagene. Også alkoholpolitikken trenger modernisering, og den har liten effekt hvis den ikke har Regjeringens politikk er å anse som en modernisering, ikke en omfattende liberalisering, som det blir antydet. Hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast. Samtidig mener vi at en del ineffektive ordninger må kunne revurderes. Regelverk må kunne tilpasses. Eksempelvis mener vi at småskalaprodusenter må få fortelle om egne produkter – på samme vis som at Vinmonopolet har lagt hele sin produktkatalog ut på Internett. Forslagsstillerne fremmer 15 forslag. Noen er vi selvsagt for, andre er vi selvsagt imot. I siste kategori kommer forslaget der man ber regjeringen fremme forslag til tiltak som begrenser forbruksdrivende produktinformasjon i media, sammen med en nær likelydende merknad, som flere partier stiller seg bak. Den sier at forbruksdrivende produktinformasjon i mediene må begrenses. Dette har vekket en viss debatt, og det er vår holdning i Høyre at ytringsfriheten og pressefriheten må gå foran iveren etter å begrense alkoholomtalen i media. Flertallet i komiteen er heldigvis enig med oss i dette. Regjeringen har sammen med samarbeidspartiene igangsatt arbeidet med en opptrappingsplan for rusfeltet. Her vil også alkohol bli et tema, og vi setter pris på at partiene står sammen om denne planen og ser frem til debatten den vil Norge har det tredje laveste alkoholforbruket i Europa, og de siste fem årene er det registrerte forbruket redusert med 8 pst. Alkoholpolitikken må moderniseres kontinuerlig. De alkoholpolitiske virkemidlene må ikke bare ha effekt; de må også ha legitimitet, og folk må ha tillit til dem. I punkt 4 n i samarbeidsavtalen står det følgende: «Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast.»

Når vi åpner for at Vinmonopolet skal være åpent på påske- og pinseaften, er det en oppmykning av et gammeldags regelverk, som vil styrke Vinmonopolet. Forrige taler var inne på gårdssalg av lokalprodusert sider og brennevin. Det er ingen utfordring for alkoholpolitikken. Det vil ikke underminere Vinmonopolet. Regjeringen er opptatt av å forenkle og myke opp regelverket der det er logisk riktig. Dessuten finnes det flere måter å modernisere alkoholpolitikken på. I Stortingets spørretime for litt siden tok statsministeren til orde for å begrense alkoholen på møtesteder der barn er til stede, f.eks. ved idrettsarrangementer. Å begrense tilgangen til alkohol, å forhindre rus og skade, er et voksenansvar. Forbud er ikke alltid veien å gå. Mye kan gjøres for å redusere alkoholens rolle der folk samles. Det må bl.a. være sosialt akseptert å si «nei» – et lite ord som for mange er så vanskelig å Like sikkert som at etter sol kommer regn, kommer det representantforslag fra Kristelig Folkeparti vedrørende alkoholpolitikk til behandling i denne sal. I dag er vi i gang igjen, til tross for at det i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre er slått fast at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Til sammen 17 forslag er fremmet i saken. Mange av dem er preget av den moralske pekefingeren, det lille rappet over fingrene fra en pisk med snert i og tanken om at alkoholspørsmål er det kun enkelte norske politikere som forstår. Slik er det naturligvis ikke. La meg innledningsvis understreke at også Fremskrittspartiet mener at spørsmål om alkohol og konsum er viktige, sett i både et folkehelseperspektiv, et næringsperspektiv og et lov og Man vet at Verdens helseorganisasjon oppgir alkohol som en av de tre viktigste risikofaktorene for dårlig helse og tidlig død i Europa. Derfor er det alles mål å drive aktivt forebyggende arbeid og føre en alkoholpolitikk som reduserer alkoholrelaterte skader og alkoholmisbruk. Men vi kan ikke lukke øynene for at også lille Norge er blitt en del av en stor internasjonal verden, noe som har ført til at nordmenns drikkevaner har endret seg til å bli mer kontinentale. Dette kan vi ikke forby eller regulere oss bort fra. Uansett hvor mange ganger enkelte politikere vil svinge pisken, slutter ikke Ola og Kari å drikke. Det overordnede målet med rusmiddelpolitikken er å redusere de negative konsekvensene misbruk har for enkeltpersoner, for personer rundt vedkommende og for samfunnet som helhet. Og det globale målet om 10 pst. reduksjon i skadelig forbruk av alkohol innen 2025 er noe regjeringspartiene støtter. Derfor registrerer vi med glede at tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning viser at det norske alkoholforbruket snart er tilbake på samme nivå som i 1980, altså for 35 år siden. Dessuten synes det totale alkoholkonsumet, dvs. både registrert og uregistrert forbruk, å ha flatet ut siden 2008. Endelig viser tallene at norsk ungdom både debuterer senere med alkohol enn tidligere også faktisk drikker mindre enn før. Jeg vil knytte noen kommentarer til ett av de fremsatte forslagene som fikk behørig omtale med ledig penn i en kommentarartikkel i Aftenposten 10. juni. Det er forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, hvor man ber regjeringen komme med tiltak som begrenser forbruksdrivende produktinformasjon. Eller sagt så folk flest forstår: Man ønsker å begrense avisenes redaksjonelle omtale av øl og Aftenposten spør: «Politikere vil redigere avisene. Er de fulle der nede?» Vel, jeg kan bare snakke for meg selv, og jeg er trygg på at jeg passerer greit i promillekontrollen i dag. Hva er så farlig med å la folk lese om forskjell og nyanser i smak, lukt eller fylde i de forskjellige alkoholproduktene, når forslagsstillerne fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, med støtte fra Arbeiderpartiet og SV i merknads form, synes det er helt i orden om man finner den samme informasjonen på Vinmonopolets nettside? Ifølge Helsedirektoratet får alkohol følge av salt, sukker og fett på listen over de største truslene mot folkehelsen. Det er fornøyelig å lese videre i Aftenpostens kommentar fra 10. juni. Jeg siterer igjen: «Bør regjeringen gripe inn overfor Allers og Norsk ukeblad for å begrense omtalen av kaker? Hva med kokebøker? Er det for mye salt i oppskriftene? Bør myndighetene stenge cupcakebloggene? Hva med biltester? De kan være salgsfremmende, og trafikk er farlig. Hvor skal grensene gå?» Som mangeårig journalist vet jeg at redaksjonell omtale og reklame ikke er det samme. Det er tvert imot strenge etiske regler som skiller dette fra hverandre. Det klarer norske aviser – kanskje fordi dagens journalister ikke lenger smaker på godsakene i arbeidstiden, noe som i tidligere tider var ganske vanlig i norske avisredaksjoner. Når Kristelig Folkeparti er opptatt av alkoholpolitikk, er det ikke for å gjenta seg selv i hver stortingsperiode, men fordi vi vet at det er veldig mange enkeltmennesker og unger som lider under alkoholmisbruk. Vi mener at hver enkelt av oss har et ansvar for å stille opp med solidaritet og omsorg for dem som sliter, og deres pårørende. Alkoholmisbruk er en av de største enkeltkostnadene i norsk helsevesen, men aller mest koster det for enkeltmennesker, unger og arbeidsliv. arbeidsliv. Det er etter Kristelig Folkepartis politiske syn vårt ansvar å drive forebyggende arbeid. En solidarisk alkoholpolitikk handler om å redusere alkoholrelaterte skader og alkoholmisbruk – og ikke stikke hodet i sanden når det gjelder dette. Norsk alkoholpolitikk har over lang tid vært restriktiv. Det er Kristelig Folkeparti enig i. Norge har som konsekvens av dette et lavere alkoholkonsum og færre skader enn de europeiske landene har. har. Derfor er det ikke noe mål å få en europeisk alkoholpolitikk i Norge. Det er gledelig å se at ungdommens forbruk har gått markant ned. Allikevel har det totale alkoholkonsumet i Norge årene. Når folkehelsemeldingen – den skal vi debattere senere i dag – påpeker at regjeringen vil slutte opp om Verdens helseorganisasjons mål om å minske det skadelige forbruket av alkohol med 10 pst. innen 2025, er det viktig å komme med ikke bare ord, men også tiltak. Da nytter det ikke å komme med Da nytter det ikke å komme med endringer som i sum flytter grensene i norsk alkoholpolitikk i en mer liberal retning. En reduksjon av alkoholskadene forutsetter at vi evner å redusere det samlede alkoholforbruket i befolkningen. Eksisterende virkemidler må videreføres, og en rekke nye virkemidler må tas i bruk. Derfor er det synd at regjeringspartiene stemmer imot alle de 15 forslagene i representantforslaget, selv om de synes de er gode. Store deler av skadeomfanget ved alkoholmisbruk er knyttet til flertallet, som har Det går ingen klar grense mellom misbruk og bruk, mellom skadelig og ikke skadelig alkoholforbruk. Det er den store gruppen med moderat forbruk av rusmidler som først og fremst forårsaker mest skade og mest sykdom, og som påfører samfunnet de største kostnadene. kostnadene. Kristelig Folkeparti foreslår derfor – sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti – å «utarbeide et samfunnsregnskap for å sette søkelys på de enorme kostnadene bruk av alkohol innebærer for samfunn, arbeidsliv og ikke minst enkeltpersoner og deres familier». Vi som kjenner til dette privat, vet kostnaden. Et samfunnsregnskap kan hjelpe å videreutvikle vår alkoholpolitikk og ha godt grunnlag for å vite hva vi bør prioritere i et langsiktig perspektiv. Kristelig Folkeparti foreslår – sammen med Sosialistisk Venstreparti – å «endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl. 03.00 til kl. 02.00» fra nasjonalt at dette vil redusere vold. Endringen er i tråd med anbefalinger fra både politi og fagfolk. Likevel lar vi være å gjøre noe med det. Det heter: Der det er vilje, er det vei. Hvis vi ønsker å få ned skadeomfanget, må vi også finne en vei. Vi kan heller ikke si annet enn at påstandene fra regjeringspartiene om at det å redusere skjenketiden til kl. 02 vil skape problemstillinger som ansamlinger av folk og ukontrollerte nachspiel, nesten er tatt ut av luften. Da er det hensynet til næringslivet og reiselivet regjeringspartiene støtter seg på. Det er et ærlig argument, og det bør en si – heller enn å si at en ønsker å gjøre noe med norsk alkoholpolitikk. I fare for å gjenta meg selv: Kristelig Folkeparti ønsker en offensiv, solidarisk alkoholpolitikk. Det nytter ikke med mye fokusering på god støtte til rusbehandling og rusettervern, hvis vi ikke er villig til å gjøre det forebyggende aspektet, som er lite politisk korrekt, og lite populært, men som er helt nødvendig for å nå de målene vi skal sette oss, nemlig reduksjon innen 2025.

Det er liten tvil om at alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest skade. Samtidig er det også et lovlig rusmiddel. Det gir oss noen utfordringer, for det skal være mulig å få tak i, og det er legitimt å bruke i sosiale sammenhenger. Likevel ønsker et bredt flertall å begrense bruken og derigjennom begrense skadene alkohol forårsaker. For å lykkes med det må det jobbes på bred front, men særlig forebygging og tidlig innsats vil ha en god effekt. Derfor er oppvekstpolitikken kanskje det viktigste området å satse på for å lykkes. Det er først og fremst i kommunene dette arbeidet skal gjøres. For Venstre er det viktig at de som kjenner utfordringene i sin kommune, også er de som finner de beste tiltakene for å fremme folkehelse og begrense rusmiddelrelaterte skader. Vi må ansvarliggjøre kommunene, slik at de bruker det handlingsrommet som finnes i alkohollovgivningen, til å nå felles mål. For å kunne lykkes i å redusere omfang må vi kjenne årsaken til at folk har eller utvikler et rusproblem. Det kan ofte være komplekse årsakssammenhenger. Vi vet ikke nok om hva som er arv, og hva som er miljø. Men noe vet vi – og det er at vi kan gjøre noe med miljø. For dem som starter med alkohol tidlig, øker risikoen for utvikling av alkoholisme. Over 40 pst. av alkoholikere drakk mye i slutten av ungdomsårene. Å ha opplevd alvorlige traumer i barndommen øker risikoen for å bli avhengig, og manglende støtte fra venner og familie øker risikoen for avhengighet. Relasjoner og nettverk er det viktig å jobbe med. Konsekvensene av alkohol kjenner vi godt til – dårlig helse og tidlig død, vold og kriminalitet. Det påfører oss som samfunn store utgifter, og særlig i helsevesenet. Når Venstre har valgt ikke å stemme for noen av forslagene, å gjøre med at vi er fire partier som har en avtale som sier noe om alkohol, og det er plattformen. Dernest skal vi til høsten diskutere en opptrappingsplan for rusfeltet, og jeg mener at en del av de forslagene som er reist her, naturlig hører hjemme i diskusjonen om den opptrappingsplanen. Så er det sånn at noen av disse tiltakene uomtvistelig har en budsjettkonsekvens, og det er også regulert i avtalen mellom de

sitter ved bordet. Det er selvfølgelig et poeng å ha med et bredest mulig flertall i Stortinget. Nå har vi anledning til å diskutere en del av disse punktene. Vi har gjort det også ved behandlingen av folkehelsemeldingen vi skal diskutere senere i dag. Budsjettforhandlinger er også en prosess hvor alle partiene er involvert. Men igjen – jeg vil rose Kristelig Folkeparti for at de er Men igjen – jeg vil rose Kristelig Folkeparti for at de er pådrivere i alkoholpolitikken. Vi har stadig noe å lære, og alle kan bli bedre. Jeg tror også at når det gjelder oppvekstpolitikken, kan noen av de strukturreformene vi holder på med nå, med både større kommuner og å samordne flere av de litt små velferdsetatene i

avgifter og reklameforbudet, samt et velfungerende oppfølgingssystem. Regjeringen tar utfordringene i alkoholpolitikken på alvor. Forebyggingsinnsatsen håndteres innenfor rammene av folkehelsemeldingen, og innsatsen for dem som er i ferd med å utvikle eller har et alkoholproblem, kommer vi tilbake til i opptrappingsplanen for rusfeltet. Også meldingen om primærhelsetjenesten og den kommende sykehusplanen er relevant for dette arbeidet,

Det er ikke en ny tradisjon under denne regjering, det er en tradisjon som har vært i Stortinget iallfall så lenge jeg er kjent med, at forslag som er innenfor områder som f.eks. regjeringen allerede jobber med, blir – og stort sett alltid har blitt – nedstemt av regjeringspartier, uansett hvilke partier det er. Men jeg vil benytte anledningen til å gå nærmere inn på noen spørsmål knyttet til produktinformasjon og reklame. Dette er et krevende terreng. terreng. Jeg er enig med forslagsstillerne i at forbrukerne burde kunne få informasjon om innholdet i alkoholholdige produkter. Jeg vil forsikre om at jeg benytter enhver anledning til å ta opp denne saken med EU og EUs medlemsland. Jeg registrerer at det også er flere land enn Norge som ønsker en endring her, noe som er en forutsetning for utviklingen i EU på dette området. Jeg vil vise til Stortingets behandling av dette, senest ved behandlingen i Dokument 17. februar 2015 og det vedtaket som ble gjort der, som jeg følger opp. Når det gjelder medienes omtale av alkohol, har jeg nok en annen innfallsvinkel enn forslagsstillerne. Vi kan gjerne ønske oss at journalistene skriver mindre om alkoholholdig drikk, men vi verken kan eller bør begrense ytringsfriheten – det er min tydelige mening. Reklame fordekt som uavhengig omtale er noe annet. Det er forbudt allerede i dag. Jeg vil også knytte noen ord til forslaget om endring i reklameforbudet. Detaljene i reklameforbudet er tydeliggjort i forskrift. Derfor er det forslaget til forskriftsendringer som har vært ute på høring. Jeg har foreslått en del endringer med formål å møte publikums forventninger til produktinformasjon for også å sikre legitimitet rundt reklameforbudet som helhet. Vi ønsker fortsatt å skjerme publikum mot produktdrivende informasjon. Vi har derfor lagt til grunn at vi kun vil tillate informasjon som gis i nøktern form, og i en form som gjør at informasjon må oppsøkes aktivt. Jeg legger opp til at forskriftsendringer kan tre i kraft om noen få måneder. Jeg vil imidlertid ikke legge skjul på at arbeidet er teknisk krevende, og jeg er opptatt av at vi skal arbeide grundig med høringsinnspillene for å sikre et godt resultat. Jeg ser at det alltid vil oppstå nye grensetilfeller når man, som her, innfører nye unntak fra en hovedregel. Verken bransjen eller offentlig myndighet kan regne med at de justerte reglene vil legge all tolkningstvil til side en gang for alle. Et slikt resultat ville kreve et absolutt reklameforbud eller et opphevet reklameforbud, og jeg tror at begge de løsningene ikke vil være i noens interesse. Det åpnes for replikkordskifte.

Kan ministeren si noe om hva han tenker om det? Det er veldig synd om behov for struktur skal ødelegge gode tilbud. Representanten har også stilt et skriftlig spørsmål til meg om den saken, som jeg – hvis jeg ikke husker helt feil – skrev under på i dag, så jeg tror svaret kommer raskt. Det er helt riktig at det som har vært ute på høring,

i noen tilfeller vil det å involvere familien i behandlingen være vesentlig for å gi gode resultater for den som har et avhengighetsproblem. Men dette er også ikke minst et faglig spørsmål, som jeg mener vi har fått veldig tydelige tilbakemeldinger på i den høringsrunden direktoratet har. Så jobber direktoratet videre med dette. Men dette kommer jeg til å utdype i det skriftlige svaret til representanten.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde, der statsministeren, finansministeren og de to partilederne var til stede. Det som jeg tror er det viktigste, er summen av den norske alkoholpolitikken. Jeg tror ikke en kan plukke ut ett enkelt tiltak. Det at Norge – sammen med våre naboland Sverige og Finland – har Europas strengeste alkoholpolitikk i form av kombinasjonen av reklameforbud, regulerte salgs- og skjenketider, en vinmonopolordning og bruk av avgifter, bidrar til et viktig forebyggende arbeid ikke bare i et folkehelseperspektiv, men også i et avhengighetsperspektiv. Så er det veldig viktig at vi setter innsatsen inn spesielt mot å skjerme barn mot en uvettig alkoholbruk.

Når vi tenker at Vinmonopolet i seg selv skal være en stamme i norsk alkoholpolitikk og vi reduserer grunnlaget for Vinmonopolet, hva tenker statsråden om det som ble gjort i fjor? For det første må jeg si at den mest radikale endringen i taxfree-ordningen ble gjort under forrige regjering. Det var en ensidig utvidelse av kvoten,

Så har vi også sørget for at det skjer innstramninger på det området, f.eks. på måten mennesker møter taxfree-en på. Jeg tror de som kommer til Gardermoen, nå ser at alkohol er tatt tilbake – det er ikke det som møter familiene når de lander i Norge. Man må oppsøke alkoholen i taxfree-en på Gardermoen i dag. Replikkordskiftet er over. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Når jeg i dag velger å ta ordet i denne debatten, er

Mange idrettsarenaer har søkt eller søker nå om skjenkebevillinger rundt om i alle landets kommuner. Det gjelder alpinbakker, det gjelder fotballstadioner og håndball- eller ishockeyarenaer. På denne måten kobler man idrett og alkohol tettere sammen og undergraver Idrettsforbundets eget regelverk om å arbeide mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.

Jeg tenker at mennesker med alkoholutfordringer og deres familiemedlemmer – barn eller andre – har ekstra behov for trygge rammer og alkoholfrie fotballarenaer. Norges Fotballforbund samarbeider med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL og oppfordrer trenere, lagledere og spillere til å kutte ut Jeg ønsker at barn og ungdom skal ha alkoholfrie forbilder som viser idrettsglede, og som feirer uten alkohol – også i garderoben. Jeg ønsker at de som ikke vil eller kan drikke alkohol, skal ha et fristed nettopp i idrettsverdenen. Jeg anser dette som et politisk ansvar – et like stort ansvar som idretten selv tar for sine utøvere. Jeg har lyst til å takke Kristelig Folkeparti for gode forslag om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk, spesielt det som angår

sier – og det høres ut som det er den eneste sannheten – at bare ved å redusere skjenketiden fra kl. 03 til kl. 02 går problemene som følge av alkoholbruken ned. Det er ikke tilfellet i det området jeg kommer fra. Der har vi nemlig gjort det, og resultatet er altså det stikk motsatte. Problemene går opp, kriminaliteten går opp, til tross for at man har redusert skjenketiden fra kl. 03 til Jeg mener at det som er viktig, er å ta tak i de som er i risikogruppen og sørge for et skikkelig godt forebyggende arbeid. Statsråden kommer tilbake med en sak rundt dette med rusomsorg og hvordan man skal kunne gjøre den bedre. Jeg tror det er kjempeviktig å dra med ungdommen. Jeg synes man i altfor liten grad drar med dem vi egentlig ønsker å nå tidlig, for å hindre at de velger alkohol eller andre ting når de skal feste. Man er bekymret for den endringen som ble gjort i forbindelse med taxfree-kvotene. Resultatet var at man sørget for at en ting som man er opptatt av å gjøre noe med, nemlig tobakk, kunne man få byttet ut med en flaske vin. Jeg tror at helseskadene blir mindre av en flaske vin enn av tobakk – hvis det er det man velger. Jeg er veldig enig i at det er viktig å gjøre ting for dem som er i risikogruppen, og der skal vi stå på og komme med gode tiltak, men jeg synes at Kristelig Folkeparti bør respektere at man har en avtale som sier at alkoholpolitikken ligger fast. Det kommer den til å gjøre, for vi følger den avtalen som fast. Det kommer den til å gjøre, for vi følger den avtalen som vi har i

Det er også sånn at ungdom synes det er dyrt å gå ut på byen. De blir sittende hjemme både før de går ut og etter at de har vært ute, og da skjenker de seg uten noen som helst form for kontroll. Det er ingen vakter der, det er ikke noe politi der, skjenkingen foregår altså helt uten tilsyn fra noen overordnede. Vi mener at ved å la utestedene kunne tilby en såkalt «happy hour», hvor prisene reduseres noe, vil kanskje ungdommen søke å gå ut til andre tider. Ungdom i dag går gjerne ut rundt midnatt, og hvis en i tillegg skulle redusert skjenketiden fra kl. 03 til kl. 02, skal de hjem etter to timer. Det fører til køer, trengsel, knuffing, slåsskamper, osv. Bollestad mente det var tatt ut av luften at folk går på nachspiel dersom en reduserer skjenketiden fra kl. 03 til kl. 02. Jeg undrer meg på hvor representanten Bollestad tror ungdommen gjør av seg når de forlater utestedene. Jeg må også si noen ord til representanten Haukeland Liadal, som uttrykte bekymring for kombinasjonen idrett og alkohol. Jeg er enig i at ungdom skal oppleve idrettsarrangementene som trygge og gode, og at det ikke nødvendigvis skal skjenkes alkohol i alle publikumsområder. Men det er imidlertid sånn at internasjonale sponsorer kommer til Norge, betaler i dyre dommer for å støtte norsk idrett, er med på å sikre økonomien til idrettsarrangementene, og sponsorene forventer en opplevelse på linje med det de kan få på lignende arrangementer i utlandet. Dersom de ikke får det, vil de sannsynligvis bruke pengene sine et annet sted. Det vil føre til at idretten blir økonomisk skadelidende. På en måte henger alt sammen med alt i det spørsmålet. spørsmålet. Idrett skal være en stor opplevelse for både barn, unge og vanlig publikum, og også for sponsorene, og for sponsorene hører skjenkebevillingen til. Vi snakker om et av de største helseproblemene vi har. Da vi, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, satt i møte, Venstre og Kristelig Folkeparti, satt i møte, i høring om rus, var det flere som tok til orde for at det er ingen som snakker om den store flodhesten i glassburet, nemlig alkohol. Det var det ingen som turte å snakke om. Men det er faktisk ofte begynnelsen til all annen rusutfordring, og vi må tørre å ta tak i det. Når vi snakker om mindre vold fra kl. 03 til kl. 02, er det ikke noe Kristelig Folkeparti har kommet på,

Men når idrett og alkohol blandes, er det ikke en arena for alle. Da er det noen som er avrusa, som ikke kan gå dit. Da er spørsmålet om du og jeg vil være med på en solidarisk alkoholpolitikk og si at nei, det vil vi ikke ha der – i solidaritet med dem som ikke kan være med da. Det er det det handler om, ikke om utenlandske

stilling. Det er jo ei hovudlinje i alkoholpolitikken vår, og dersom endringar fører til at ein undergrev Vinmonopolets stilling, synest iallfall fleirtalet at det er problematisk. Når det gjeld skjenketid og den maksimale skjenketida i kommunane: Sjølv om vi ikkje støttar forslaget, er det sant, det som står i merknadene, at det er gjort nasjonale undersøkingar der ein har samla informasjon frå mange kommunar og byar i Noreg som viser samanhengen mellom vald og skjenketid. Det er jo slik at det er ei maksimal skjenketid, og kvar kommune er ansvarleg i alkoholpolitikken og kan vedta lokale føresegner innanfor den maksimaltida. Når det vert sagt at ein ikkje kan gå inn Når det vert sagt at ein ikkje kan gå inn på desse forslaga fordi ein har ein avtale, må nokon fortelja kva for eitt av desse forslaga som vil trua hovudlinjene i alkoholpolitikken. Det er ikkje eitt av dei som vil trua hovudlinjene i alkoholpolitikken. Slik sett kan vi stemma for dei, alle Til representanten Wold om dette med lokkeprisar for alkohol: I den saka er vi berre ueinige. At ein skal lokka ungdom med billigare alkohol for å få dei til å gå på byen, synest eg er eit veldig dårleg forslag. Til slutt eit par kommentarar til dette med forbruksdrivande produktinformasjon og om ein kan regulera det: Eg sa i innlegget mitt at det finst måtar å gjera dette på som ikkje nødvendigvis treng å bety ei lovendring, men at vi kan løfta i flokk. Mi erfaring – eg må innrømma det – er at eg kvir meg for å gå ut i media og snakka om alkohol. Eg får så mange negative tilbakemeldingar, og det er det einaste området i politikken der samfunnet reagerer slik. Eg har tenkt at eg kanskje skal slutta, men eg har valt å ikkje gjera det, men eg har valt å ikkje gjera det, men eg har jo måtta skjerma ungane mine frå å lesa e-posten min etter at eg har sagt ein del ting om alkohol. Så at det er ein flodhest i glasburet, og at vi har eit samfunn der vi ikkje kan snakka om alkohol, synest eg er trist, når det faktisk er eitt av dei største helseproblema vi har. Det trur eg vi alle kan ta med oss. Til det siste som foregående taler sa: Jeg er
men

men jeg hørte en representant som sa at dette undergraver Vinmonopolet. For meg er ikke Vinmonopolet nødvendigvis det viktigste, men jeg er veldig enig i at vi skal ha tiltak som kan bidra til å redusere alkoholforbruket. I det ligger det også at Vinmonopolet er der, men det viktigste må vel være at man faktisk reduserer alkoholforbruket totalt sett. Noen later som om vi ikke har gjort noe. Det er i hvert fall nå vedtatt at man skal vurdere dette med alkolås i alle biler som driver med persontransport mot vederlag. Det er en ganske stor ting som skjer på dette området, etter at departementet har gått igjennom og kommet tilbake med forslag til hvordan man skal gjøre dette framover. Utfordringen vår er selvfølgelig at i forhold til ulykkene er alkoholkonsumet forholdsvis stabilt. Rus går opp. Det betyr at vi har to utfordringer som vi må jobbe med, for å hindre at folk kjører beruset, enten det gjelder alkohol eller andre rusmidler. Men der jobbes det også med å se på hvordan man kan løse de utfordringene. Til spørsmålet om hvor jeg har hentet mine tall fra: Ja, dem har jeg faktisk hentet fra politiet hjemme i mitt

former. Som sagt: Jeg er helt enig. Det er definitivt ikke noe mål for meg at vi skal ha et størst mulig alkoholforbruk i Norge. Det er ikke noe mål at vi skal opp på europeisk nivå. Men det kan vel hende at vi har en litt annen måte å gjøre ting på fordi vi har Vinmonopolet og forholdsvis høye avgifter, og det betyr at mange henter med seg når de er utenfor landets grenser. Så vi har da et ganske stort forbruk på den måten. Men jeg er helt enig: jeg er helt enig: Jeg er opptatt av at vi skal gjøre noe overfor de gruppene som er i risikosonen. Jeg er opptatt av at vi skal drive forebyggende arbeid overfor alle, spesielt overfor barn og unge, for det kan være med på å hindre at de begynner med alkohol. Der tror jeg vi alle er enige. Men det er ikke et stort problem for meg om jeg går forbi en hylle hvor det står vin, og hvis jeg leser i en avis, er det bare å bla forbi. Og sånn er det for de aller fleste. Representanten Olaug V. Bollestad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

med interesse til innspill som handler om å utvikle palliasjonsfeltet videre. Jeg er derfor glad for at vi som komité samlet løfter palliasjonsfeltet et langt steg videre, ikke bare med gode merknader, men også med konkrete forslag som etter alt å dømme blir enstemmig vedtatt her i salen i dag. Komiteen er tydelig på at palliasjonfeltet må styrkes vesentlig i Norge. Jeg vil i den forbindelse sitere litt fra Komiteen er tydelig på at palliasjonfeltet må styrkes vesentlig i Norge. Jeg vil i den forbindelse sitere litt fra innstillingen: «Komiteen mener at Norge bør ha en klar ambisjon om å være ledende i palliativ omsorg. For at dette skal bli en realitet, må man gå mer systematisk og planmessig til verks, være villige til å lære av andre land, åpne opp for ulike modeller og tenkning i det palliative arbeidet, styrke kompetansen i alle ledd, bruke mer ressurser, fokusere på diagnosenøytralitet betyr mer enn behandling og omsorg ved livets slutt.» Dette er ambisiøst, konkret og forpliktende, men komiteen ser at en må tenke langsiktig og helhetlig og snu mange steiner før en klarer dette fullt ut. Derfor ber komiteen enstemmig regjeringa om å gjennomføre en helhetlig, offentlig utredning, en NOU, av palliasjonsfeltet, med bredt sammensatt representasjon fra ulike fagmiljøer, og hvor barnepalliasjon er en del av arbeidet. Komiteen ser også at en må arbeide for utvikling av feltet parallelt med NOU-arbeidet, og gir mange føringer i form av tydelige merknader samt to komitéforslag som omhandler kartlegging av behovet for ambulante team for barnepalliasjon knyttet opp mot alle helseregioner, og å se på mulighetene for avansert hjemmesykehus for barn. Arbeiderpartiet for sin del støtter Kristelig Folkepartis mindretallsforslag nr. 1–3, som omhandler bedre tilrettelegging for hjemmebesøk av fastlege, bred kompetanseheving i palliasjon blant helsepersonell og et helhetlig tilpasset tilbud til alvorlig syke barn og deres familier. Jeg tar for øvrig opp mindretallsforslag nr. 4 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, som omhandler styrket kompetanse, et bedre tilbud overfor barn og tilrettelegging for et mangfold av tilbud, herunder ulike

også utenfor helsevesenet er med hensyn til barnepalliasjon. Til slutt: Innspillene fra JLOB har vært og er svært viktige. Engasjementet og ikke minst denne organisasjonens kompetanse og internasjonale nettverk er betydelig, og det har stor verdi for den videre utvikling av barnepalliasjon i

dersom den siste tiden ikke oppleves som trygg. I Høyre har vi ikke vært fornøyd med omsorgen rundt døende pasienter. Vi mener at dette fagområdet i helsetjenesten har vært nedprioritert de siste årene. Andre land har tatt store og viktige steg for å styrke palliasjonsfeltet. Hospice-filosofien har stor gjennomslagskraft i mange land. I Norge er man heldig om man møter den i den vanlige omsorgstjenesten. Vi har spurt oss om man kanskje har vært for opptatt av helbredelseselementet i behandlingen og for lite opptatt av å ta vare på mennesker som ikke lenger kan helbredes. Medisinfaget har tradisjonelt ikke hatt et sterkt fokus på behandling av døende pasienter, men vi vet at både leger og sykepleiere har sterke meninger og ønske om å bidra til å bygge en sterkere palliativ helsetjeneste i Norge. Nå er det derfor på tide å styrke dette fagfeltet, og jeg er glad vi har en regjering som er så tydelig på dette. 15 år etter den forrige gjennomgangen av omsorgen for døende pasienter bestilte vår regjering en fagrapport om dette fordi det var behov for mer kunnskap og kompetanse, om både hva vi har i dag, og hva vi trenger framover. Jeg registrerer at de rød-grønne partiene i dag fremmer eller støtter mange forslag for å styrke palliasjonsomsorgen i Norge. Det må være lov å si at de gode intensjonene dessverre kommer sent fra den kanten. Etter deres åtte regjeringsår var tiden i ferd med å renne ut for en helt avgjørende styrking av feltet. Vi er likevel glad for at en samlet helse- og omsorgskomité har lyttet til viktige høringsinnspill, og at regjeringen nå bes gjennomføre en helhetlig offentlig utredning, slik saksordføreren redegjorde for i sitt innlegg, en offentlig utredning hvor også barnepalliasjon er en naturlig, integrert del av arbeidet. for at en samlet komité stiller seg bak å kartlegge behovet for ambulante team i alle helseregioner når det gjelder barnepalliasjon, og utrede mulighetene for avansert hjemmesykehus for barn. Det er mange oppgaver å ta fatt på etter flere års nedprioritering av dette området. For det første må vi gi døende pasienter flere valgmuligheter. Det er bare 14 pst. som dør hjemme, et svært lavt tall i forhold til andre land. Halvparten av norske pasienter dør på sykehjem. Vi må sørge for at døende og alvorlig syke føler at de har flere reelle valg med hensyn til hvor og hvordan de ønsker å tilbringe livets siste dager. For det andre må vi trygge at pasienter i livets siste fase møtes med fagkompetanse. Å pleie døende pasienter er krevende, det er helsehjelp som krever høy kompetanse. Derfor er det et hovedmål for vår regjering å bygge en faglig sterk helsetjeneste. Fastlegene spiller en viktig rolle, men det gjør også sykepleierne i kommunene. Det er også slik at lederne i helse- og omsorgstjenesten har et særlig stort ansvar for å prioritere fagutvikling om lindrende omsorg. Det er ikke bare pasient eller pårørende som lider når avdelinger ikke driver fagutvikling og kompetanseheving på palliasjon. Vi må ikke undervurdere hvordan utrygghet påvirker helsepersonell negativt, når de må stå i oppgaver de ikke fullt ut mestrer eller har kompetanse på. Men det aller viktigste er at vi sørger for å trygge at pasienter i en sårbar og vanskelig situasjon møtes på best mulig måte. I primærhelsemeldingen som regjeringen la fram i vår, varsles det nye tanker rundt hvordan helsepersonell i kommunene skal organiseres. Vi trenger mer teamarbeid, vår, varsles det nye tanker rundt hvordan helsepersonell i kommunene skal organiseres. Vi trenger mer teamarbeid, hvor tverrfaglig helsepersonell sammen møter den døende pasienten. Det er bare slik hver enkelt pasients ulike og unike behov møtes på en bedre måte. Vårt mål og vår visjon i videre arbeid må være at stadig flere pasienter får oppleve livets siste fase som det noen så prisverdig de siste dagene har kalt en

Jeg fikk kommunestyret med på en mindre bevilgning som en startkapital til disse driftige kvinnene. Jeg må fortsatt smile når jeg tenker på den debatten som utspant seg i kommunestyresalen. En av kommunestyrerepresentantene var sjokkert over at vi ønsket å sende døende mennesker på samme sted som vi sendte våre bostedsløse rusmisbrukere. Det var full forvirring mellom begrepene «hospits» og de samme kvinnene. Hele Akershus-benken var invitert. De hadde med seg en eldre mann, som fortalte om sin kones siste tid på Hospice Lovisenberg. Etter at han hadde fortalt sin historie, var hele Akershus-benken enige om at dette ville vi ha. De neste årene ble dessverre preget av Det er også verdt å merke seg at Kristelig Folkeparti i 2011–2012 fremmet et representantforslag med nesten samme tittel som dette vi behandler nå. Også den gang inneholdt det flere forslag. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet valgte den gang å skrive i sin ene merknad at de viste til helse- og omsorgsministerens brev, at de sluttet seg til det, og at de ikke ville kommentere de enkelte forslag utover å bemerke at de hadde budsjettkonsekvenser og hørte hjemme i budsjettprosessen. Det er interessant å se hvordan tre partier kan gå fra å avvise alt, uten engang å ha egne merknader, til nå å mene at Norge har alle forutsetninger for å være ledende på dette feltet. En større tillitserklæring til Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen skal man lete lenge etter. Fremskrittspartiet har gjennom regjeringssamarbeidet og videre gjennom budsjettsamarbeidet med Venstre og Kristelig Folkeparti allerede fått på plass en del småplukk, om man kan kalle det det. Dette er små ting som hver for seg er svært viktige, og som på en god måte viser at vi er på vei til noe. Tiden tillater ikke at jeg går inn på de grepene vi allerede har tatt, eller forslagene som fremmes, men det er i grunnen greit, da innstillingen er veldig god og har forklarende merknader. Men jeg vil bemerke dette med en NOU særskilt. Dette ligger ikke i det opprinnelige forslaget, men ble foreslått i høringen som komiteen holdt. Det var mange gode innlegg i denne høringen, men det var ideen om NOU som holdt meg våken den natten. Neste dag sa jeg til helseministeren: Jeg vil ha en NOU. Og sånn blir det. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har gitt tydelige signaler om at palliasjonsomsorgen skal bedres, med et større mangfold av tilbud og en tydelig forventning om at kunnskap og kompetanse, forskning og fagutvikling innenfor palliativ behandling skal utvikles. Det gjør et sterkt inntrykk å møte foreldre som har opplevd å leve over lang tid med alvorlig syke og/eller døende barn. Som mamma selv tenker jeg at ingen skal behøve å oppleve slik smerte, men virkeligheten er dessverre slik for enkelte, og vi må bare gjøre dette bedre – for barnet det gjelder, for foreldrene og ikke minst for søsknene. Norsk Psykologforening kom med viktige innspill på nettopp det. Sterke fagmiljøer har hjulpet oss fram, mast mye og fôret oss med informasjon år ut og år inn. De har gjennom disse årene ikke latt meg glemme feltet. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke dem som tålmodig og målbevisst har kjempet for et bedre tilbud og økt kompetanse.

som ikke minst lærte meg om barnepalliasjon. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen ønsker å gjøre dette bedre, med en NOU, med de grepene vi allerede har tatt, og med de planene vi allerede har lagt. Jeg føler meg trygg på at også dette feltet i framtiden vil få den oppmerksomheten som det trenger, og som det fortjener. Det er

Dette initiativet er viktig og kan skape et viktig fundament for tverrpolitisk innsats på feltet. Samtidig mener Kristelig Folkeparti at dagens situasjon krever strakstiltak også. Eksisterende forskning gir oss et godt grunnlag for å implementere sårt nødvendige tiltak som vil styrke tilbudet til mennesker som er på sitt mest sårbare. De fleste døende tilbringer sine siste dager i hjemkommunen. hjemkommunen. Døende sykehjemspasienter er spesielt sårbare. Eldre opplever å bli kasteball mellom ulike omsorgsnivåer de siste ukene av sitt liv. Hospice-tankegangen må integreres i norske sykehjem. Vi må få på plass flere leger i sykehjemmene for å sikre pasientene god smertelindring og riktig medisinering ved livets slutt. Folkeparti foreslår 600 palliative sykehjemssenger i kommunene innen 2020, noe som innebærer skjermede sengeenheter og personell med spesiell kompetanse på omsorg og pleie ved livets slutt, hos både sykepleiere, helsefagarbeidere, psykologer og prester – de som har god kompetanse. Mange pasienter har et ønske om å tilbringe den siste tiden hjemme. Mye bra gjøres rundt om i Helse-Norge, men det finnes dessverre også eksempel på dårlig kommunikasjon, manglende samarbeid mellom de ulike omsorgsnivåene, kompetansemangel og for få ansatte, som kan gjøre dette vanskelig. Fastlegen kjenner pasienten over tid og har et overordnet ansvar. De må kunne oppsøke alvorlig syke pasienter hjemme og samarbeide tett med hjemmetjenesten. Dagens fastlegeordning tilrettelegger ikke godt nok for hjemmebesøk, og derfor er vi glad for at et flertall i komiteen ber regjeringen sørge for at det i større grad stimuleres til at fastlegen gjør hjemmebesøk hos alvorlig syke og døende. Det er estimert at rundt 3 500 barn har palliative diagnoser i Norge i dag. Når alvorlig sykdom rammer et barn, rammes en hel familie. barn, rammes en hel familie. Barn rammet av mindre kjente alvorlige sykdommer og diagnoser, får ikke den samme tilgang til hjelp og tilrettelegging, slik som eksempelvis kreftpasienter med sine pakkeforløp har. Familien skal ikke måtte kjempe seg til nødvendig behandling, omsorg og avlastning om sykdommen barnet er rammet av, er mindre kjent. Når alvorlig syke barn får behandling i hjemmet, kan hverdagen normaliseres i større grad. De «friskeste» aktivitetene preger dagen. Flere undersøkelser peker på et redusert stressnivå hos barnet når behandlingen hovedsakelig ble gitt i hjemmet og ikke på sykehuset. Sykehusopphold med syke barn er også ofte svært belastende både for foreldre og Avansert hjemmesykehus bidrar positivt til den helhetlige familiehelsen. Kristelig Folkeparti er derfor glad for at en enstemmig komité ber regjeringen utrede etablering av avansert hjemmesykehus for barn tilknyttet alle helseregioner. Dette tilbudet må bli tilgjengelig for familiene det gjelder, uavhengig av hvor i landet de bor. Kristelig Folkeparti er også glad for den tilslutningen forslaget om å kartlegge behovet for ambulante team for barn innen alle helseregioner Teamene må ha spisskompetanse innen barnepalliasjon, da de eksisterende ambulante teamene i liten grad definerer barn som sitt virkeområde. Teamene må i akutte situasjoner og i den terminale fasen kunne oppsøke barnet og familien på hjemmebane eller i institusjon. Folkeparti er glad for det engasjementet som har blitt vist i komiteen for å sikre et verdig tilbud til alvorlig syke og døende, men etterlyser likevel at partiene våger å satse offensivt på ytterligere tiltak. Selv når alvorlig sykdom og lidelse truer, kan pasienten, med den rette kompetanse og kvalitet hos pleiepersonell, få god behandling og oppleve livskvalitet og mening, selv om livet går mot slutten. Dette er livshjelp for døende. Dessverre har vi en lang vei å gå før dette tilbudet er en garanti for alle hjelpetrengende. Jeg fremmer med dette Kristelig Folkepartis forslag i saken samt de forslagene vi har sammen med andre partier. Representanten Olaug V. Bollestad har dermed tatt opp de forslagene hun refererte til. All ære til Kristeleg Folkeparti, som

Senterpartiet er i innstillinga med på fleirtalsforslaget frå komiteen om å gjennomføra ei heilskapleg offentleg utgreiing av palliasjonsfeltet som er breitt samansett, og der ulike fagmiljø er representerte, med på forslaget om å kartleggja behovet for eigne ambulante team for

for det går ut på at ein premierer kort liggjetid og talet på behandla pasientar. Vi har òg eit forslag der vi ber regjeringa gjera det dei sjølv var veldig utolmodige på før valet, nemleg følgja opp Kaasa-utvalet og vidareutvikla omsorgs- og pleiepengeordninga for pårørande og andre nære som yter palliativ omsorg i Folkeparti har rett i at det må leggjast til rette for at fastlegar kan gjennomføra heimebesøk til alvorleg sjuke og døyande pasientar. Vi støttar forslaget om det, også forslaget om at ein utarbeider ein plan for satsing på livshjelp som stimulerer til brei kompetanseheving om palliasjon blant helsepersonell i kommunehelsetenesta, og

Eg meiner òg det er viktig å vurdera å tilpassa investeringstilskotet for palliative kommunale einingar, og at ein greier ut behovet for særskilde økonomiske ordningar for å sikra forsvarleg drift, for dette er plassar som kostar kommunane ekstra både å byggja og å driva. Forslaget om ein eigen DRG-takst for palliative senger i sjukehusavdelingar er ikkje noko nytt, men eg meiner det står seg, og at det er noko ein bør vurdera. Åtte av ti nordmenn døyr på sjukehus eller i sjukeheim. Ifølgje tal frå SSB har berre éin av tre pårørande med seg. Det var ei sak – det var vel på NRK – om ein sjukepleiarstudent som på eige initiativ valde å sitja fast vakt hos ein pasient fordi sjukeheimen ikkje ville få tak i fast vakt. Pasienten døydde dagen etter. Det var den siste natta. I denne debatten føler eg at vi ofte snakkar om dei som vi veit skal døy, som har fleire månader på seg og har ein valfridom på kor dei vil vera og ei bevisst haldning til det. Eg trur dei aller, aller fleste trur dei aller, aller fleste døyr i eldreomsorga, og spørsmålet er ikkje kor dei veljer å vera, men spørsmålet er kanskje om dei døyr åleine. Så eg håper at debatten ikkje gløymer den store majoriteten, som eg trur det er, og at ein er utruleg bevisst på at dette er noko som vi må sikra på – at ein har etiske retningsliner, at det er kommuneøkonomi til det, og at det er tilsette på sjukeheimane som gjer dette mogleg. Eg trur det ofte er god kompetanse ute, men det er ikkje nok folk. Når ein har ei vakt på nattestid med éin helsefagarbeidar på 16 pasientar, er ein nøydd til å ha meir hjelp om ein skal gi eit verdig tilbod til dei som er i livets sluttfase. Skal representanten ta opp forslag fra Senterpartiet? Ja. Da har representanten Kjersti Toppe tatt opp forslagene fra Senterpartiet. Først og Først og fremst vil jeg takke Kristelig Folkeparti for et veldig viktig forslag som de har fremmet. Palliasjon og lindrende behandling er en viktig del av norsk helsetjeneste. Jeg tror vi har ledende miljøer på noen områder av dette i Norge i dag, men strekket og spriket i laget er for stort. Flere har vært inne på at mange dør, kanskje hjemme, Det er også noen som tilnærmet dør på gata i Norge, og de har i hvert fall ikke mange hos seg. Det er vanskelig når noen en er glad i, blir syke, og kanskje enda vanskeligere når den syke er et barn. Venstre er veldig glad for at det i dag vedtas at barn skal få et bedre tilbud ved livets slutt, ved at vi nå skal se på både etableringen av Avansert hjemmesykehus for barn innen alle helseregioner og egne ambulante team for barnepalliasjon. I tillegg skal vi også få fram en offentlig utredning. Det er et tema vi har diskutert grundig, og vi mener det er viktig for å få fram bredden i fagfeltet å ha en plattform å gå videre på. Innvendingen er at det kan ta litt tid, men når det er såpass strekk i feltet som det er, er det viktig å samle laget og bruke tida til å samle laget og bruke tida til å prioritere hvordan en skal gå videre. Barn med alvorlige og uhelbredelige sykdommer er først og fremst barn, med like varierte og mangfoldige behov som andre barn. Medisinske framskritt gjør at også barn kan leve lenger med alvorlige sykdommer, og da må vi ha en helhetlig tilnærming til hvilke behov disse barna har. Det handler om å se hele barnet, noe som også innebærer en god pårørendeomsorg med støtteordninger,

Lovisenberg er ett av sykehusene som har hospice, de har både en dagpost og en døgnpost. Det er klart at for en del er dagposten også veldig interessant, ved at de kan gå dit ved behov – eller daglig, for den del – som gjør at de kan leve hjemme lenger. Et annet tilbud, som er nokså sentrert til Oslo, er Fransiskushjelpen. De har røtter i Den katolske Til tross for det så er det et tilbud som er åpent for alle, og det er gratis. De har både besøkstjeneste, sorgtjeneste og gatetjeneste. Jeg håper at NOU-en også peker på dette tilbudet og på mulighetene for å bygge ut tilsvarende tilbud. Det er mange frivillige som bistår Fransiskushjelpen. Det er klart at de har ansatte som er spesialsykepleiere på dette fagfeltet, men det men det er også mange frivillige som kan bistå. En liten sving innom Gjøvik også, der jeg er fra: Haugtun omsorgssenter på Gjøvik har en lindrende enhet. Det er ikke alle kommuner som har tatt seg råd til å ha den type behandling. Dette er en liten flik av det tilbudet vi snakker om i sum her i dag, men det viser at noen prøver seg fram her – og det er særlig de som lider av kreft, som dør der. Også Høgskolen i Gjøvik har et fagtilbud innenfor palliasjon, og en del av det tilbudet som vi må bygge ut, er utdanningstilbudet, både i grunnutdanningen og i videre- og etterutdanning.

Regjeringen vil styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon, også for barn, og vil tilrettelegge for et mangfold av tilbud. Jeg mener vi har startet med dette arbeidet. For å styrke fagkunnskapen fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en fagrapport om palliasjon. Rapporten viser at det er etablert mange tilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg. I rapporten peker Helsedirektoratet bl.a. på behov for å styrke kompetansen om palliasjon, særlig i kommunene, og for å utvikle gode palliative tilbud til personer som har andre sykdommer og lidelser enn kreft. Noen har særlige behov, som barn og unge, og personer med kognitiv svikt. Dette er noe som helse- og omsorgstjenestene må ta hensyn til. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp rapporten på en helhetlig måte gjennom de ordinære helse- og omsorgstjenestene og gjennom de spesielle tiltakene som er satt i gang. Dette er et område med et sterkt engasjement og ulike faglige syn, der det er mange ulike hensyn å ta. Jeg synes derfor at det Stortinget gjør i dag, er klokt, nemlig å vedta å igangsette en helhetlig gjennomgang av dette området, i en NOU, og det skal selvfølgelig regjeringen følge opp. Gjennom budsjettforliket for 2015, mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre, ble det å styrke tiltak som gir økt kompetanse i lindrende behandling. Midlene benyttes til å følge opp flere av forslagene i rapporten fra Helsedirektoratet. Det er bl.a. bevilget midler til å etablere et videreutdanningstilbud innen barnepalliasjon for helsepersonell, og til organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. Deres engasjement er avgjørende for utviklingen på dette feltet. Det er etablert et nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. De generelle forholdene som omtales der, gjelder også for andre pasienter som er i livets sluttfase. Over statsbudsjettet gis det tilskuddsmidler til kompetansehevende tiltak, både til kommuner og til frivillige organisasjoner. Nasjonal faglig retningslinje for lindrende behandling til barn skal ferdigstilles i 2015. Den vil bl.a. gi anbefalinger for den videre utviklingen av fagfeltet. Jeg vil også vise til at regjeringen har til et femårig flerregionalt forskningsprosjekt om palliativ kreftbehandling. Kompetanse er et sentralt område i vårt politiske grunnlag. Vi vil gjennomføre et kompetanseløft for en helhetlig styrking av kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. I år legger vi til rette for 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Kommunene kan velge å bruke disse også til palliative enheter. Drift av plassene finansieres gjennom den ordinære rammefinansieringen av kommunene. Vi har styrket investeringstilskuddet vesentlig ved å oppjustere den gjennomsnittlige tilskuddsandelen per enhet, fra 35 til 50 pst. Aktiviteten i ordningen har økt etter denne styrkingen. I stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste vil regjeringen legge mer til rette for ambulant behandling i form av flerfaglige ambulante team. En sånn teambasert tilnærming kan bidra til at pasientene kan behandles i eget hjem i stedet for på sykehus eller i annen institusjon. Jeg ser at komiteen også er opptatt av dette – både i innstillingen og i forslagene. Gjennom fastlegeforskriften er det lagt til rette for at fastlegene kan gjennomføre hjemmebesøk hos alvorlig syke og døende pasienter, og det er etablert en egen takstordning for dette. Jeg oppfatter det kanskje som et hovedproblem at fastlegen i for liten grad kobles inn i de situasjoner der man hadde hatt behov for legens kompetanse. Kommunene har også mulighet til å pålegge fastlegene inntil 7,5 timer med annet allmennlegearbeid, herunder legetjenester i sykehjem. På bakgrunn av at regjeringen har bevilget midler til nye tiltak på palliasjonsfeltet, at vi nettopp har lagt fram en stortingsmelding om den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og at vi i løpet av året vil legge fram en nasjonal helse- og sykehusplan,

Det åpnes for replikkordskifte. Jeg er glad for at vi jobber sammen om denne viktige saken, og jeg er veldig glad for at vi ble enige i komiteen om en NOU, som er kanskje det aller viktigste langsiktige arbeidet som vil styrke hele palliasjonsfeltet i årene som kommer. Mitt spørsmål til statsråden går i den retning. statsråden går i den retning. Statsråden var litt inne på det, og jeg forventer ikke noe veldig tydelig svar, men kanskje noen refleksjoner med hensyn til når statsråden tror en kan sette i gang en NOU på dette feltet. Jeg kan selvfølgelig ikke gi noen eksakt tid for det, men vedtakene som Stortinget gjør i dag, og se på hvilket rom det er innenfor de budsjettene vi får til neste år, for å se på muligheten for å igangsette dette arbeidet. Det er

de har ofte også litt utstyr som koster mer enn ellers. Statsråden viste til rapporten fra Helsedirektoratet fra i år, Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt. Regjeringen er sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre tydelig på at vi ønsker nasjonale føringer også helt inn i Sykehjems-Norge for å heve standarden omkring palliasjon. Mitt spørsmål er: Hvilke nasjonale føringer ser statsråden for seg utover investeringstilskudd og kompetanseheving på dette feltet? Vi jobber nå med oppfølgingen av de anbefalingene som er kommet i den fagrapporten Vi valgte å igangsette det arbeidet – vi var jo den gangen også i tvil om en heller skulle igangsette en NOU, men vi mente det var fornuftig å få en rask oppsummering av status på feltet, så vi hadde et grunnlag å jobbe videre på. Det mener jeg vi har nå, og så skal vi også igangsette et NOU-arbeid. Noe av dette er også omtalt i primærhelsemeldingen. Vi kommer til å se på hvilke tiltak vi skal sette i gang for å sikre kvalitet og kompetanse i kommunene som en oppfølging av det. Men hvilke tiltak som blir igangsatt når, kan jeg ikke svare på i dag. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på

hvordan en overlege og prosjektleder for ambulante tjenester ved Sykehuset Telemark reiser hjem til mennesker og legger en plan i samarbeid med hjemmetjeneste og fastlege. Målet er å sørge for at pasientene får like god smertelindring hjemme som på sykehuset. Flere av pasientene har ofte vært ut og inn av sykehus og behandlingsopphold og er slitne. Da er det trygt å være hjemme med sine nærmeste for dem som ønsker dette, og trygghet for de pårørende, ikke minst. Ved flere anledninger har jeg besøkt ulike lindrende enheter og snakket med pårørende. For dem er det viktig å skape en god og trygg ramme for deres kjære. De forteller meg også at det er viktig at de når de går inn i sin siste fase, får tatt farvel på en skikkelig måte. For meg og Fremskrittspartiet er det viktig at man har valgmuligheten. Det er ikke vanskelig å forstå at man ønsker å velge å være i eget hjem. Til høsten skal vi også behandle fremtidens primærhelsetjeneste. De som trenger lindrende behandling og omsorg, skal ivaretas på en helhetlig måte, fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Der vises det videre til at studier tyder på at flertallet av voksne pasienter ønsker å motta behandling og omsorg i livets sluttfase hjemme. I budsjettforliket, den helhetlige avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti i 2015, er det bevilget 10 mill. kr, som skal bidra til styrke kompetanse på palliasjon. Blant annet er Kompetanseløftet 2015, som skal heve det formelle utdanningsnivået i

Dette innebærer bl.a. et større mangfold av tilbud og forventninger om at både kunnskap og kompetanse om feltet og forskning og fagutvikling innen feltet skal utvikles bedre. Det ser jeg virkelig fram til. Representanten Toppe kom inn på dette at mange eldre, syke pasienter dør på sykehjem. Det er

en pasientgruppe jeg også er svært opptatt av. De er sårbare, og i tillegg vet vi at mange av dem har alvorlige demensdiagnoser. Det som er helt ufattelig for meg da, er hvorfor den rød-grønne regjeringen når de overførte så mange krevende oppgaver til kommunene gjennom Samhandlingsreformen – valgte å gjøre helse- og omsorgstjenesteloven profesjonsnøytral. Derfor er jeg veldig glad for at denne regjeringen gjeninnfører kompetansekravet i helse- og omsorgstjenesteloven – for vi trenger ikke mindre kompetanse, vi trenger mye, mye mer. Frivilligheten kan bidra. Pleiepersonell uten helsefaglig utdanning kan også bidra godt overfor pasienter i livets siste fase. Det kan være en hånd å holde i, det kan være en kald klut på en varm panne, men i ryggen, som viktig støtte, må det stå en kompetent sykepleier eller en lege – på sykehjem er det oftest sykepleiere. Da må vi selvfølgelig sørge for å øke statusen ved det å jobbe i sykehjem og i kommunene i Norge. Det mener jeg vi er i gang med når vi satser mer på kompetanse, når vi kommer med en primærhelsemelding som gjør noe med hvordan vi organiserer arbeidet rundt pasientene, og når vi faktisk sier at kommunene skal ha en viss kompetanse på plass. Det å gi valgfrihet behøver ikke alltid bety at man skal velge mellom et hospice eller en sykehjemsavdeling. Det er mange valg som skal tas i livets siste fase. En må ha kompetanse til å våge å ta samtalen med den pasienten som nærmer seg døden. Det gjelder kreftpasienter, det gjelder pasienter som rammes av alvorlig sykdom med dødelig utgang, men det gjelder jo også for de pasientene som vi har på sykehjem, som er eldre, og også for demenspasientene. Vi har alle våre unike behov, og jeg mener at valgfrihet handler like mye om å få lov til å bestemme noe mer om hvordan man ønsker at livet skal være de siste dagene, hvem som skal være til stede når man dør, og hvordan man ønsker å bli pleiet. Aller først til foregående taler:

Jeg ser ikke bort fra at vi kunne ha gjort mer. Vi burde nok ha gjort mer på dette feltet da vi satt i regjering. Da er det viktig at en ikke gjentar de feilene, og det er noen fallgruver å gå i. Jeg skal komme litt mer tilbake til det etterpå. Jeg tenker at det er positivt at komiteen er så tydelig. Vi bor i verdens beste land – det er ingenting som skulle tilsi at det bare skal være verdens beste land å leve i, det bør også være

Jeg er kjent med at det pågår et retningslinjearbeid på palliasjon. Jeg er også kjent med at en viktig aktør på barnepalliasjonsfeltet har trukket seg ut av det arbeidet. Det bekymrer meg – den aktøren som kanskje har størst kompetanse på barnepalliasjon i Norge, har trukket seg ut av det arbeidet. Min utfordring til helseministeren er å se disse aktørene i kortene. La oss ikke glemme barnepalliasjon. Denne debatten, denne innstillingen og dette forslaget om NOU innebærer at barnepalliasjon skal få ikke bare en del plass, men en betydelig del av plassen i NOU-en, ikke som da Helsedirektoratet kom med sin rapport tidligere i år, hvor barnepalliasjon fikk

respekt for at dette er eit krevjande felt, så då eg fortalde om mi bekymring for dei mange som døyr aleine, var ikkje det ein direkte kritikk mot regjeringa, for det har jo vore slik i mange år – for all del. Men eg synest det vert ein lettvint retorikk å visa til profesjonsnøytralitet. Det er sikkert mange argument for det, og det er mange argument mot det. Sjukehusa har ein profesjonsnøytral lov. Det er ingen ingen lov som seier at det må vera legar eller sjukepleiarar på sjukehusa – ikkje sant – men likevel er det jo det. Det som var mitt bodskap, er at ein òg må sjå på grunnbemanninga. Mange stader er det god kompetanse, men vi må òg sjå på grunnbemanninga.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

Flertallet i komiteen, som Senterpartiet ikke er en del av, er opptatt av at Stortinget skal behandle overordnede prinsipper og kvalitetskrav til spesialisthelsetjenestene. Helseforetakene har selv ansvar for å planlegge og gjennomføre utviklings- og omstillingsarbeid som er nødvendig for å imøtekomme de overordnede prinsipper og kvalitetskrav som Stortinget har vedtatt. Dette er en rollefordeling som jeg mener må respekteres. Det er her Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skiller lag med flertallet. Stortinget kan ikke detaljstyre det enkelte sykehus. Det er styrene i sykehusene som har ansvar for drift, ledelse og kontroll av kvalitet. Til høsten vil regjeringen fremme en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget, og regjeringen mener det er behov for mer politisk styring med hvordan spesialisthelsetjenesten utvikler seg. Nasjonal helse- og sykehusplan vil gi Stortinget større innflytelse på hvordan helsetjenesten skal utvikles. Planen vil skissere nasjonale prinsipper for ulike typer sykehus, sykehusstruktur og krav til kompetanse og kvalitet. Jeg nevner at det er nasjonale prinsipper, det er ikke detaljer knyttet til hvert enkelt sykehus i Norge. Planen skal utarbeides med utgangspunkt i pasientenes behov, bygge på oppdatert kunnskap, og man skal se på de planene som allerede er utviklet innen helseforetakene. Som varslet til Stortinget i tillegget til statsbudsjettet for 2014 vil regjeringen komme tilbake til nedleggelse av de regionale helseforetakene når den nasjonale helse- og sykehusplanen er utformet, vedtatt og virker. Dette vil Stortinget få rikelig anledning til å diskutere. Jeg mener det er hensiktsmessig å vedta planen før man starter en utredning av en styringsmodell. Man må få enkelte brikker på plass før andre legges på plass. Ifølge representantforslaget skal styrene i foretakene velges blant folkevalgte i fylkestinget. Dette mener flertallet vil føre til svært uklare ansvarsforhold og pulverisering av det politiske ansvaret for en svært stor og viktig samfunnssektor. Styrene vil komme i krysspress mellom å gjennomføre den politikken som de valgte medlemmer av fylkestinget har vært med på å vedta, å gjennomføre den politikken som Stortinget og regjeringen ønsker å få gjennomført. Ministeren må altså i tilfeller der styrene ikke ønsker å gjennomføre vedtatt politikk, i ytterste konsekvens bytte ut styrene, og vil etter den modellen være avhengig av å finne nye medlemmer fra samme fylkesting. Statsråden kan da fortsatt risikere å ha styrer som ikke vil gjennomføre den politikken som Stortinget og regjeringen har vedtatt. Det kan vi ikke leve med. Modellen fra Senterpartiet skaper et inntrykk av at fylkestinget og fylkespolitikerne har et direkte ansvar for sykehusdriften, men i realiteten må man forholde seg til budsjetter og styringsdokumenter som kommer fra storting og regjering. Representantforslaget tar også opp ledelse av sykehus og finansieringsformer for spesialisthelsetjenesten. Med hensyn til ledelse av sykehuset vil jeg påpeke at det i dag ikke er belegg for at norske sykehus er styrt og ledet på en måte som ikke er effektiv, demokratisk eller gir tillit. Men det er klart at det alltid er rom for forbedring når det gjelder ledelse, og ledelse er komiteen også opptatt av. komiteen også opptatt av. Komiteen har i tidligere dokumenter også skrevet om ledelse og vil gjerne understreke at man er opptatt av å skape kulturer som involverer medarbeidere i omstillinger. Men det er til syvende og sist styrene som må vurdere hva som er den mest hensiktsmessige organisering av både ledelse og sykehuset for øvrig.

i pasientbehandlinga og bidratt til at vi har god fordeling av både økonomiske og faglige ressurser regionene imellom. Gjennom den regionale overbygningen har det også vært mulig å løfte viktige lokale og regionale problemstillinger gjennom en sterk regional aktør, som har hatt mulighet til å ta overordnede grep for god ressursfordeling innad. Ikke minst har dette vært viktig for å sikre god kvalitet ved lokalsykehusene i regioner med store avstander og spredt befolkning.

gir bedre svar på utfordringene i spesialisthelsetjenesten. Arbeiderpartiet er enig med forslagsstillerne i at det er behov for å styrke rammefinansieringa av sykehusene, og mener det er viktig i første omgang å tilbakestille ISF-andelen fra 50 pst. til 40 pst., som var satsen under Stoltenberg II-regjeringa. Vi at det er viktig å sikre at styrene i de regionale helseforetakene har en sterkere regional politisk forankring. Men vi kan ikke se poenget med at styremedlemmer skal velges blant fylkestingsmedlemmer – selv om en folkevalgt posisjon lokalt eller regionalt ikke kan være diskvalifiserende i seg sjøl for et sånt verv. Arbeiderpartiet er kritiske til at regjeringa har forkastet prinsippet om at et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og sykehusene skal oppnevnes blant politikere foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Vi er bekymret for at dette svekker den lokale, politiske forankringa i styringa av en så viktig samfunnssektor som sykehusene er, og mener at en slik forankring er nødvendig for å ivareta sykehusenes legitimitet i befolkninga. Regjeringa har bebudet at nasjonal helse- og sykehusplan vil komme til Stortinget høsten 2015. Arbeiderpartiet er positiv til at det kommer en sånn plan, men vi forventer at regjeringa legger opp til rullering og oppdatering av planen med jevne mellomrom, for å sikre at denne svarer på de til enhver tid aktuelle utfordringer. Det synes nå klart at en nasjonal helse- og sykehusplan ikke kan være et uttømmende styringsverktøy, og vi noterer med en viss undring at regjeringa så langt har vært lite konkret om hvordan man egentlig tenker at en nasjonal styringsmodell for sykehusene kan være. Det er i alle fall klart at helseministeren ikke har sine ord i behold da han i opposisjon meldte at sykehusplanen skulle være like detaljert som Nasjonal transportplan: «Den helseplanen vi skal lage, vil definere oppgavene til hvert enkelt sykehus, også lokalt, ut fra et nasjonalt hensyn.» Nå sier helseministeren at planen vil være på et meget overordnet plan og slett ikke definere oppgavene til hvert enkelt sykehus. Det er ikke rart at mange er forvirret over hvordan denne regjeringa egentlig tenker om styringa av sykehusene. Arbeiderpartiet vil beholde en regional styringsstruktur og fortløpende gjennomføre forbedringer i ledelse og organisering av norske sykehus. Slik vil vi sikre en styringsstruktur som ivaretar behovet for lokal forankring, folkevalgt kompetanse, legitimitet lokalt og regionalt, og bred kunnskap om sykehusdrift og samfunnsspørsmål på alle nivå i styringa av spesialisthelsetjenesten.

for deretter å fremme forslag om hvordan sykehusene i fremtiden kan organiseres. Det er to ting som er viktig da. Det ene er at vi føler oss trygge på at det vi foreslår, er bedre enn det vi har i dag, og det andre er at det har bred politisk forankring. Per i dag er det kun Arbeiderpartiet som forsvarer foretaksmodellen, så det bærer håp om at Men skal en slik enighet komme i stand, trenger vi at det utføres et skikkelig arbeid i forkant. Et godt sykehustilbud til hele befolkningen med alt som et sykehus innbefatter, er altfor viktig og stort til å ta i et representantforslag. Noe slikt ville være direkte uansvarlig. Dette kom også til syne i høringen. Svært få av dem som var inne på høringen, hadde kommentarer til selve forslaget til innretning, men var mest opptatt av sitt lokalsykehus eller synliggjorde svakheter med dagens organisering. Derfor skal helseforetakene også framover ha ansvar for å planlegge og gjennomføre det utviklings- og omstillingsarbeidet som er nødvendig for å imøtekomme behovene. Stortinget kan ikke detaljstyre foretakene eller det enkelte sykehus. Men intensjonen med en nasjonal helse- og sykehusplan er i tillegg til å skissere nasjonale prinsipper for ulike typer sykehus og sykehusstruktur å ha mer politisk styring med hvordan tjenesten utvikler seg. Jeg konstaterer at SV og Senterpartiet mener en hel masse om dette nå, og det er vanskelig å forstå hvordan det var mulig å sitte i åtte år uten å foreta seg noen ting. Ifølge disse to partiene haster det nå med å få avviklet foretaksmodellen. Det står i merknadene. Merknadene fra disse to partiene går svært langt i å svartmale alt de har stått for og vernet om gjennom åtte år. De kritiserer egen regjering for endringer i foretaksloven av 2012, for mangel på åpenhet, for at lederlønningene har blitt svært høye og for at antall administrativt ansatte har økt kraftig. Mye av denne kritikken kan vi enes om, og derfor fremmet vi i opposisjon flere forslag, men ble nedstemt hver gang. Jeg føler likevel et behov for å minne om at det faktisk hver eneste dag ytes en stor innsats innen akuttmedisin, behandling, rehabilitering og forskning. Det store flertall er fornøyd med det tilbudet, og jeg er opptatt av at vi ikke glemmer alle disse ansatte, som til tross for gammelt utstyr, overbelegg, underbemanning og slitne bygninger yter pleie og omsorg av svært høy kvalitet. Å rydde opp i alt etterslepet og hele tiden tenke framover og videreutvikle er en stor og kontinuerlig jobb. Men vi må aldri glemme den jobben som gjøres der ute, til tross for utfordringer som vi stort sett er enige om eksisterer. Til slutt tar man et kraftig oppgjør med måten sykehusene blir finansiert på, og viser til at det finnes andre måter å få ned ventetider på. Til det har jeg kun én ting å si. Under rød-grønt styre økte antall personer som ventet på behandling, med nær 10 000 i året, og mer enn en kvart milliard mennesker sto i denne køen da vi overtok. Nå går antallet nedover, og regjeringens økte budsjetter samt en rekke andre grep som har blitt gjort, virker. Å vise til Skottland synes noe underlig. Komiteen var på besøk der, og vi fikk nok et noe forskjellig syn på hvor vellykket deres organisering var. Stortingets utredningsseksjon har sett på Skottlands modell, og den innbyr absolutt ikke til å kopiere. Fremskrittspartiet går imot alle forslagene fra Senterpartiet og SV og imøteser den videre debatten i forbindelse med arbeidet med den nasjonale sykehusplanen og senere om ny organisering av våre sykehus.

så er det behandlingsformer, ny kunnskap og ikke minst nytt og ny type utstyr. Noen teknikker er så avanserte at de også vil kreve mengde for å sikre god behandling og god kvalitet. Den nye helse- og sykehusplanen må ta opp i seg hvordan landet vårt er, med avstander, utfordrende vær og spredt befolkning – for å nevne noe. Skal man kunne gi gode tjenester, må alt dette ses i sammenheng, og man må også se på hvilken form for styre vår helsetjeneste er best tjent med for å sikre et godt helsetilbud. Helse- og sykehusplanen må ta inn over seg behovet for akutt hjelp, elektiv behandling og ikke minst all annen behandling som er planlagt. I tillegg vet man at vi stadig kan behandle flere og sjeldne sykdommer og tilstander som vi før ikke kunne gjøre noe med, noe som også vil kreve samarbeid både innad i vårt eget land og – ikke minst En tydelig politisk styring av spesialisthelsetjenesten har vært vanskelig å sikre innenfor dagens styringsmodell. Det er et mål å sikre likeverdige sykehustjenester over hele landet, samtidig som vi må sikre lokale tilpasninger. Kristelig Folkeparti mener at vi ikke må tilbake til at sykehusene blir en del av lokalvalgkampen eller fylkesvalgkampen. Det blir lite forutsigbart for sykehusene, for fagmiljøene og til slutt for pasientene. Da blir heller ikke tilbudet framtidsrettet for våre innbyggere. Kristelig Folkeparti mener at de lokale helseforetakene må styres etter en nasjonal strategi, forankret i vårt storting og departement, som sikrer hele landet en god helsetjeneste. En god akuttberedskap må ligge i bunnen og være sentral i denne helse- og sykehusplanen og må også styres som en del av hele tjenesten. Kristelig Folkeparti mener at vi må sikre de nasjonale funksjonene, slik at de bevares med den kompetansen som er til beste for vårt land og for våre pasienter. Derfor går ikke Kristelig Folkeparti inn for en endring av styreform nå. Den diskusjonen vil vi ta inngående i den nasjonale helse- og sykehusplanen, for da vet vi hva vi snakker om, og hva vi skal styre. Kristelig Folkeparti følger derfor komiteens tilråding og stemmer imot forslaget.

er den einaste store reforma i Noreg som er vorten vedtatt utan noka føregåande offentleg utgreiing, og ho vart gjennomført i stor hast. Frå ideen vart lansert til lova vart vedtatt tok det to år. Sjukehusreforma i 2002 handla ikkje berre om at staten skulle overta ansvaret for sjukehusa. Det handla om at ein innførte eit heilt nytt driftsprinsipp, bort frå forvaltningsmodell og over til ein forretningsmodell på linje med det private næringslivet. Det var sterk fagleg motstand mot reforma allereie frå starten. Ti som er interessant å lesa no. Der gav dei sterkt uttrykk for sin skepsis til reforma og konsekvensane. Det var sjølve fristillinga frå demokratisk styring som ein åtvara mest mot, for i eit marknadssystem vil ikkje folk i val eller Stortinget ha nokon reell innflytelse over prioriteringar i helsevesenet.

Veldig mange av desse bekymringane er dessverre vorte ein realitet. Senterpartiet registrerer at helseministeren skyver sitt valløfte ut i tid og vil ikkje lenger vraka dette styresettet. No skal vi først ha ein nasjonal helse- og sjukehusplan, han skal verte vedtatt, han skal verte implementert, og han skal no verka før ein seier noko meir om styresettet. Senterpartiet etterlyser først og fremst meir demokratisk styring og folkevald innflytelse over sjukehustilbodet. Vi vil ha ei finansiering som byggjer opp under ei god offentleg forvalting og Vi foreslår derfor at regjeringa skal fremma lovforslag der helseføretakslova vert erstatta med ei ny helseforvaltingslov med folkevald styring av sjukehusa under statleg eigarskap. Vi ber regjeringa fremja ein detaljert nasjonal helse- og sjukehusplan som sikrar politiske prioriteringar for kvalitet, rekruttering, utdanning, funksjonsfordeling, lokalisering og Denne planen må leggja rammene for folkevald styring regionalt og lokalt. Vi ber regjeringa gjennom ei ny helseforvaltingslov oppretta om lag 20 sjukehusstyre, nokolunde tilsvarande dagens 20 helseføretak, der fleirtalet i styret er valt av og blant fylkestinget sine medlemmar. Vi ber regjeringa gjennom ny

I innstillinga er det vanskeleg å sjå noko kritikk mot helseføretaksmodellen frå regjeringspartia, Kristeleg Folkeparti eller Venstre. No var Kristeleg Folkeparti tydeleg på talarstolen, men elles er det ei herleggjering av styresettet og ingen kritiske merknader til dagens styremåte. Eg har sett på kva dei same partia meinte i 2011, i samband med behandlinga av eit representantforslag frå

Så til innholdet i forslaget. Det er sånn at flertallspartiene, og nå er Venstre også i helsekomiteen, har en samarbeidsavtale som sier at vi skal avvikle de regionale helseforetakene. Men først på lista står å få til Stortinget en nasjonal helse- og sykehusplan, og få vedtatt den. For Venstres del har vi nylig hatt landsmøte, som alle andre i vår. vår. Der var sykehuspolitikken omtalt som en del av en kommune- og regionreform. Vi er ikke fremmed for å føre deler av sykehussektoren til nye regioner. Vi er heller ikke fremmed for å videreføre alle sykehusene i statlig eierskap, eller å flytte hele sykehussektoren – også universitetssykehusene Men vi har ikke konkludert på dette, og vi ber først av alt om at det utredes en videre tilhørighet til forvaltningsnivå. Vi skal også se på styringsform som hører til dette. Den modellen som Senterpartiet foreslår – i litt stort, det demokratiske sinnelaget til Senterpartiet her – er Venstre mye enig i. Vi ønsker en annen tilknytningsform tilknytningsform der helseministeren ikke skal være eierorganet alene. Etter å ha vært i Skottland og sett på modellen der, så er jeg ikke udelt positiv til at det er dit vi skal i Norge. Selv om Skottland har drøyt fem millioner innbyggere, og har reversert mye av det Norge har tatt til seg fra britisk helsesektor,

så lett å få folk til å stille til valg. Det er en uriaspost – vi må også ta i betraktning at dette er en krevende oppgave. Å skulle velge dem ut fra indirekte valg fra de nye regionstingene er det også utfordringer med. Det blir en diskusjon i årene som kommer hvilken modell man skal velge. For Venstres del er vi åpne for å lytte til mange partiers meninger her, men først av alt er vi nødt til å få vedtatt en nasjonal helse- og sykehusplan som sier noe om en struktur og et innhold i sykehusene framover, og ut ifra det kan vi velge både forankringspunkt og styringsform.

altfor stort preg av markedsrettede styringsmodeller og av altfor lite demokratisk, politisk kontroll i folkevalgte organer. Det har vært kritikken hele vegen, og den står seg. Men historien til denne sykehusreformen er nok slik at det har vært vanskelig for de partiene som sto i bresjen for den, å se at dette har hatt hatt store problematiske sider. Jeg er glad for at nå har vel alle partier, bortsett fra Arbeiderpartiet, sagt at man ønsker en annen modell, og det er positivt. Dette forslaget går ut på at man skal komme i gang mer konkret med dette arbeidet, slik at vi kan få fortgang i kan få fortgang i å få en bedre politisk styring over sykehusene. Representanten Kjenseth fra Venstre var oppe her og sa at det var sikkert problemer med å få oppnevnt folkevalgte representanter i styrene også i Skottland, som det vises til i innstillingen. Det er det nok sikkert, for dette er vanskelige saker. Men poenget er at det er politikerne som må ta ansvaret. ansvaret. Den modellen som er valgt nå, der man har noen politikere som har sittet nærmest som gisler i et sånt styre, som ikke er oppnevnt av noe politisk folkevalgt organ og ikke skal melde tilbake til noe politisk folkevalgt organ, og som henger litt i løse lufta, har SV hele tida ment har vært en ren kvasimodell, og at man i utgangspunktet da heller burde hatt en modell med rene – for å si det sånn istedenfor å blande fag og politikk inn i den type styringsorgan. SV ønsker at man må ta politisk ansvar for de beslutningene som blir tatt. En av mine veldig rare opplevelser som politiker var da foretaket i Hedmark skulle ta beslutning om å flytte mor- og barnenheten fra Elverum til Lillehammer, for da fikk du som politiker, og Stortinget, på en måte ansvaret for at dette skjer, men du har ingen virkemidler, og så står du utenfor et styremøte til helseforetaket og liksom protesterer mot et helseforetak som egentlig det politiske Stortinget har ansvaret for, men vi har ingen innvirkning på det.

dette forslaget tar man opp at vi må få mer rammefinansiering og mindre innsatsstyrt finansiering, og at man må ha andre incitamentmodeller enn det man har i dag, for det kan få perverterte virkninger, og dette er velferd og ikke butikk.

Men SV ønsker altså en modell der det er folkevalgt styring i første omgang, før man får opp et regionnivå som eventuelt kan ta dette tilbake. Så er det vel rimelig at det skal være under Helsedepartementet, slik at det er helseministeren som «in the end» har dette ansvaret, og at man må gå gjennom finansieringsmodellene. Vi har også store forventninger til den nasjonale helseplanen,

I tråd med regjeringsplattformen vil vi til høsten fremme en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Målet er å få mer åpenhet og forutsigbarhet i sektoren. Som varslet i tillegget til statsbudsjettet for 2014, vil vi komme tilbake til nedleggelse av de regionale helseforetakene når den nasjonale helse- og sykehusplanen er utformet, vedtatt og virker. Regjeringen mener vi har behov for mer politisk styring med hvordan spesialisthelsetjenesten utvikler seg. Nasjonal helse- og sykehusplan vil gi Stortinget større innflytelse på hvordan spesialisthelsetjenesten skal utvikle seg i årene framover. Helse- og sykehusplanen vil skissere nasjonale prinsipper for ulike typer sykehus og sykehusstruktur. Den skal utarbeides med utgangspunkt i pasientenes behov, bygge på oppdatert kunnskap og på de planene som allerede er utviklet i helseforetakene. Når Stortinget har behandlet de overordnede prinsippene for hvordan en samlet spesialisthelsetjeneste skal utvikles, skal helsemyndighetene nedfelle disse prinsippene i faglige kriterier og kvalitetskrav som kan stilles til sykehusene for framtiden. Helseforetakene skal også framover ha ansvar for å planlegge og gjennomføre det utviklings- og omstillingsarbeidet som er nødvendig for å imøtekomme de nasjonale prinsippene og faglige kriteriene som blir satt. Regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan kommer til å være innrettet slik at denne rollefordelingen blir respektert. Representantforslaget innebærer at staten fortsatt skal ha eierskap til helseforetakene og dermed at helse- og omsorgsministeren – som før – skal være konstitusjonelt ansvarlig for tjenesten overfor Stortinget. Da må man legge til grunn at helsepolitikken forankres nettopp i Stortinget, og utøves av regjeringen. Helse- og omsorgsministerens redskap for å gjennomføre helsepolitikken er styrene i helseforetakene. Ifølge forslaget skal styrene velges blant folkevalgte i fylkestinget. Dette vil føre til svært uklare ansvarsforhold og føre til pulverisering av det politiske ansvaret for en veldig stor og viktig samfunnssektor. Styrerepresentantene vil kunne komme i et sterkt krysspress mellom på den ene siden å gjennomføre den politikken som de som medlemmer av fylkestinget har vært med på å vedta, og på den andre siden å gjennomføre den politikken som gjerne står i motsetning til dette, som Stortinget og regjeringen ønsker å få gjennomført. Helse- og omsorgsministeren vil, i tilfeller der styrene ikke gjennomfører vedtatt politikk, i ytterste konsekvens måtte bytte ut styrene. Etter denne modellen vil en da være avhengig av å velge nye medlemmer fra samme fylkesting, og den ansvarlige ministeren kan da risikere fortsatt å ha styrer som ikke gjennomfører den politikken som Stortinget og regjeringen har vedtatt. Modellen skaper også et inntrykk av at fylkestinget og fylkespolitikerne har et direkte ansvar for sykehusdriften, mens de i realiteten må forholde seg til de budsjettene og de styringsdokumentene som kommer fra storting og regjering. Dette vil ikke bare føre til en uklar styringsmodell for sykehusene, men vil også undergrave fylkestingsrepresentantenes rolle som folkevalgte. En forstår at dette er et forslag som jeg vil advare veldig sterkt Det vil undergrave Stortingets rolle som folkevalgt nivå med ansvar for spesialisthelsetjenesten, det vil undergrave helse- og omsorgsministerens konstitusjonelle ansvar for Stortinget, og det vil også undergrave fylkestingsmedlemmenes rolle som folkevalgte på det regionale nivået. Modellen skaper uklare ansvarsforhold og åpner for den type politisk spill som dagens styringsmodell for spesialisthelsetjenesten hadde til hensikt å rydde opp i. Utformingen av en framtidig styringsmodell for spesialisthelsetjenesten

samarbeid, god koordinering og ressursutnyttelse mellom sykehus og andre aktører, spesielt kommunenes helsetjeneste. Pasienter, brukere og andre berørte skal sikres innflytelse på tjenestetilbudet. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med denne saken etter at nasjonal helse- og sykehusplan er lagt fram. Det blir replikkordskifte. Det er

De kan henvende seg til sine egne politikere på Stortinget, som med vår modell vil ha ansvar for beslutningene. Det har de ikke i dag, den makten ligger til de regionale helseforetakene.» Og så etter valget: «Jeg ønsker ikke med nasjonal helse- og sykehusplan å legge opp til at Stortinget skal ta beslutninger knyttet til det konkrete føde- og akuttilbudet eller øvrige endringer ved de ulike sykehusene.» Forvirringa er stor. Og mens vi venter på ikke Godot, men nasjonal helse- og sykehusplan, skal jeg stille et litt snilt spørsmål, siden det er seint på kveld: Synes statsråden at det muligens kan være litt lurt å tenke regionalt videre, regionalt i styringa av sykehusene? Ja, det er definitivt forskjell på å være i opposisjon og posisjon. Det fornøyelige med å være i posisjon er at en får muligheten til å gjennomføre den politikken som ble utviklet mens en var i opposisjon. Det er vi godt i gang med. Den første viktige endringen i styringsmodellen, som jeg har vært veldig tydelig på hele veien, er å lage en operativ nasjonal helse- og sykehusplan. Den planen vil bli lagt fram denne høsten. Det er det viktigste redskapet for å sikre en bedre politisk forankring. Det er helt riktig at demonstrasjonstogene må vite hvor de skal gå. Når vi nå gjør viktige endringer i innhold eller legger ned sykehus, er det ingen lenger som er i tvil om hvem som har det politiske ansvaret. Mens en del av mine forgjengere i den rød-grønne regjeringen skyldte på helseregionene og brukte dem som skjermbrett, møter jeg demonstrasjonene her utenfor Stortinget og forklarer hvorfor jeg har tatt den politiske beslutningen og det ansvaret det er for viktige samfunnsinstitusjoner som sykehusene. Så ja, det er forskjell på opposisjon og posisjon, men det er jammen meg forskjell på posisjon

Synes fremdeles statsråden at han har brakt klarhet i akkurat dette med fakkeltogene og hvor de skal henvende seg når de er misfornøyd? Representantens tankeeksperiment her nå bygger jo på et resonnement om at jeg misforstår mine egne uttalelser, og det er selvfølgelig helt umulig. Det er jo sånn at i nasjonal helse- og sykehusplan vil det ligge konkrete føringer og prinsipper for innholdet i de ulike typer sykehus, som vil ha konsekvenser for hvordan sykehusene faktisk utvikler seg videre. Hvis representanten tar seg tid til å lese alle de debattene som var om det temaet i Stortinget i forrige periode, vil hun finne at hovedreferansedokumentet til dette var fødselsmeldingen, og måten den ble utformet på, hadde konsekvenser for utviklingen av fødselstilbudet. Det er nettopp den tenkningen som ligger til grunn for dette arbeidet.

å se på den regionale overbygginga? Det spør jeg om fordi den har fungert veldig bra i Nord-Norge. Den regjeringsplattformen som jeg styrer etter, og det flertallet som er i Stortinget, innebærer at en skal legge ned de regionale helseforetakene når nasjonal helse- og sykehusplan er lagt fram, vedtatt og virker og en har utviklet en ny styringsmodell. Det er det som jeg jobber etter. Så har vi også vært veldig tydelige på at i Norge vil det være sånn at når en planlegger helsetilbud til befolkningen, er det naturlig å gjøre det i et regionalt perspektiv. Det kommer også nasjonal helse- og sykehusplan til å bære preg av. Først vil eg takka for at statsråden kritiserer forslaget, for då kan vi iallfall debattera det. Det er

Men det har vært veldig tydelig fra både Høyre og Fremskrittspartiet – også da vi var i opposisjon – at et viktig fundament for å endre styringsmodellen er å få en nasjonal helse- og sykehusplan, sånn at en faktisk sikrer at den politiske styringen av sektoren er forankret i Stortinget, og at en har en plan å styre ut fra. Replikkordskiftet er omme. De talerne som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det var representanten Kjenseth som i ein kommentar til

var representanten Kjenseth som i ein kommentar til innlegget mitt om at føretaksreforma hadde vorte innførd på veldig kort tid og på ein udemokratisk måte, meinte at det var like udemokratisk å avvikla ho med eit representantforslag. Eg vil presisera at vi ikkje avviklar reforma gjennom eit representantforslag, vi ber om at regjeringa fremjar ei sak om ein ny Det er den store forskjellen. Eg synest ikkje den kritikken var heilt reell. Heilt kort til slutt, som ei forlenging av replikkvekslinga med statsråden: Ein nasjonal helse- og sjukehusplan vil verta vedteken av Stortinget i 2016. Viss planen skal verka før ein gjer noko med føretaksmodellen,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

Det har også flertallet av Norges befolkning etter hvert blitt. Det har ikke alltid vært slik. På 1990-tallet ønsket majoriteten av det norske folk å legge ned ordningen med statlige vinmonopol. Nå er det et klart flertall på 60 pst. for ordningen. Hovedårsaken til dette er nok at Vinmonopolet selv har utviklet seg til å bli en moderne og serviceinnstilt kvalitetsleverandør – rett og slett en varehandelsaktør som driver markedsrettet og samtidig som man evner å balansere sin kremmervirksomhet med at omsetningen foregår i kontrollerte former, slik det høver seg en statlig alkoholmonopolist. Som innstillingen viser, har det under behandlingen kommet tydelig fram at det kun er SV selv som støtter at det er en oppgave for regjeringen å sikre at det skal finnes vinmonopolutsalg i alle kommuner som ønsker det. Grunnene til dette kan være flere. Kanskje er det fordi det faktisk er slik at

først og fremst ved at de utvikler sin digitale kontakt med kundene. Det er altså slik at bruken av nettsidene til Vinmonopolet har økt med 80 pst. de siste tre årene, og nettbestillinger har økt med 30 pst. i det samme tidsrommet. Det vitner om en statlig institusjon som tilpasser seg kundens behov. Samtidig har også Vinmonopolet fra 2014 åpnet en ny butikkmodell, som er tilpasset nettopp små handelssentra og kommuner med få innbyggere. To butikker åpnet i 2014, begge fikk dekket sine kostnader i løpet av et halvt år. Vinmonopolet planlegger fem nye butikker i denne kategorien i 2015 – og bidrar derfor selv med å bedre tilgjengeligheten ute i – det man kan kalle – distriktene. Det er litt overraskende at Arbeiderpartiet i merknad åpner døren litt på gløtt for at Vinmonopolet skal kunne kryssubsidiere mellom sine utsalg. Vi velger allikevel å håpe at dette ikke er noe som vil prege Arbeiderpartiets politikk videre. Vi er glade for at en enstemmig komité faktisk mener det videre strategiske arbeidet rundt Vinmonopolets drift, også spørsmål som knytter seg til økt tilgjengelighet og flere utsalgssteder, bør være en oppgave som selskapets ledelse løpende vurderer og ivaretar. Det er nok fortsatt lurt at disse beslutningene fattes av selskapets styre, og ikke av Det er også lurt, tror flertallet i denne saken, at det ikke er handelslekkasje og næringspolitiske spørsmål som først og fremst skal styre alkoholpolitikken i Norge, men at Vinmonopolet fortsetter med å være en tilgjengelig, forsvarlig, moderne og forbrukervennlig aktør som har høy oppslutning og

Mange kommuner har søkt om å få etablere lokale polutsalg, fordi erfaringene viser at lokale vinmonopol er med på å sikre oppslutning om nærhandel, opprettholde lokalsentre og øke bolysten, men er også med å påvirke drikkemønsteret i en sunnere retning med mindre hjemmebrent og mindre kriminalitet knyttet til alkohol. For Arbeiderpartiet er derfor Vinmonopolet et viktig distriktspolitisk verktøy. I de åtte siste årene som Arbeiderpartiet har styrt sammen med SV og Senterpartiet, ble det etablert en rekke nye pol. Vinmonopolet ble spesielt utfordret på å utvikle modeller tilpasset mindre steder. Arbeiderpartiet vil derfor først se på hvor stor andel av befolkningen vi klarer å nå med det minste og nye samtidig som vi er bevisst på at vi vil unngå at nyetablering går på bekostning av eksisterende utsalg, slik at disse da havner i en situasjon hvor det går med underskudd. Som saksordføreren sa, er Arbeiderpartiet åpen for at hvis det viser seg at lange avstander gjør det umulig å etablere kategori

Men det å handle på nettet er ikke det samme som å få lov til å oppsøke et fysisk vinmonopol. Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde Vinmonopolet, som et effektivt verktøy for sosial kontroll på omsetning av alkohol på over 4,7 volumprosent, men også som en god faghandel med et vareutvalg som er helt unikt, i verdensklassen. Arbeiderpartiet ønsker ikke en utvikling i retning av pol i butikk.

saken om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk, som vi tidligere i kveld behandlet i denne salen, deltok SV ikke i debatten, men støttet forslag, som forventet. De var til å kjenne igjen. De ville redusere skjenketiden med 1 time, fra kl. 03.00 til kl. 02.00, og de ville reversere de endringene i taxfreekvoten som ble innført i 2014. Når det gjelder taxfreekvoten, er det verdt å nevne at den første utvidelsen av denne kom mens SVs daværende leder, Kristin Halvorsen, var landets finansminister. Var dette allerede det første lille tegnet til at SV ville endre seg i alkoholpolitiske spørsmål? I så fall har de etterfølgende signaler og forslag vært veldig utydelige – inntil i dag, da SV gjør seg lekre for velgerne ved å love pol til alle. Det er nesten så man ikke tror det man leser, når SVs medlem av helse- og omsorgskomiteen, representanten Audun Lysbakken, i en merknad skriver at «det er avgjørende at alle har en rimelig nærhet til vinmonopolutsalg». SV snakker om å dele godene. Vin og brennevin til alle kan kanskje være en måte å gjøre det på, dersom man oppfatter Vinmonopolets varer som goder, vel å merke. Men jeg har litt vanskelig for å forstå SVs nye og plutselige omtanke for folk som bor i kommuner uten pol. Jeg hadde ikke ventet dette fra SV, det er liksom ikke slik det skal være – det er nesten forvirrende, er nesten forvirrende, og det uten at vi har skrudd korken av flasken. Men la meg underbygge hvorfor Fremskrittspartiet, som alltid har ønsket en liberal alkoholpolitikk, ikke støtter SVs forslag. Det er flere grunner til det. For det første ligger hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk fast gjennom samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og våre to støttepartier. For det andre lytter vi til styret i Vinmonopolet når det setter krav til at alle polets butikker skal dekke sine egne kostnader. Polet drives nemlig etter helt vanlige bedrifts- og markedsøkonomiske prinsipper. Det vil ikke være mulig ved etablering i alle de aller minste kommunene. Etter innføringen av såkalt kategori 1-butikker, spesielt tilpasset små handelssentre og kommuner med få innbyggere, må man oppnå et salgsvolum på 25 400 liter årlig for å tilfredsstille dagens kostnadsstruktur. Ved årsskiftet hadde landets minste kommune, Utsira, ifølge Statistisk sentralbyrå 206 innbyggere. Det betyr at for å oppfylle nødvendig salgsvolum vil alle 206 måtte kjøpe 123 liter alkohol i løpet av året. Det er dessuten slik at det er en del polutsalg som så vidt bærer seg. Kommer det et nytt utsalg i nærheten, vil det kunne føre til at det allerede eksisterende utsalget blir ulønnsomt, fordi man stjeler kunder fra hverandre og opplever at ens egen eier driver en form for butikk i butikken. I stedet for ett polutsalg som går med overskudd, vil man kunne få to som går med underskudd. Men det er kanskje det som er ekte solidaritet. Dessuten vil pol i alle kommuner trolig føre til høyere alkoholpriser for alle. For Fremskrittspartiets del hadde vi gjerne sett at prisene gikk ned, bl.a. for å redusere smugling av varer fra utlandet. pst. av landets befolkning bor maksimalt 30 kilometer fra et polutsalg. 91 pst. bor i en kommune med pol. Nesten alle har tilgang til polets digitale tilbud, som er et viktig virkemiddel for å sikre utkantstrøk god tilgjengelighet til polets varer, noe som vises gjennom en vekst på nesten 30 pst. i antall bestillinger via nett. Det er mulig å få tilsendt fraktfritt. Jeg har vanskelig for å tro at SV vil føre en annerledes alkoholpolitikk i tiden som kommer. Jeg må nok konkludere med at forslaget er fremmet med tanke på både valgkampen og livet under sperregrensen. Dessuten, helt avslutningsvis: Kan hende blir SVs poldrøm oppfylt likevel, for når den nye kommunereformen er gjennomført, vil det nok være pol i alle landets kommuner, skal du se.

Hva som oppleves som nødvendig, og hva som oppleves som ønskelig i et lokalsamfunn, kommer an på hvem du spør. De fleste vil svare velferd, skole, helse og arbeid. Mange vil svare nærbutikk, andre vil legge til kulturtilbud, en del også post og pol. Dette er viktige spørsmål som kommunene må ta stilling til og jobbe for, fordi det oppleves som viktige spørsmål for kommunenes innbyggere. SV vil legge til rette for at de kommunene som ønsker det, skal få muligheten til å etablere vinmonopol. Vi ønsker ikke at valgfrihet skal være noe som er knyttet til sentrale strøk, eller at valgfrihet kun skal være prisgitt markedskreftene alene. Derfor ønsker vi også at kommunene selv skal kunne bestemme om de ønsker etablering av pol i sine